Vararepresentantene, for Nord-Trøndelag fylke Jorid Holstad Nordmelan og for Vestfold fylke Steinar Gullvåg, innkalles for å møte i permisjonstiden. Jorid Holstad Nordmelan og Steinar Gullvåg er til stede og vil ta sete. Representanten Per Olaf Lundteigen vil framsette to representantforslag. Lundteigen vil framsette to representantforslag. Det er en glede å legge fram to forslag, det første fra Marit Arnstad og meg sjøl om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning, og det andre fra meg sjøl om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen. Representanten Ola Elvestuen vil også framsette to representantforslag. Jeg Elvestuen vil også framsette to representantforslag. Jeg har gleden av på vegne av meg selv, André N. Skjelstad og Terje Breivik å legge fram et representantforslag om DIFIs rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Så har jeg også et forslag fra meg selv, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Abid Q. Raja om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere

de mener er riktig i forhold til lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Denne måten har Stortinget gjort det på lenge, og SV har vært kritisk til det, fordi det er en måte der Stortinget forsøker å la være å ta et politisk ansvar for det lønnsnivået vi sjøl har. Vi setter det bort til andre, mens vi allikevel må stemme over det. I praksis er det Stortinget som sjøl må vedta sine lønninger, det er ingen andre som kan gjøre det. I flere år har SV tatt opp forslag, da vi har ønsket en større diskusjon om hvordan Stortingets lønnsnivå egentlig bør utvikle seg i forhold til resten av samfunnet. Det kan det være ulike meninger om, men SV mener at det er viktig at våre lønninger ikke øker prosentvis, for da vil våre lønninger i kroner rykke fra gjennomsnittet i befolkningen. Stortingets lønninger er gode – det skal de være. Men det er ingen grunn til at Stortinget skal ha et lønnsnivå som gjør at vi lever i en helt annen virkelighet enn gjennomsnittsbefolkningen som vi er satt til å styre over og til å være med og legge til rette for så det skal være mulig for alle med helt andre økonomiske forutsetninger enn oss å ha et godt liv i dette samfunnet. I en del år har vi fremmet forslag om at vi ikke skal ha lønnstillegg. For eksempel under finanskrisen var det ingen grunn til at Stortinget skulle ha økte lønninger når det var stor utrygghet ellers. I vanlige år mener vi at prinsippet må være at vi skal ha et kronetillegg,

Men det viktige med det prinsippet og det forslaget vi fremmer i dag, er at det er et årlig kronebeløp i økning for gjennomsnittslønna i Norge. Vi diskuterte jordbruksoppgjøret for et par dager siden. Da var flere partier veldig opptatt av at når man skulle tette lønnsgap, var det kroneøkning som gjaldt. Jeg har en forholdsvis lang fartstid også i fagbevegelsen. Der var vi veldig opptatt av at det skulle være kronetillegg, fordi prosenter på et høyt tall er mange penger, mens prosenter på et lavt tall er lite penger. Det er noen som mener at det er lik lønnsutvikling når sosialhjelpsmottakere får 5 pst. lønnsøkning som når vi får det. Jeg er dypt uenig. Det er ingen som går i butikken og handler med de prosentene. Det er kronene vi kan betale maten vår, husleia vår og andre utgifter med. Sånn er det for alle. Derfor er det mest rimelig og riktig at Stortinget har lønnsøkning som fastsettes på basis av økning i årlig kronebeløp for en gjennomsnittslønn i Norge. Det fremmer vi forslag om i dag. Vi fremmer også konkret forslag om hva det betyr i kroner og øre. Vi håper at Stortinget vil vurdere dette seriøst, for vi mener at det bør være et veldig riktig og viktig signal å sende til folk at når det gjelder prosentberegning, som kan være en fordel for hver og en av oss som privatpersoner, da vi får litt mer penger, holder vi oss allikevel til de prinsippene vi mener er riktige, nemlig at det bør være et kronetillegg som er likt, og at ikke vi via vår måte å regne det ut på får mer enn andre.

når man har lønnsforhandlet, for at man ikke skal øke forskjellene mellom grupper, men tvert imot skal forsøke å minske dem over tid. Det er selvfølgelig også SVs politiske mål at vi skal ha mindre økonomiske forskjeller. Da er det viktig at Stortinget har et lønnssystem som er i tråd med det, og som ikke øker Stortingets lønninger mer enn gjennomsnittet av det andre får i sine lønnsoppgjør.

utgangspunkt og det systemet som vi har brukt for lønnsjusteringene gjennom noen år. Justeringen er på 3,3 pst., som er det samme som er beregnet som årlig lønnsvekst i så vel statlig og kommunal som i privat sektor for den perioden vi er inne i.

fordi man i denne sal fastsatte sine egne lønninger uten å ha en slags korrigerende instans som var invitert til å ha en oppfatning om lønnsnivået. Og det er ikke slik at vi fraskriver oss ansvaret for beslutningen, vi treffer faktisk beslutningen, og vi har i dette øyeblikket en debatt om det. Det synes jeg er viktig å understreke. Det vi får fra lønnskommisjonen, er altså et råd som vi kan velge å følge eller ikke følge. Så kan det selvfølgelig være bekvemt bare å lande på det og gjøre det helt uten noen refleksjon, men jeg mener vi har erfaring for at det er refleksjon rundt dette. Vi har debatt om det nesten ved hver eneste Jeg mener at det er helt legitimt, i dette tilfellet for SVs vedkommende, å mene at vi har for høye lønninger på Stortinget. Personlig synes jeg ikke vi har det. Jeg synes lønningene på Stortinget ligger på et nivå som er fornuftig i forhold til det ansvaret vi bærer, det arbeid vi gjør, og den, skal vi si, posisjon som det å bære det ansvaret man har som stortingsrepresentant, Det bør også gjenspeiles i hvilken lønn man legger til grunn. Hvorvidt vi burde gå over til et annet system, f.eks. at det istedenfor prosentvis regulering skal være et kronebeløp, er et litt større spørsmål som jeg i så fall mener må utredes nærmere, men for egen del kan jeg ikke skjønne hvorfor vi skulle ha et annet system her enn det som er det vanligste for lønnsfastsettelse for øvrig. Hvorvidt vi gjennom prosentfastsettelse bringer oss selv inn i en slags spiral som gjør at vi drar fra

Så jeg tror ikke presidentskapet kommer til å ta noe initiativ til å legge opp til et annet system for dette fremover – i hvert fall kommer ikke jeg til å gjøre det. Jeg mener at den justeringen vi gjør i år, er berettiget, og, som sagt, i tråd med den utviklingen som vi har sett i årets lønnsoppgjør for øvrig. Jeg snakker på egne vegne. Jeg er

fordi en opplever og ser en politikk som også gir skattekutt til de med de aller høyeste inntektene. Ergo får en både en lønnsdannelse som øker forskjellene, og en får en skattepolitikk som øker forskjellene; det blir dobbelt opp. Jeg er ikke redd for at stortingsrepresentanter, statsråder eller statsministeren blir fattige med forslaget til SV. 850 000 kr til en stortingsrepresentant er vel ca. dobbelt så mye som det en sykepleier tjener, og 1,2 mill. kr til

Så jeg er ikke redd for at en sakker etter – hvis det er å sakke etter at en som stortingsrepresentant har dobbelt så mye i lønn som f.eks. en sykepleier. Men en sakker selvfølgelig etter dem som har de aller beste lønningene i samfunnet, og kanskje lederne. Dette kan kanskje være et signal til en del andre når det gjelder lønnsdannelse, at nå går vi foran og viser vei og

Jeg ser heller ikke dette som en opphevelse av lønnskommisjonen. Dette er bare et nytt mandat til lønnskommisjonen, et mye bedre mandat til lønnskommisjonen og et mye mer rettferdig mandat til lønnskommisjonen – et mandat som innebærer at vi ikke bidrar til å øke lønnsforskjellene og forskjellene i samfunnet. Eg er

samfunnet, og ikkje berre dei som har det lønsnivået som er reflektert som normalt. Kanskje nokon meiner det er høgt her på Stortinget, slik eg forstår SV. Eg tenkjer som så at det ikkje er lett å kvitta seg med halve huset for at ein skal vera her i fire år. Ein må ha rom for at nokon har store utgifter, og at ikkje heile lønsinntekta skal gå til å gå på butikken og handla.

åpner opp for at det er lov å diskutere dette. Det synes jeg er bra, for flere av de andre gangene vi har diskutert dette, har tonen vært annerledes. Det er bra at det er lov å reflektere over dette. At stortingspresidenten også er så tydelig på at Stortinget faktisk må ta disse beslutningene, at vi ikke blindt skal følge lønnskommisjonen, og at vi står ansvarlig for den beslutningen som blir tatt, uavhengig av hva lønnskommisjonen har sagt, er jeg veldig glad for, for det betyr at vi har et annet debattklima rundt dette. Det er jeg veldig glad for. Så sa jeg ikke at vi har for høye lønninger, men jeg sa at jeg tror de er høye nok. Jeg er enig i at lønningene på Stortinget bør være rimelig gode, men jeg men jeg er litt ubekvem med debatten om ansvar, for det er veldig mange stillinger i samfunnet som har et betydelig lavere lønnsnivå enn det vi har, som også har ansvar, faktisk for liv og død for folk. Så jeg synes det er en vanskelig debatt. Jeg har, når jeg skal prate om dette, på litt folkelig vis sagt at den som ikke kan leve av stortingslønninga, kan ikke styre penger. Og det mener jeg. Det er mange som har lavere lønninger enn oss, som også har utgifter, som har huslån, som har studielån, og som kanskje også mister jobben. I dette huset sitter vi og vedtar hva de som mister jobben, skal ha i ytelser – eller de som mister helsa og jobben samtidig. Et av de viktige argumentene her er at vi skal ha en lønn som er god, som det går an å leve greit av, uten økonomiske bekymringer, når man er stortingsrepresentant, men det kan ikke være en annen økonomisk verden enn flertallet av den befolkningen vi skal styre. Det er der sammenligningen bør gå – ikke andre veien. Det er helt riktig: Det vi foreslår nå, er et annet oppdrag til lønnskommisjonen – for så vidt et enklere oppdrag også – og det vil bidra til at vi i Stortinget ikke rykker fra. Prosentregning er slik at regner man prosenter av et høyt tall, får man et høyt kronebeløp. Regner man prosenter av et lite tall, får man et veldig lavt kronebeløp. Det er kroner, forskjellen i penger man har, som utgjør de økonomiske forskjellene, ikke det prosentvise. Jeg tror det er rimelig uinteressant for en som må leve på en lav ytelse, har mistet jobben, eller har en veldig lav lønn, om det er en vekst på 3 pst. eller 4 pst. Det er kronene som teller. Det er vel også derfor noen her ønsker at vi skal beholde det systemet, for det gir mer penger.

kanskje ikke så overraskende at man kommer med en sånn populistisk fremstilling. Sånn sett er vel SV det partiet som har vært mer ærlig i disse spørsmålene. Men det jeg undrer meg over, er hvorfor man ikke selv viser den solidariteten som man mener at andre bør vise. Det er jo slik at de som er høyt lønnet – man var opptatt av at stortingsrepresentantene visstnok tjente for mye og hadde for høy godtgjørelse – bare kan frasi seg disse pengene, i solidaritet med sykepleierne og alle de andre. Man kan eventuelt bruke disse pengene som man har fått i tillegg, til å gi dem fra seg. Nei, det kan de ikke – Karin Andersen rister på hodet – det er helt umulig å gjøre. Men hvis man har så god råd at man ikke trenger pengene, hvorfor i all verden skal man da belaste stakkars skattebetalere over det ganske land og dem som har lav lønn, som også må betale skatt og avgifter, for – ifølge Karin Andersen – å kunne gi stortingsrepresentantene altfor høy godtgjørelse?. Så jeg vil oppfordre Karin Andersen: Gi fra deg pengene. Gi dem til et godt formål. Send det over til Sykepleierforbundet eller andre. Fortsatt er det slik at all tale skal gå gjennom presidenten.

Stortingsrepresentanter har godtgjørelse. Stortingsrepresentanter har heller ingen stilling og finnes ikke i noen stillingskode. Vi har et verv. Det er basert på tillit. Lover er ikke veiledende i dette landet, og arbeidsmiljøloven gjelder for folk som har stilling. Men for oss gjør det altså ikke det. For representanter gjelder ikke arbeidsmiljøloven, og vi har sånn sett ingen regulert arbeidstid. Når det nå i omtalen hele tiden er snakk om at representanter har lønn og stilling, er ikke det av den type betegnelser som tilfaller representanter. Det handler om tillit, det handler om godtgjøring, det handler om verv, og det er altså ingen regulert arbeidstid. Det er

Argumentet med å gi bort har jeg hørt før. Det er i aller høyeste grad et populistisk argument. Men en kunne kanskje tenkt seg å returnere utfordringen til representanten Tybring-Gjedde. Kanskje vi alle sammen skulle gå inn for å sette av det overskytende beløpet – vi kunne jo gjort det her i dag – altså differensen mellom SVs forslag og det forslaget som er vedtatt av lønnskommisjonen, og så kunne en bli enig om å sette av det beløpet til et godt formål. Hvis Tybring-Gjedde ville gått med på det, kunne det være en grei løsning. Men det er ikke det dette dypest sett handler om. Dette handler om vi skal bidra til økte lønnsforskjeller i det norske samfunn, eller om vi skal gå foran og være tydelige på at kronetillegg er den type lønnsfastsettelse vi ønsker i samfunnet vårt for å

så det ikke blir noen misforståelse. Jeg hadde virkelig ikke tenkt å ta ordet i debatten – jeg satt her og ventet på en annen. Jeg har bare lyst til å si: Det at vi ikke er på så veldig feil spor, indikerer to ting. Det første er at nesten alle som har hatt ordet, har sagt at de syns vi er på noenlunde riktig nivå. Vi tjener ikke for mye, og vi tjener ikke for lite. Og Det betyr at det ikke er en stor debatt ute i samfunnet om hvorvidt stortingsrepresentanter tjener for mye eller tjener for lite. Vi er ikke et land der man har representanter som tjener så lite at man har diskusjoner om hvorvidt noen er korrupte. Vi er heller ikke et land der vi tjener så mye at vi blir sagt å ha avstand til folket. De aller fleste av oss som sitter i denne salen i dag, har gått eller tatt trikken til det norske stortinget. Det betyr at vi er ikke så ille ute å kjøre, sett i relasjon til dem vi er satt til å være tillitsmenn for, og den jobben vi gjør. Så vi skal ikke skru opp dette til en veldig mye hardere debatt enn det er. Det jeg syns er viktig, er at vi hele tida er på vakt overfor at den forskjellen skal bli for stor. Derfor syns jeg Karin Andersens innlegg er helt ok å ha en diskusjon om. Men akkurat nå syns jeg at vi er på riktig spor. Det er ikke noe gap mellom dem vi er valgt for, og dem vi dem vi er valgt for, og dem vi skal representere, som er så stort at det ikke kan forsvares, men jeg syns det er viktig at vi hele tida har en debatt om hvordan vi finner det riktige vippepunktet. Hvis man kikker på parlamentarikere og parlamentarikeres lønn rundt omkring i verden, er det ingen sammenheng mellom gode parlamentarikere og gode lønner. Den gode balansen er når man har

Presidentskapet er enig i at det er god løsning at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter reetableres som et organ underlagt Stortinget. Presidentskapet mener videre at Stortinget har et ansvar for å bidra til å sikre at menneskerettighetene holdes i hevd i Norge. Det gjør vi både gjennom å gi samtykke til ratifikasjon av Norges internasjonale forpliktelser og ved å se til at regjeringen følger opp som samfunnet har overfor borgerne. Stortinget har nettopp vedtatt grunnlovsendringer med sikte på å styrke menneskerettighetens plass i samfunnet. Presidentskapet mener at en aktiv og utadrettet nasjonal institusjon for menneskerettigheter kan være et viktig virkemiddel både for å bidra til økt bevissthet om menneskerettigheter generelt, og for å sette fokus på menneskerettighetsspørsmål i det offentlige ordskiftet. Presidentskapet mener det er i samsvar med Stortingets rolle og ansvar å påta seg å få på plass en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. At institusjonen legges organisatorisk under Stortinget, vil også bidra til å gi institusjonen den framtredende status en slik institusjon bør ha. Presidentskapet fraviker representantforslaget på ett vesentlig punkt. Det gjelder tilknytningen til Sivilombudsmannen. Presidentskapet har fått en rekke innspill, som bl.a. har pekt på mindre heldige erfaringer med at Senter for menneskerettigheter også har fungert som nasjonal institusjon, og anbefalingene gitt presidentskapet fra flere hold har vært å etablere en selvstendig institusjon med egen identitet uten formell Disse anbefalingene følger presidentskapet i innstillingen som nå behandles. Presidentskapet har lagt vekt på at nasjonal institusjon skal framstå som selvstendig og uavhengig. Dette er et sentralt element i FNs prinsipper for nasjonale institusjoner, kalt Paris-prinsippene. Presidentskapet fremmer i innstillingen forslag om at ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter opprettes som en selvstendig institusjon underlagt Stortinget – med andre ord uten formell tilknytning til Sivilombudsmannen. La meg presisere at visepresident Kenneth Svendsen primært hadde ønsket å legge en nasjonal institusjon direkte inn under Sivilombudsmannen, som en forlengelse av ombudsmannens menneskerettighetsmandat som nasjonal forebyggende mekanisme. Men representanten Svendsen støtter subsidiært forslaget i dagens innstilling. Den nasjonale institusjonens selvstendige og uavhengige posisjon understrekes ved at lederen for institusjonen velges av Stortinget og gis et selvstendig ansvar for dens faglige virke, ved at institusjonen skal rapportere direkte til Stortinget i form av en årlig melding, og ved at bevilgningen til nasjonal institusjon skal framgå av et eget kapittel i statsbudsjettet, på lik linje med Stortingets øvrige eksterne institusjoner. Presidentskapet mener likevel at det er gode grunner som taler for en administrativ tilknytning til og samlokalisering med Sivilombudsmannen, som bl.a. å benytte en del felles Presidentskapet legger til grunn at nasjonal institusjons mandat og oppgaver skal være i samsvar med de rammer som Paris-prinsippene gir anvisning på. Dette vil være en forutsetning for at Den internasjonale koordinerende komiteen for nasjonale institusjoner, ICC, skal kunne godkjenne institusjonen som fullverdig nasjonal institusjon og tildele den A-status, noe som er et internasjonalt anerkjent kvalitetsstempel. Dette gir viktige rettigheter i internasjonal menneskerettssammenheng, og vil kunne styrke Norges anseelse og rolle som en troverdig aktør på menneskerettighetsfeltet internasjonalt. I henhold til Paris-prinsippene er det en forutsetning at institusjonen gis et bredt mandat til å fremme og styrke menneskerettighetene i samsvar med de nasjonale og internasjonale rettslige normene vi har forpliktet oss til å følge. I innstillingen har presidentskapet pekt på flere kjerneoppgaver for nasjonal institusjon, som å overvåke menneskerettighetssituasjonen i vårt eget land og gjøre undersøkelser, særlig på samfunnsområder med menneskerettsutfordringer. Der det er nødvendig, skal institusjonen være en pådriver for å få iverksatt tiltak. Institusjonen skal gi faglige råd i menneskerettsspørsmål til både offentlige myndigheter og private aktører, og være åpen for henvendelser fra enkeltpersoner. Presidentskapet mener at institusjonen ikke skal behandle klager, men den vil selvsagt kunne henvise til relevante instanser, som eksisterende ombudsmannsordninger eller rettsvesenet. Det understrekes også at nasjonal institusjon skal ha sin hovedbeskjeftigelse med nasjonale forhold, og at den må ha tilstrekkelig tyngde og kompetanse innenfor sitt fagfelt. Presidentskapet fremmer i innstillingen forslag om at Stortinget skal gi presidentskapet fullmakt til å utarbeide forslag til lov og instruks for den nasjonale institusjonen. I denne forbindelse er det aktuelt å nedsette et hurtigarbeidende fagutvalg. Mandat og oppgaver for den nasjonale institusjonen vil bli nærmere utredet i forbindelse med dette arbeidet. Presidentskapet legger til grunn at Stortinget skal gis anledning til å vedta lov og instruks i løpet av høstsesjonen, slik at ny nasjonal institusjon kan etableres fra og med 1. januar 2015. Avslutningsvis vil jeg nevne at presidentskapet mener det bør lovfestes at Stortinget skal oppnevne et rådgivende utvalg i tilknytning til nasjonal institusjon. Her skal det bl.a. være representanter fra frivillige organisasjoner, ombudene, Sametinget og det akademiske miljø. Utvalget vil ha en viktig funksjon som rådgivende Utvalget vil ha en viktig funksjon som rådgivende organ for institusjonens virksomhet, og vil kunne bidra til samordning av ulike menneskerettighetsaktørers innsats. Ikke minst vil det rådgivende utvalget gjenspeile det mangfoldet som den nasjonale institusjonen skal forholde seg til og ivareta. Jeg anbefaler innstillingen. I Norge har vi som bilde av oss sjøl at vi er kjempegode med

kan man oppleve at det – f.eks. i denne salen for noen dager siden – vedtas et tiggeforbud. I en rekke andre europeiske stater underlagt EMK, har man fått dommer som sier at tiggeforbud er ulovlig i henhold til EMK. Det er ikke en gang en del av en offentlig debatt. Vi har implementert en rekke menneskerettigheter i Grunnloven, men en rekke kom ikke med, fordi noen menneskerettigheter var mer verdt enn andre. Dette er en debatt som er helt pussig i en rekke andre land. Det bildet vi har av Norge som den store menneskerettighetsnasjonen, er feil. Vi er en nasjon med høyt velferdsnivå. Vi er en nasjon som har mange andre muligheter til å vise at folk ikke blir tråkket på, men ut fra et menneskerettighetsperspektiv er vi ikke alltid så gode. Vi har rettsskandaler knyttet til vår rettsstat, og vi burde skamme oss ganske mye over at disse kunne skje. Mange av disse rettsskandalene kommer heller ikke opp. Når politikerne begynner å lage mekanismer, som gjenopptakelseskommisjonen og andre, fungerer det likevel ikke. Derfor er dette veldig viktig, og derfor er Venstre veldig, veldig glad for at vi nå får flertall i denne sal for noe det ble drevet gjøn med i forrige periode. Jeg vil spesielt takke presidenten. Jeg tror at hvis ikke presidenten hadde tatt dette initiativet, hadde vi ikke klart å få det til. Jeg vil også takke utenriksministeren – det må jeg gjøre gjennom forsvarsministeren, det er hun som er her – for å ha bidratt til at dette faktisk kommer på plass. Så til sjølve innstillinga, der det er to ting jeg har lyst til å ta opp som vi er ganske kritiske til. Vi hadde nok ønsket oss en egen institusjon, ikke en som på en måte er underlagt Sivilombudsmannen. Jeg håper presidentskapet tar med seg det i den videre behandlinga, at dette ikke er vår ideelle ordning. Vi skulle gjerne ønsket oss en egen. Det må man ta med i måten man skal organisere dette på, at man har mest mulig sjølstendighet i sjølve enheten. Det andre er det som skrives i innstillinga om muligheten for å ta opp enkelttilfeller. Menneskerettighetsbrudd er ikke noe man kan forholde seg teoretisk til. Det er veldig ofte enkelttilfeller, og det er enkelttilfeller som ofte ikke kommer fram gjennom de vanlige institusjonene vi har. Så for oss er det i hvert fall veldig viktig, når man skal utlede mandat, forskrifter og rammer for dette arbeidet, at man ikke rammer inn muligheten for å rettlede enkeltpersoner, muligheten for også å vurdere enkeltpersoners saker i et MR-perspektiv – at dette ikke blir mer begrenset enn det blir. For det er bare i møtet med det enkelte mennesket at menneskerettighetene kan løftes på den måten de skal. Det er en slags tro på at menneskerettighetene har noe å gjøre med en sånn rettighetsdebatt som man har hatt tidligere. Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene ethvert individ har i samfunnet. Det setter rammer også for politikken – så klart gjør det det. Jeg mener at det er interessant å diskutere at vi i denne salen hegner om ytringsfriheten så sterkt som vi gjør. Vi har en grunnlov som virkelig løfter ytringsfriheten. I Norge skal du få lov til å si akkurat hva du vil, og du skal få muligheten til å ytre ethvert politisk ønske du har

at verden rundt er ille. Det er en begrensning i ytringsfriheten som jeg mener burde vært en del av en debatt f.eks. om tigging her i denne sal. Sånn er det i en rekke saker, der vi glemmer menneskerettighetsperspektivet og grunnleggende menneskerettigheter i en kamp mot et eller annet annet. Der håper jeg en sånn institusjon skal bidra: bidra til debatten, bidra: bidra til debatten, bidra til å sette de ulike sakene i fokus, bidra til kanskje å sette noen rammer for hvor mye inngripen overfor enkeltindivider denne sal kan gjøre. For meg som liberaler er det viktig. Så dette er et viktig skritt videre. Ikke bare kommer vi ut av B-statusen som menneskerettighetsnasjon, det kommer til å øke bevisstheten om MR-spørsmål i den norske offentlige debatten. Det er det viktige, og vi ser daglig i denne salen at vi burde ha hatt større debatt om det.

ytterlegare. Representanten Skei Grande heldt eit godt innlegg. Ho gav fleire eksempel på store utfordringar vi har med menneskerettar i Noreg. Andre kunne ha vore nemnt. Praksisen vår når det gjeld varetektsfengsling, får jamleg kritikk frå internasjonale uavhengige vurderingar av Noreg. Bruken vår av tvang i psykiatrien er eit anna felt som heilt openbert har menneskerettsutfordringar knytte til seg. Men så er det òg lov å seie at på svært viktige felt i samfunnet har Noreg gjort store framsteg når det gjeld menneskerettar dei siste tiåra. I denne saka kan det være verd å berre stoppe ved kanskje dei to viktigaste grunnane til det. Éin viktig grunn er at vi i Noreg har sterke krefter som har organisert seg for å arbeide fram endringar og forbetringar i menneskerettane, for seg sjølv og andre. Men ein annan grunn er at vi har ein tradisjon for at uavhengige – forskarar, institusjonar i Noreg og internasjonale miljø – ser myndigheitene og praksisen deira i korta. Det er nettopp dette, den rolla, denne institusjonen vil verte ei styrking av. Noreg har i ei rekkje andre land støtta arbeidet med opprettinga av nasjonale institusjonar for menneskerettar. Dei er viktige i mange andre land. Dei er viktige i mange andre land. Ein slik institusjon vil òg vere viktig i Noreg, viss vi får han til å fungere. Så SV stillar seg heilt og fullt bak innstillinga frå presidentskapet. Så må eg stoppe opp ved ein liten ting som representanten Skei Grande òg sa. Ho sa, viss eg forstod det rett, at ho ikkje heilt likte den modellen som er føreslegen her no, fordi institusjonen no vert lagd under Sivilombotsmannen. Men det er ikkje det som står i innstillinga. Der står det stikk motsette. Forslaget hadde innebore det. Så eg vil berre presisere at det ikkje heilt kan stå seg, føler eg, frå Stortingets talarstol, sånn at vi er einige om kva vi faktisk gjer. For det som står i innstillinga, er at «ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter opprettes som en selvstendig institusjon, underlagt Stortinget». Og så vert det argumentert over fleire avsnitt for at det berre er ei administrativ tilknyting til Sivilombotsmannen. For SV er dette ein svært avgjerande del av innstillinga, så eg oppfattar at det er

Jeg ser at enkelte talere kanskje legger litt mer i innstillingen fra presidentskapet enn det man faktisk kan lese inn i den eller forutsette. Dette er nemlig startskuddet for igangsetting av en prosess som altså vil lede frem til en særlov for en ny institusjon, men det er slik at det er Stortinget som skal ha det endelige ord i alle lovsaker, også i denne. denne. Det betyr også at man skal følge det som er god forberedelse og utredning av lovforslag. Man skal drøfte alternativer, man skal se på de økonomiske og administrative konsekvensene, og ikke minst skal man vurdere dette i forhold til andre igangværende institusjoner for å få så gode grensesnitt som mulig, så man ikke risikerer at gode temaer forsvinner ut av – skal vi si – bevågenheten til offentligheten. Det er den ene fellen. Den andre er selvfølgelig at det kan bli konkurranse om hvilke institusjoner som har kompetanse til å avgjøre eller uttale seg om enkelte spørsmål. Da vil jeg minne om at utgangspunktet for vår forfatning er at det er denne sal som vedtar generelle rettsnormer. Så har vi domstoler, som tar den enkelte sak og avveier hva som kan være motstående hensyn, for en god del av juristens hverdag er også å avveie og bidra med harmoniserende tolkninger av konkurrerende rettsnormer. Det er veldig viktig at de to funksjonene skilles, for ellers får vi en politisering av retten. Så vi skal ikke ha en politisering av Samtidig legger jeg også merke til at det er mange som taler seg så varme for det vi kan si er ombudslignende institusjoner, som grunnleggende sett – særlig når de får frie mandater, hvor det er uklart på hvilket grunnlag de uttaler seg – tiltar seg retten til å være samfunnsaktører uten at det verken er forskningsmessig begrunnet eller at de har mandat fra noe bakland. Jeg vil si at partiene i mangt og mye representerer bedre ombudsinstitusjoner hvis de hører på dem de kommer i kontakt med. Så jeg tar dette innlegget for å understreke at vi med dette ikke har satt ut av spill den alminnelige arbeidsdelingen som er mellom politikk og jus. Det som gjorde at jeg måtte ta ordet, følte jeg, var innlegget fra representanten Skei Grande. Hun hadde en referanse til revisjonen av grunnlovsarbeidet som rett og slett ikke er korrekt. Det er ikke slik at man, fordi man legger vekt på noen sivile og politiske rettigheter i forbindelse med en revisjon av Grunnloven, har sagt at de er mer verdt enn andre rettigheter. Det er nemlig slik, noe jeg også mener representanten burde ha tilegnet seg i løpet av den nokså dyptgående debatten vi hadde, at i norsk lov har man inkorporert hele menneskerettighetspanoramaet fra FN: Vi har inkorporert verdenserklæringen, vi har inkorporert de sivile og politiske rettighetene og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Begge de to siste konvensjonene ble vedtatt 16. desember Vi har gjennom menneskerettighetsloven sagt at disse bestemmelsene har direkte og umiddelbar virkning i norsk lov og med trinnhøyde over vanlig lov. Dette vil si at FNs barnekonvensjon, likestillingskonvensjon osv. har forkjørsrett hvis det skulle være en norsk lokal regel som på en eller annen måte i vanvare – får man da tro – skulle være i konflikt Så kan man jo spørre: Hva trenger man en overvåkningsinstans til, som man sier at dette skal være? Det er riktig at den nåværende overvåkningsinstansen har ligget under Det juridiske fakultet i et senter for menneskerettigheter. Den har fått B-status. Igjen må jeg – gjennom presidenten – understreke at det ikke er Norge som har fått B-status i menneskerettighetsspørsmål; det et er den institusjonen, som ikke har vært faglig nok utviklet, og som med sin avhengighet av universitetets øvrige økonomi ikke er uavhengig nok til at vi får den A-statusen som i denne sammenhengen skulle være poenget. Men det er jo ikke det som gjør Norge til en eventuell B-nasjon i menneskerettighetsspørsmål – det er vi faktisk ikke. Jeg tror jeg har understreket det. Så jeg vil avslutte med å si at jeg imøteser det videre arbeid. Jeg forutsetter at vi følger de prinsippene som ligger bak alt lovforarbeid i denne sal, at vi bygger på prinsippet som er å finne i utredningsinstruksen, og at vi for vår egen lovgivningsvirksomhet ikke har dårligere forberedelse enn det vi forlanger av de dokumentene som kommer fra regjeringen. Takk for en innholdsrik, reflekterende og klok debatt, det har denne saken fortjent. All ære til representanten Olemic Thommessen – og da også stortingspresidenten – som satte denne saken på dagens kart. Til siste taler, Takk for en innholdsrik, reflekterende og klok debatt, det har denne saken fortjent. All ære til representanten Olemic Thommessen – og da også stortingspresidenten – som satte denne saken på Til siste taler, representanten Michael Tetzschner: Ja, vi skal følge det vanlige maktfordelingsprinsippet med at Stortinget skal vedta lover, og at det er domstoler som skal utøve de lovene vi vedtar, også i denne saken. Så er det riktig som representanten Bård Vegar Solhjell sier, at den institusjonen vi nå ønsker å opprette, er en institusjon som skal ha sin selvstendighet, som skal være underlagt Stortinget, men som samlokaliseres med Sivilombudsmannen for å bruke de synergieffektene som en slik samlokalisering kan gi når det gjelder administrativ tilknytning – og kun det. Det er viktig for presidentskapet å understreke. Så synes jeg at representanten Trine Skei Grande har gode poenger når det gjelder dette med enkeltpersoner, og at det også bør reflekteres i det arbeidet som nå skal skje i den arbeidsgruppen som skal jobbe utover høsten.

Skei Grande har gode poenger når det gjelder dette med enkeltpersoner, og at det også bør reflekteres i det arbeidet som nå skal skje i den arbeidsgruppen som skal jobbe utover høsten. Jeg skal ikke bidra til å forlenge debatten, men jeg har bare lyst til å påpeke noen ting. Ja, det står mye om hvor «selvstendig» denne enheten skal være innenfor Sivilombudsmannen, men det blir likevel lagt sammen. Jeg hadde håpet at dette skulle ligge hver for seg, Så til Tetzschner, som mener at man ikke rangerer menneskerettighetene fordi alle jo er inkorporert, men da er spørsmålet mitt: Hvorfor legger man da noen inn i Grunnloven og noen ikke – det er jo egentlig et argument for ikke å legge noen inn i Grunnloven? Ved å legge noen inn i Grunnloven og andre ikke, Så er det klart: Norge er ikke et u-land på menneskerettigheter, men jeg tror vi er mye dårligere enn det vi sjøl gir et bilde av, og enn det den offentlige debatten faktisk gir et bilde av. er jo ikke så ofte – det er jo ikke slik at det skjer mange ganger i måneden – at vi får dommer mot oss i EMD, men det gjør vi, og vi er et av de landene som ikke bryr oss noe særlig om det. Under den forrige regjeringa hadde vi en statsråd som – etter dommer i EMD – holdt hoverende pressekonferanser om det i vandrehallen, for så ikke å gjøre noen

Så det at vi så tidlig – i neste periode – at vi skulle klare å få det til, syns jeg er kjempebra, og det har vi mange å takke for. Før presidenten gir ordet til representanten Michael Tetzschner, vil presidenten forsiktig bemerke at det som faktisk er til debatt, er opprettelse av en nasjonal institusjon for menneskerettigheter – slik at vi nå ikke starter en

faglig helt på høyden, og i tillegg har hatt en organisering som er problematisk i forhold til Paris-prinsippene, så må det være anledning til å legge mot en slik fremstilling. Det er også det som gjør at jeg tok ordet enda en gang. For i sin omtale av hva som tas med i Grunnloven, legger representanten Skei Grande inn en misforståelse – at det er temaenes viktighet som står i Grunnloven, altså at alt som er veldig viktig, skal i Grunnloven. Men det er ikke slik det er. Grunnloven er et fundament for samarbeidet mellom statsorganene, så der er den ganske presis som spesiallov. I tillegg inneholder den det som innebærer statens avståelsesplikter, dvs. det rom som staten må tillate sine borgere for at de skal ha reell frihet. Dette er Grunnlovens oppgave. Men så er det jo veldig meget i vår lovgivning ellers som er av vital betydning, som man finner i vanlig lovgivning, og som man med et samlebegrep heller kan karakterisere som plikten til å intervenere i forhold som dette storting ønsker å gjøre noe med. Det er ikke slik at noen regler er finere enn andre, avhengig av om de er i Grunnloven eller ei. Jeg vil faktisk også slå et slag for en rettspolitisk tenkning og et kvalitetskrav til det alminnelige lovgivningsarbeidet som vi skal gjøre her i salen. Jeg merker meg også at representanten Skei Grande viser til andre nasjonale avgjørelser, f.eks. noe som har vært kontroversielt i flere land enn vårt, nemlig tiggeforbud. Men det er jo nettopp fordi det har vært opp til nasjonal lovgivning – ikke ut fra en konstatering av hva som er internasjonale menneskerettigheter – at reglene har blitt skapt for hvilke ordensregimer man vil ha i det enkelte land.

staten Norge aldri vil kunne få avgjørelser i EMD imot seg som regjeringsadvokaten er enig i. Mye av den konkrete rettsanvendelsen går nemlig ut på å avveie mellom likestilte og gode hensyn, f.eks. mellom ytringsfrihet og personvern. personvern. De grenselinjene har Norges Høyesterett forsøkt å trekke på en etter mitt skjønn utmerket måte, og dette er problemstillinger som hver dag er oppe i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Hvis disse grenselinjene noen ganger trekkes forskjellig, betyr ikke det at Norge har tatt feil, eller at Norge har brutt en menneskerettighetsbestemmelse. Det betyr bare at man i rettsavklaringen mellom nasjonale og internasjonale rettsavklaringsorganer har hatt en noe forskjellig tilnærming i enkeltsaker. Derfor vil jeg med dette innlegget også prøve å få representanten Skei Grande ut av forestillingen om at det faktum at EMD av og til kommer til andre konklusjoner enn regjeringsadvokaten, er det samme som at Norge ikke etterlever menneskerettighetene.

Skei Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har ikke behov for å bruke Tetzschners arroganse, men jeg kan prøve med noen fakta. Grunnen til at vi fikk B-status, var ikke Norsk senter for menneskerettigheters faglighet, men på grunn av senterets uavhengighet. Det bryter grunnleggende med disse tingene. Jeg syns fortsatt ikke Tetzschners argumentasjonsrekke for hvorfor noen menneskerettigheter skal inn i Grunnloven og andre ikke, henger sammen. Hans argumentasjon burde egentlig ende opp med at man ikke tar inn noen menneskerettigheter i Grunnloven. Holdninga til politiske prosesser kontra de juridiske rettighetene for å mot overgrep fra flertallet tror jeg handler om et grunnleggende ulikt syn på demokratiet. Jeg mener at poenget med demokratiet er at flertallet ikke alltid har makten, men at mindretallet har noe det skulle sagt, og at man ikke kan bli tråkket på av flertallsvedtak. Flere har ikke bedt om ordet til sak

og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil seks replikker med svar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

Strike Missile, JSM. Trinn 3 vil gjøre missilet klart for produksjon og integrert på Norges nye kampfly, F-35. Produsent av JSM er Kongsberg Defence & Aerospace, KDA. Utviklingen av missilet har KDA gjort i samarbeid med Forsvaret, Forsvarets forsvarsinstitutt, FFI, og selvsagt også produsenten av F-35, Lockheed Martin. JSM vil ved vellykket utvikling bli det overlegent beste missilet i sin klasse i fremtiden. JSM er et langtrekkende antioverflatevåpen. JSM er en videreutvikling av norsk sjømålsmissil, NSM, som er verdens mest avanserte i sin klasse. NSM har en rekkevidde på 200 km og stridshodet veier 125 kg. Rekkevidden på JSM er 280 km. Stridshodet veier 120 kg. KDA har lyktes i å eksportere NSM, og prisen for et missil ligger mellom 15 mill. kr og 20 mill. kr. Det er selvsagt Norges ambisjon at KDA også oppnår eksport av JSM. JSM er en evolusjonstopp etter 50 års missilutvikling på Kongsberg. JSM er fullt av datakraft og elektronikk. Missilet behandler optiske data og tar egne valg i tråd med

eller bli introdusert til prosjektet i en større sammenheng. Dette har KDA ikke lyktes med. Australia, Canada og delvis også Italia utgjorde potensielle samarbeidspartnere. Men de har gjort kjent at de ikke ønsker å være med videre. Det innebærer at kostnadene for trinn 3 må bæres av Norge alene. At de nevnte landene ikke ønsker å spleise på videreutviklingen, betyr ikke at de ikke er potensielle kjøpere av Konsekvensen er uansett at utvikling, kvalifikasjon, integrasjon og anskaffelse av JSM vil bli 2,2 mrd. kr dyrere enn tidligere anslått. Kostnadene for JSM-prosjektet øker fra 6 mrd. kr til 8,2 mrd. kr. Som et risikoreduserende tiltak har Forsvaret inngått en avtale med KDA som binder selskapet til missilpriser for Norge, i tråd med enighet fra 2012. Regjeringen ber i denne proposisjonen om at de økte kostnadene som påløper i 2014, dekkes gjennom en tilleggsbevilgning på 200 mill. kr. Jeg ønsker samtidig å understreke at Fremskrittspartiet forventer at alle de 2,2 milliarder kronene som er varslet, innebærer at rammen for F-35-prosjektet utvides. Kongsbergs leveranser til F-35 er et norsk industrieventyr. Det vil gi bedriften arbeid i flere tiår KDAs utvikling av missiler og komponenter til F-35 sikrer en rekke norske bedrifter kontrakter som underleverandører til KDA. Det er anslått at KDA vil engasjere 60 norske bedrifter knyttet til trinn 3 i JSM-prosjektet. Skrogene til NSM og JSM består utelukkende av kompositt. Dette sikrer utvikling av avansert I dag har Kongsberg Aerostructures 18 lærlinger – jeg gjentar: lærlinger – i tillegg til andre som jobber med dette. Norge har i dag ikke komposittutdannelse, derfor har disse lærlingene fått sin kompetanse i andre land, særlig i USA. Det bør Norge vurdere å etablere i fremtiden. Spørsmålet er: Hva skal vi leve av i fremtiden? Det er et spørsmål som flere enn bør stille seg. Industri og teknologiutvikling er avgjørende. Store, avanserte internasjonale utviklingsprosjekter bringer teknologien videre, og det er kun ved å delta i slike prosjekter at Norge kan opprettholde teknologisk kompetanse. Eksportrettede norske bedrifter bør merke seg at partiene Venstre, Kristelig Folkeparti og SV velger å stå utenfor flertallsmerknaden. En slik holdning vil måtte få konsekvenser, ikke minst for de mange distriktsbedriftene som er avhengige av JSM-samarbeid med Kongsberg. I dag sprøyter vi inn penger i bl.a. Innovasjon Norge. Håpet er at IN vil finne områder som kan bidra til utvikling og skape arbeidsplasser. Tendensen i slike satsinger er at de blir relativt enkle, og at de i beskjeden grad legger grunnlag for avansert teknologi for eksport. Skal Norge leve av noe annet enn gass, fisk og avkastning på aksjer, er det nettopp prosjekter som F-35 og JSM Stortinget bør støtte opp om. Norge har ikke anledning til å subsidiere teknologibedrifter fordi konkurransedirektivet tilsier at man ikke har anledning til det. Forsvarsindustrien er unntatt. Forsvarsindustrien er unntatt fordi man betrakter det å ha en forsvarsindustri som veldig viktig for forsvaret av eget land. Dette må vi ta med oss videre. Vi må ikke bli mer katolske enn paven. Vi må forstå betydningen av å bygge teknologibedrifter som gir muligheter for at vi kan få avansert teknologi også til andre steder. Oljeindustrien er et godt eksempel, hvor vi faktisk investerte, og det har skapt hundrevis – tusenvis – av veldig viktige arbeidsplasser for Norge. Vi må ikke tro at vi kan produsere avanserte ostehøvler eller spesielle utgaver av geitost

og ikke tro at det å spare noen hundre millioner her er en fornuftig sparing, og i stedet bruke dem på Nav. Vi bør skape arbeidsplasser og skape mindre behov for Nav. Jeg viser avslutningsvis til komiteens tilråding slik den fremkommer i

viktig del av prosessen med å anskaffe nye femtegenerasjons kampfly til Forsvaret. Målet med utviklingen av JSM er, i tillegg til å ta vare på en særlig kompetanse i forsvarsindustrien, slik også saksordføreren var inne på, å utstyre norske kampfly med et våpen som gir F-35 evnen til å ta ut godt forsvarte sjø- og landmål over lange avstander. Dette er en viktig kapasitet fordi den vil bidra til at den norske krigsforebyggende terskelen styrkes. En eventuell motstander må derfor ta høyde for at det kan bli både svært kostbart og risikabelt å bruke militær makt mot Norge.

til å bidra i utviklingen av «Smart Defence» og ha fokus på våre nærområder i NATO. For Arbeiderpartiet har det vært viktig at store anskaffelser til Forsvaret skal bidra til økt verdiskaping i Norge gjennom gode industriavtaler og samarbeid mellom Forsvaret og forsvarsindustrien. Å lykkes med JSM vil være viktig, ja sannsynligvis den for den industrielle satsingen knyttet til kampflyanskaffelsen. Missilet forventes også å ha et betydelig salgspotensial til andre land som anskaffer tilsvarende fly som oss. Selvsagt vil en vellykket utvikling bety mye for Kongsberg, men lykkes norsk forsvarsindustri med senere salg og produksjon av JSM, vil dette ha betydelige ringvirkninger for små og mellomstore forsvarsbedrifter over hele landet. Men jeg vil samtidig uttrykke bekymring. Så langt har det kontraherte beløpet for norsk forsvarsindustri ligget rundt 2,2 mrd. kr, og vi har ikke sett betydelige økninger den senere tid. Om kort tid skal Norge i det neste budsjettet ta stilling til eventuell bestilling av ytterligere seks fly i hovedanskaffelsen. Jeg vil fra benytte anledningen til å understreke at framgangen med hensyn til å oppfylle industriplanen er sterkt bekymringsfull. Jeg forventer at forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet overfor produsenten Lockheed Martin og overfor amerikanske myndigheter med stor tydelighet gir uttrykk for utålmodigheten i Stortinget. Vi gikk inn i dette prosjektet med tydelige forventninger og forsikringer om at norsk forsvarsindustri skulle skulle kunne konkurrere seg til oppdrag knyttet til produksjonen av F-35. Jeg tror at vi er mange på Stortinget som snart forventer å se konkrete resultater, i konkrete kontrakter. Jeg ser derfor fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med budsjettet i høst, og jeg ser også fram til en nødvendig og grundig debatt om hvordan den videre realiseringen av industriplanene for kampflyanskaffelsen følges opp.

I tillegg kan det gi viktige industrimuligheter i understøttelse og vedlikehold, og da tenker jeg spesielt på AIM Norway og motorvedlikehold. Vi forventer at regjeringen sikrer at dette forankres i Stortinget. Som det framgår av innstillingen, har det ikke lyktes Norge å få flere land til å gå inn i prosjektet og bidra til å dekke kostnadene ved utvikling og integrasjon. Det er ikke slik Stortinget forutsatte. Jeg merker meg at det nå legges til grunn at Norge alene må bære de totale integrasjonskostnadene. Dette medfører at utvikling, kvalifikasjon, integrasjon og anskaffelse av JSM totalt blir 2,2 mrd. kr dyrere enn tidligere anslått, og til sammen øker kostnadene for JSM-prosjektet fra 6 mrd. kr til 8,2 Det forutsetter at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse for inndekning av disse utgiftene. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, merker seg videre at den delen av kostnadsøkningen som påløper i 2014, foreslås dekket gjennom en tilleggsbevilgning på 200 mill. kr og slutter seg til

Målet er altså å utstyre de norske kampflyene, F-35, med et våpen som gir mulighet til å ta ut godt forsvarte sjø- og landmål over lange avstander. Jeg slutter meg til dem som tidligere har sagt at en slik kapasitet vil bidra til at den norske krigsforebyggende terskelen styrkes, og at en eventuell motstander derfor må ta høyde for at det kan bli både svært kostbart og risikabelt å bruke militærmakt mot Norge. Norge. Det er betryggende. Nye kampfly med JSM vil være viktig for å styrke den nasjonale krigsforebyggende terskelen og samtidig NATOs nordlige region. Gjennom utviklingen av JSM bidrar Norge også med å ta fram kapasiteter og teknologi som styrker både den nasjonale og den allierte forsvarsevnen. Dette viser vår evne og vilje til å investere i egen og alliansens sikkerhet. JSM er et langtrekkende og presisjonsstyrt antioverflatemissil som utvikles gjennom et partnerskap mellom Kongsberg Defence & Aerospace og Forsvaret. På mange måter fungerer missilet som et lite selvstyrt fly, som kan løse et spesifikt oppdrag og gi Forsvaret en evne til å ta ut, som sagt, godt forsvarte mål på lang avstand. De viktigste målene vil være moderne marinefartøyer med avanserte selvforvarssystemer, men JSM kan også brukes mot landmål. For å ta disse oppdragene må JSM kunne ta seg fram til det riktige målet, unngå målets forsvarssystemer og treffe akkurat der det skal. Dette oppnår JSM gjennom en unik kombinasjon av tekniske løsninger. Flere av disse er utviklet fra grunnen av i Norge. Missilet er også det første i sitt slag som er utformet spesielt for å passe innvendig i våpenrommet på F-35. Dette gjør at F-35 kan bære inntil to JSM innvendig – ett missil i hvert våpenrom.

bestilt leveranser av 3 500 F-35-fly over hele verden. Her i Norge har et enstemmig storting som kjent gitt sin tilslutning til at det bestilles inntil 52 fly. Målsettingen for industrisamarbeidet rundt kampflyanskaffelsen har vært å sikre verdiskaping for norsk industri, tilsvarende verdien av av den totale anskaffelseskostnaden for kampflyprogrammet. Dette er planlagt oppnådd i hele levetiden for F-35, altså ca. 40 år fram i tid. Vi får håpe og se om ikke vi innfører dette. Mye av dette kommer gjennom leveranser av deler og teknologi til produksjonen av F-35, men enda mer vil komme som leveranse av våpen og i form av understøttelse av flyene gjennom levetiden. levetiden. JSM er viktig for industrisamarbeidet, og mulighetene for salg av missilet til andre er derfor betydelige. Til sammenligning har Kongsberg solgt over 1 000 sjømålsmissiler av typen Penguin til en rekke ulike land for bruk på både fartøyer, helikoptre og fly siden det ble introdusert på begynnelsen av 1970-tallet. Utvikling av forsvarsteknologi er kostbart, og JSM er ikke noe unntak. Ikke bare er teknologien svært kompleks den er gjerne unik, slik at mye må designes helt fra grunnen av. Utviklingen av JSM er fram til nå gjennomført innenfor kostnadsrammene Stortinget har satt. En uavhengig evaluering av det tekniske designet av JSM gjennomført vinteren 20l3–20l4 har bekreftet at JSM har den teknologiske modenheten som forutsatt på dette stadiet. Jeg er glad for det store flertallet i denne saken – en sak som vi i Høyre mener er et svært viktig tiltak for vår operative evne, for norsk forsvarsindustri, for byrdefordelingen i NATO og ikke minst for alliansen som

få fram Joint Strike Missile. Totalkostnaden for utvikling og kjøp av JSM blei i 2012 rekna ut til å vere 6 mrd. kr. Utviklinga av trinn I og 2 har vore gjennomført innanfor ramma og føresetnadene Stortinget tidlegare har blitt orientert om og har lagt til grunn i sine vedtak. Kostnaden for trinn 3 i utviklinga har derimot blitt 1,05 mrd. kr høgare enn rekna med i 2012. I kostnadsutrekningane i 2012 var det lagt til grunn at integrasjonskostnadene for JSM skulle delast likt med to andre partnarnasjonar. Etter gjennomføringa av JSM utvikling trinn 3 vil missilet vere klart for produksjon og integrasjon i Noregs nye Ein må no leggje til grunn at Noreg åleine må bere dei totale integrasjonskostnadene. Samla er konsekvensen at utvikling, kvalifikasjon, integrasjon og anskaffing av JSM totalt blir 2,2 mrd. kr høgare enn tidlegere rekna med. Samanlikna med det kostnadsbildet som blei presentert i Prop. 1 S

litt om artillerisystemet Archer. Etter å ha brukt 550 mill. kr på utvikling av nytt artillerikonsept saman med svenskane, vart det terminert. Det blei gjort kjent i ei pressemelding 6. desember 2013. Totalverdien av kontrakten var på 2 mrd. kr. No er det ting som tyder på at Noreg kan bli sitjande med heile rekninga. I Prop. 84 S, Investeringar i Forsvaret, opplevde vi ein kostnadsauke på 57 mill. kr på nye grensestasjonar i Sør-Varanger. I hovudsak kjem dette av forhold knytte til teknisk infrastruktur og at prisstigninga har vore større enn først rekna med . Desse ferske eksempla viser kor vanskeleg det er å prosjektere og utvikle tunge, kompliserte våpensystem. Også når det gjeld utviklinga av JSM trinn 3, ligg det endra føresetnader til grunn. Trinn 1 og 2 blei som sagt gjennomførte innanfor dei rammene og føresetnadene Stortinget har blitt orientert om. Det vekkjer uro at Noreg må ta utviklingskostnadene åleine. Det er liten tvil om at Joint Strike Missile frå Kongsberg kan medverke til at F- 35-anskaffinga blir ein industrisuksess, men då må våpna bli kjøpte og plasserte på fleire fly enn Målsetjinga med å få fleire F-35-land med på å dekkje denne kostnaden, har, trass iherdig innsats frå norske styresmakter og Kongsberg Defence & Aerospace, så langt ikkje lykkast. Dette medfører at utvikling, kvalifikasjon, integrasjon integrasjon og anskaffing av JSM totalt blir 2,2 mrd. kr høgare enn det vi tidlegare har trudd. Senterpartiet ventar tett økonomistyring i resten av prosjektperioden og føreset at regjeringa kjem tilbake til Stortinget om korleis dei auka kostnadene på 2,2 mrd. kr til utvikling, kvalifikasjon, integrasjon og anskaffing skal dekkjast inn. For Senterpartiet er det ein føresetnad at vår nasjonale forsvarsevne ikkje blir redusert som følgje av meirkostnadene med gjennomføringa av

Det har så langt ikkje lykkast. Som fleire vil vere klar over, står det i Innst. 441 S, for 2010–2011, til Prop. 110 S, for 2010–2011, at dersom fleirnasjonalt samarbeid ikkje vart oppnådd, ville det ikkje vere grunnlag for å gå vidare med seinare trinn av utviklinga. Seinare behandla Stortinget Forsvarets langtidsplan, Prop. 73 S, for 2011–2012, Et forsvar for vår tid, der det vart sett ei ramme for den samla pengebruken, med ei tilleggsløyving utanfor som vi skulle ha i samband med planen. Den ekstra summen var særlig grunngjeve med den store kampflyinvesteringa vi står overfor. Eg – og Sosialistisk Venstreparti – har kome til, under nokon tvil, at sjølv om vi sa at vi ikkje ville gå vidare med det utan at vi oppnådde eit fleirnasjonalt samarbeid, så er det eit prosjekt som det er lagt store ressursar i, som vi bør ha stor tru på, og som det derfor er riktig å gå vidare med. Men det er viktig at vi held på den klare føresetnaden om ei samla økonomisk ramme, som eit samla storting slutta seg til ved behandlinga av langtidsplanen. Det er svært viktig – uansett kva for sektor det gjeld i samfunnet at ein ikkje styrer på den måten at ein først set ei klar ramme, så kan ein rekne med, av erfaring, at det nok alltid vert løyvd ein del pengar i tillegg, dersom ein ikkje får det til likevel. Derfor vil vi absolutt at ein tek dei ekstra ressursane som vert lagde i utviklinga av JSM, frå den eksisterande forsvarsramma og det tillegget ein har vorte einige om, på toppen av

Utviklingen av JSM er for det første et svært avansert teknologisk utviklingsarbeid. Produksjonen av JSM vil involvere et stort antall bedrifter, i tillegg til Kongsberg Defence & Aerospace, KDA. Det viktigste er imidlertid hva JSM vil gi av operativ evne for hele Forsvaret, nemlig et langtrekkende antioverflatevåpen, med sjø- og og landmålskapasitet, spesielt mot vel forsvarte marinefartøy. JSM er det eneste våpenet som planlegges integrert på F-35, som fullt ut tilfredsstiller disse kravene. Kombinasjonen av F-35 og JSM vil utgjøre en betydelig styrking av den krigsforebyggende terskelen. Det er på denne bakgrunn at regjeringa anbefaler at JSM-utvikling trinn 3 gjennomføres, selv uten en partner på det nåværende tidspunkt. tidspunkt. Det er viktig å understreke at dette vil gi hele Forsvaret en økt operativ evne. På samme måte som vi ikke kjøper nye kampfly bare til Luftforsvaret, er også missilene en styrking av hele vår operative evne. En vesentlig del av utviklinga av JSM er gjennomført, og det grunnleggende designet er ferdigstilt. Teknologisk er missilet tilstrekkelig modent i henhold til de krav som stilles ved Utviklinga av JSM vurderes således å være i rute, med sikte på oppnåelse av full operativ evne for norske F-35 i 2025. JSM er, som flere har vært inne på, en videreutvikling av Naval Strike Missile, NSM, som ble utviklet gjennom 1990-tallet i et samarbeid mellom Forsvaret og KDA. Videreutviklingen av NSM til JSM, for bruk på nye kampfly, øker Norges evne til langtrekkende påvirkning og tilfører Forsvaret evne til bekjempelse av landmål over større avstander. Regjeringa ber i dag om Stortingets godkjenning til å gjennomføre trinn 3 i utviklingsløpet for JSM. Utviklinga av JSM gjennomføres da i tre trinn, hvorav trinn 1 og 2 er gjennomført. Denne proposisjonen omhandler trinn 3 og de elementer av kvalifiseringen og integrasjonen som skal kontraheres med KDA. Dette gjelder produksjon av missiler til testformål og tilhørende ingeniørstøtte fra KDA. Forsvaret har hovedansvaret for å tilrettelegge for kvalifisering og integrasjon av missilet. Kvalifiseringen skal bekrefte at våpenet kan leveres fra et kampfly, i henhold til gitte krav. Dette er et område hvor amerikanske test- og utviklingsmiljøer har særlig ekspertise, og denne tjenesten vil derfor Integrasjonen av missilet er arbeidet på selve flyet, og da særlig flyets programvare. Selve integrasjonen vil være en del av den første oppgraderingen av F-35 etter at utviklingsfasen er fullført. Denne første oppgraderinga av flyet er kjent som Block 4, og denne oppgraderinga skal, etter planen, være fullt operativ i 2022–2024. Forsvarets anskaffelse av missilet gjennomføres som en del av kampflyprogrammet når utviklingen er ferdig, og missilet er integrert på

Japan har også vist stor interesse for JSM. Jeg er glad for at jeg i dag kan presentere helt ny informasjon til Stortinget om at det nå planlegges etablert et partnerskap knyttet til integrasjon av JSM på F-35. Australia har signalisert at de ønsker et samarbeid knyttet til integrasjon og testing av JSM på F-35. Videre ønsker de å se på muligheten for å bidra med kompetanse og industriell involvering inn i utviklinga Gjennom en dialog de neste seks til tolv månedene vil vi ha konkretisert innholdet i en formell avtale. Ved gjennomføring av JSM-utvikling trinn 3, vil deltakelse fra norsk industri utvides betydelig. KDA har anslått at de vil engasjere i størrelsesordenen 60 norske bedrifter som underleverandører i prosjektet. Dette omfatter komponentleverandører innenfor flere områder, herunder mekanikk, elektronikk, kabling, eksplosiver og telemetri. I tillegg er flere bedrifter involvert i andre tekniske leveranser. KDA har selv anslått at JSM vil ha stor industriell betydning, og har estimert potensialet for nasjonal verdiskapning opp mot 20–25 mrd. kr. JSM-utvikling trinn 1 og 2 har vært gjennomført innenfor de rammer og forutsetninger som Stortinget tidligere har blitt orientert om og har lagt til grunn for sine vedtak. Gjennom trinn 1 og 2 har både KDA og Forsvaret fått et mer fullstendig bilde av de gjenværende utfordringene relatert til utvikling og integrasjon av missilet. Som følge av dette er det identifisert flere områder innenfor den siste delen av utviklinga hvor det er behov for mer arbeid enn tidligere forutsatt. Sammen med flere tekniske endringer har dette ført til at kostnaden ved siste del av utviklinga vil bli høyere enn det som tidligere har blitt lagt til grunn.

Dette innebærer følgelig økte kostnader for Norge, selv om prisen på integrasjonen i seg selv ikke har økt. I forhold til kostnadsberegningene gjort i 2012, vil integrasjonskostnaden bli 1,15 mrd. kr høyere enn beregningene gjort i 2012. Samlet er konsekvensen at utvikling, kvalifikasjon, integrasjon og anskaffelse av JSM totalt sett blir 2,2 mrd. kr høyrere enn tidligere anslått. Til sammen øker dette de forventede kostnadene for kampflyprogrammet fra 64 til 66,2 mrd. kr. Det har vært en lang forhandling med KDA, den begynte i august i fjor. Fra Forsvarsdepartementets side har vi vært opptatt av å få til en så god løsning som mulig, og det er også gjengitt i innstillinga hva som er hovedelementene i den avtalen som nå er Likevel vil jeg understreke at vi fra departementets side nå også setter i gang en gjennomgang med ekstern bistand, for å identifisere hva som er årsaken til at programmet nå blir dyrere. Regjeringa foreslår i proposisjonen å dekke merkostnaden på 200 mill. kr i 2014 som en tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet, altså utenfor den gjeldende Regjeringa vil, som i trinn 1 og 2, komme tilbake til Stortinget på vanlig måte, gjennom de ordinære budsjettprosessene, med anbefaling om inndekning av den resterende del av kostnadsøkninga. Jeg er glad for at komiteen slutter seg til gjennomføringa av JSM utvikling trinn 3. Det er helt sentralt for å kunne sikre at Norge vil kunne oppnå full operativ evne på de Kombinasjonen av F-35 og JSM vil bety en betydelig styrking av vår operative evne og ikke minst en styrking av den krigsforebyggende terskelen. Det vil også ytterligere befeste KDAs rolle som missilleverandør, og som en teknologisk spydspiss. Helt avslutningsvis vil jeg knytte noen få kommentarer til det som flere har vært opptatt av, nemlig industriell retur og industriavtaler knyttet til programmet. Målsettinga for industriell retur i levetidsperspektivet fram til 2054 er på i underkant av 40 mrd. kr, som altså tilsvarer anskaffelseskostnaden for selve flyene. Det er særlig tre ting som vil bidra: JSM er i en egen klasse med tanke på mulighet for industriell retur, men vi har også APEX-ammunisjon og kompositt som viktige, store områder. Nå er det inngått avtaler for ca. 2,2

fortsette med vår utålmodighet. Vi skal fortsette å presse på, og vi uttrykker veldig klart at dette er så klart uttrykt fra Stortinget som det kan bli. Samtidig skal vi også huske at akkurat nå er produksjonen av fly relativt lav – helt i henhold til planen. Når den produksjonen øker – også det i henhold til planen – er også sannsynligheten større for at volumet på norsk side vil øke, så lenge vi klarer å holde norsk forsvarsindustri konkurransedyktig, sånn at de kan levere på «best value»-prinsippet, som er det som ligger til grunn for anskaffelser. Det åpnes for

når det gjelder både innovasjon, arbeidsplasser og industriutvikling – ikke bare på Kongsberg, men hos en rekke underleverandører. Jeg vil likevel be statsråden være helt klar på at man også er opptatt av industriavtaler utover både Joint Strike Missile, komposittproduksjonen og annet som nå er på gang. Jeg vil også spørre statsråden om hun er innstilt på å stå på for å få JSM på flere fly, hos flere partnerland. Til det første spørsmålet: Det er klart at vi har et bredt spekter i vår tilnærming til industriell retur i dette Når JSM nevnes, og for så vidt også APEX og kompositt, som det store, er det fordi det er det som har potensial for å gi størst industriell retur, men det er ikke det eneste. Det er mange bedrifter involvert, både som hovedleverandører og ikke minst som underleverandører. Bare utviklinga av trinn 3 vil gi potensial for rundt regnet 60 nye bedrifter som kan involveres bare i dette prosjektet med Kongsberg. Så er det også, som representanten Nybakk er inne på, viktig at vi også jobber for at flere land skal kjøpe missilet og ha det på flyene. Dette er viktig av flere årsaker. Det ene er at det er viktig for den operative evnen i NATO at våre partnere har det samme missilet, men det er også viktig industrielt sett for Kongsberg og jeg vil også si for staten, fordi det foreligger en royaltyavtale dersom missilet selges til andre land.

Jeg har fått flere henvendelser fra aktører både innenfor prosjektet og utenfor når det gjelder å få komposittutdanning i Norge. Skal vi lykkes i fremtiden, er det naturlig at vi også er i stand til å utdanne dem som skal jobbe for oss. Er det noe som regjeringen, Forsvarsdepartementet, Forsvaret eller Kongsberg vurderer å snakke om, og eventuelt vurderer å starte?

men det er selvfølgelig en interessant ting å diskutere med kunnskapsministeren. I likhet med at vi generelt ønsker å satse mer på teknologisk utdanning i Norge, er dette noe som kan gå inn i den diskusjonen, så det vil jeg ta med meg til kunnskapsministeren. Jeg regner også med at representanten Tybring-Gjedde tar det opp direkte med kunnskapsministeren. Replikkordskiftet er omme. Bakgrunnen for JSM-prosjektet er at ingeniører som jobbet med sjømålsmissilet NSM, i 2004 laget en studie der det ble konkludert med at det var gode muligheter for at et nytt missil basert på

Kongsberg kunne ikke gjort dette alene, men det er naturlig at det er på Kongsberg utviklingen først og fremst foregår. Samtidig har en hatt eksterne uavhengige studier som har vist at NSM og JSM er missiler med ytelse langt utover det som finnes på markedet i dag og de nærmeste årene, noe som utenriks- og forsvarskomiteen fikk understreket da vi besøkte Washington DC. Senere analyser fra Industrielle og nasjonale interesser gjør imidlertid at selv ledende produkter trenger sterk støtte for å lykkes, og i så måte er forsvarsindustrien spesiell. Jeg er glad for de nyhetene statsråden presenterte i sitt innlegg, om partnerskap med Australia, og om satsing på å få i gang nye Stortinget har tidligere, bl.a. i Innst. 388 S for 2011–2012 knyttet til Prop. 73 S for 2011–2012, understreket viktigheten av JSM – operativt, industrielt og med tanke på forskning. Det er viktig å gjenta hvor viktig JSM er for industrien. Som en del av den nasjonale industrielle satsingen er JSM viktig for å kunne realisere Stortingets mål for industrisamarbeid, og sikre nasjonal verdiskaping over tid.

Nå er det over 8 000 mennesker som jobber i industrien – høyteknologisk industri – på Kongsberg. Det er et av de sterkeste industrielle clusterne – om ikke det sterkeste – i Norge. Hvis missilet blir standard på flyene, kan det skape mange nye arbeidsplasser. Det er samtidig viktig å understreke den operative betydning JSM har for Forsvaret. JSM gjør Luftforsvaret i stand til å ivareta kritiske nasjonale oppgaver der det i dag ikke finnes andre løsninger. løsninger. Vi utvikler nå et missil anpasset framtidens kampfly. Det vil bety en slagkraftig lavrisikokapasitet som fullt ut utnytter F-35s fordeler. Det er fantastisk å se den utvikling som har vært på Kongsberg etter omstruktureringen av Kongsberg Våpenfabrikk. Det har vært en formidabel sysselsettingsvekst,

Det finner komiteen rimelig å slutte seg til. Det dreier seg om en økning på 2,3 pst. Grunnen til at jeg ba om ordet, er egentlig for å vise til en liten merknad i innstillingen, at «det er viktig at innretningen på førstegangstjenesten må utvikles for å være best mulig tilpasset» Forsvarets behov, men også samfunnets behov – og ikke minst «den enkelte vernepliktiges behov». Dette er for så vidt ikke temaet her, men det kunne vært verdt en egen debatt. Vi får se om vi kan komme tilbake til det.

Det andre er at vi til høsten vil sette ned et eget utvalg som skal arbeide med nettopp de spørsmålene hvordan vi kan sørge for å modernisere og utvikle innholdet i førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov. Det er et arbeid jeg ser veldig fram til. Jeg tror det er viktig at vi gjør det – også fordi det er bred enighet i denne sal om at verneplikten skal opprettholdes. For å opprettholde verneplikten er det viktig å utvikle førstegangstjenesten på en god måte. Dette arbeidet er vi i gang med – og vil fortsette med til høsten. Flere har ikke bedt om ordet

f». Fredrik Sejersted skriver i sin juridiske avhandling «Kontroll og konstitusjon» at da Stortingets kontrollregime ble etablert i 1814, var kontrollen med statsrådsprotokollene selve hjørnestenen. Ordninga ble inntatt i Grunnloven § 75, etter svensk modell. Under den relativt strenge maktfordelinga var det prinsipielt viktig at Stortinget på denne måten hadde et grunnlovfestet krav på innsyn i det sentrale organ for den utøvende makt. Utover på 1800-tallet spilte protokollkontrollen også en helt reell politisk rolle, både som informasjonstilfang og som utgangspunkt for å ta opp enkeltsaker. Til langt inn i mellomkrigstida var de årlige innstillingene om statsrådsprotokollene ofte meget omfattende, og debattene ble brukt til oppgjør med regjeringa i en del enkeltsaker. Senere har det gått gradvis nedover. Formelt er ordninga bevart, men i realiteten har denne kontrollen nesten helt utspilt sin rolle. Innstillingene er kortfattede, og det er normalt ingen debatt. Det skyldes nok bl.a. at Stortinget nå kontrollerer regjeringa på andre måter, slik at det ikke lenger er noe behov for de årlige oppgjør som protokolldebattene tidligere var. Komiteen har ikke noe å bemerke til statsrådets protokoller for annet halvår 2013, verken når det gjelder benådningssaker, embetsutnevnelser eller fastsatte, endrede eller opphevede forskrifter. Komiteen skriver i innstillinga at den «vil drøfte nærmere hvordan forskriftsgjennomgangen mest hensiktsmessig kan håndteres innenfor tilgjengelig utredningskapasitet og kompetanse». Også tidligere komiteer

Problemet – og dette er viktig – har vært å få til noe mer enn en rent formell kontroll. I en moderne reguleringsstat er Stortinget avhengig av å kunne delegere lovgivningsmyndighet til forvaltninga, men det er ikke etablert noen prosedyrer for løpende konsultasjon. Stortinget kan imidlertid føre etterfølgende kontroll med Frøiland-utvalget vurderte om det burde innføres mer reelle og systematiske rutiner for den parlamentariske kontrollen med forskrifter, men fremmet ikke konkrete forslag om hvordan forskriftskontrollen burde utføres. Det ble antatt at kontrollkomiteen selv sto nærmest til å vurdere dette. Derfor er min meddelelse i dag også rettet mot presidentskapet.

deretter representanten

Mitt ansvar gjelder forskrifter under Miljøverndepartementets ansvarsområde, og jeg har noen kommentarer i forbindelse med det. Mens alle forskrifter fra Miljøverndepartementet i det foreliggende dokument er hjemlet i naturmangfoldloven, er det fire forskrifter som er hjemlet i er forskriftene om vern av Skjennungsåsen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren friluftsområder i Oslo kommune. Jeg vil bare understreke at naturmangfoldloven § 37, om naturreservater, blir vurdert som hjemmelsgrunnlag for vern av områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har men den har et annet verneformål enn markaloven § 11, nettopp fordi markaloven § 11 ikke skal ivareta faglige, biologiske kvaliteter. Forskriftene til de fire nevnte friluftsområdene er derfor riktig hjemlet i Det er åpnet for at privat eide områder med regional eller nasjonal verneverdi kan vernes gjennom en frivillig verneprosess, etter naturmangfoldloven § 37. Men dette skal skje etter faglige, biologiske kvaliteter, og ikke på grunn av naturopplevelsesverdier. Det er her vi er ved et veldig prinsipielt skille. går altså ikke etter faglige, biologiske kvaliteter, men etter naturopplevelsesverdier av særskilt kvalitet. For å kunne verne etter naturmangfoldloven § 37 er det de faglige, biologiske kvalitetene som må legges til

ulikt. Dagens regjering signaliserer en veldig aktivitet på forskriftssida. Det har de all mulig rett til, men Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen er pålagt ansvaret å skulle gå god for at dette er i samsvar med det lovverket vi har, og det Stortinget har svært, svært omfattende prosess. Representanten Lundteigen var oppe og redegjorde for ett eksempel der man må veie, se og så finne ut hvilket lovverk det faktisk er hjemlet i, og se på om det skulle vært hjemlet i et annet lovverk, osv. Det er svært komplisert, og jeg tror ikke jeg tar munnen for full ved å si at dette i praksis ikke lar seg gjennomføre med de ressurser vi har til rådighet i dag. Derfor er jeg også veldig glad for at komiteens leder sier at man i egnet form vil komme tilbake med dette til presidentskapet. Vi er forpliktet til å si at vi har kontrollert alle disse forskriftene, men i praksis – jeg tror jeg skal være så ærlig å si det – er det rett og slett ikke mulig å gjøre. ikke mulig å gjøre. Jeg tror de fleste av oss føler et ganske stort ubehag ved å si at vi har gjort det, når det i praksis faktisk ikke er mulig å gjøre det. Jeg tror vi måtte forlenge sesjonen ganske vesentlig og bemanne sekretariatet opp med ganske mange stillinger hvis vi skulle gå gjennom dette på den måten. Jeg vil oppfordre presidentskapet til – når det får denne henvendelsen – å ta dette på alvor, og at vi går gjennom det, sånn at Stortinget faktisk er i stand til å kontrollere og ta ansvar for de kontrollene vi gjennomfører, at vi får gjort det på en måte som er i tråd med de forpliktelsene vi måtte bli pålagt til enhver tid, og at vi har de ressursene som skal til for at det blir mulig å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

ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon.» På denne bakgrunn har det vært en brevveksling senere mellom kontrollkomiteen, statsministeren og landbruksminister Listhaug. I siste komitémøte ble det stilt spørsmål om det var i tråd med forretningsordenen å behandle saken i kontrollkomiteen når saken nylig er behandlet i næringskomiteen, Dokument 8:29 S fra i år. Det ble stilt spørsmål om forslaget til vedtak burde bli avvist som følge av en bestemmelse i forretningsordenens § 38. Konstitusjonell avdeling her i Stortinget har avklart at forslagene er forskjellige nok altså til stede for behandling i Stortinget i dag. Det som framgår av innstillinga, er at vi som partier ikke er enige om noe. Fremskrittspartiet og Høyre har egne merknader fra første setning, og jeg regner med at de sjøl vil begrunne sitt syn. Alle andre viser til at lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom, konsesjonsloven av 28. november 2003, er slutten på en utvikling som tok til med statsborgerloven av 1888. Konsesjonsreglene har i hele denne perioden vært politiske redskap i styringa av samfunnet. I § 9 første ledd nr. 1 i dagens konsesjonslov, om særlige forhold for landbrukseiendommer, heter det at avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig Flertallet viser til at det ifølge Gyldendal Rettsdatas kommentarer til konsesjonsloven, note 76, sist hovedrevidert 12. juni 2012, heter at «Momentene i første ledd kan tillegges større vekt enn de som er nevnt i annet og tredje ledd». Videre heter det i note 77: «Det skal foretas en vurdering av om den avtalte prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. I motsatt fall kan konsesjonssøknaden avslås. Med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling må bl.a. forstås en pris som bidrar til å realisere målene i landbrukspolitikken. Dette får ikke anvendelse dersom eiendommen erverves til annet enn landbruksformål og det ikke er påregnelig at eiendommen i fremtiden skal opprettholdes som landbrukseiendom. Er det objektivt sett påregnelig med jordbruksdrift som berettiger til produksjonstilskudd, skal det foretas videre: «Utgangspunktet for prisvurderingen er de produktive arealers avkastningsverdi og bygningenes gjenanskaffeleseverdi. Det er bl.a. angitt en minsteverdi for jordbruksarealer i forskjellige områder av landet, og rammer for tillegg av boverdi; i rundskriv M-1/2010 er den øvre rammen for tillegg av boverdi nå satt til kr 1 500 000. Tilleggsjord kan gis et tillegg på inntil 50 pst. Det er fastsatt en kapitaliseringsrentefot på I rundskriv M-2/2012 er det fastsatt at dersom prisen for en bebygd eiendom er under kr 2 500 000 skal prisvurdering unnlates.» Og til slutt om forskriften: «I «Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven» fastsatt av LMD 8. desember 2003 desember 2003 er det ved endring av 23. juni 2009 i § 1 annet ledd bestemt at i saker som gjelder søknad om konsesjon på eiendom som skal nyttes til landbruksformål, skal det i vedtaket vises hvordan prisvurderingen er foretatt i forhold til eiendommens enkelte deler. Dersom en på skjønnsmessig grunnlag er kommet fram til en annen pris enn det verdsettelsen av de enkelte delene tilsier, skal de hovedhensyn som har vært avgjørende for dette, oppgis.» Dette er del av et fullstendig referat fra Gyldendal Rettsdata når det gjelder hvordan bestemmelsene skal forstås. Derfor er Høyre og Fremskrittspartiets påstand i merknaden om henvisningen til Gyldendal Rettsdata – at de kommentarene ikke er fullstendige – feil. Det er positivt feil. Deres påstand om at referatet fra gjeldende rett gir et skeivt bilde av innholdet i loven, er dermed også feil. Flertallet i komiteen viser til at det i Landbruks- og matdepartementets brev av 4. desember 2013 til kommunene, fylkesmennene og Statens landbruksforvaltning med tittelen «Praktisering av priskontrollen» bl.a. heter: av priskontrollen» bl.a. heter: «Priskontrollen kan ha uheldige virkninger for landbruket, bl.a. fordi den kan dempe investeringslysten hos eierne.» Videre: «Et livskraftig og dynamisk landbruk er avhengig av et velfungerende marked for omsetning av landbrukseiendom.» Videre: «Regjeringen ønsker økt omsetning av landbrukseiendommer og har som ambisjon å gjennomgå regelverket med sikte på forenklinger. Dette vil likevel kunne ta noe tid.» Til slutt: «På denne bakgrunn mener departementet at praksis ved priskontroll bør legge til rette at praksis ved priskontroll bør legge til rette for økt omsetning.» Og så kommer den avgjørende setningen: «Departementet henstiller derfor om at prisen partene har avtalt, ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon.» Det er en klar forståelse i komiteen at innholdet i rundskrivene om prisvurdering opp gjennom tidene har endret seg. Det har vært mye diskusjon om innholdet, men hele tiden har disse rundskrivene fastsatt grunnlaget for prisen på konsesjonsbelagt eiendom, om den var innenfor en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Når det har vært så sentralt, er det sjølsagt fordi det i i jordbruket og landbruket er definert inntektspolitiske mål. Det er inntektspolitiske mål for jordbruket, og inntektspolitiske mål er ikke knyttet til kapitalavkastning. Målet er knyttet til den arbeidsbetaling som godt utført arbeid skal gi. Dermed er sammenhengen sånn at dersom prisene er for høye, vil den rest som er igjen for en sjølstendig næringsdrivende til arbeidsinntekt, bli lavere. lavere. Derfor er det en klar sammenheng mellom jordbrukspolitikkens generelle økonomiske politikk og lovverket for å sikre at inntektsmålene nås. Derfor har vi priskontrollen i konsesjonsloven. Det som nå har skjedd, er at ved departementets brev av 4.12.13 er priskontrollen igjen bare som et skall, uten innhold. Det reelle innholdet tas vekk, og derfor er denne saken kommet dit vi er, fordi det er et brudd med det konstitusjonelle grunnlaget for departementets arbeid. Samtidig, samme dag som departementet sendte ut dette brevet, sendte de også ut «Forslag om å oppheve bestemmelsene om «priskontroll» i konsesjonsloven». Departementet skrev da i høringsbrevet sitt:

Og medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at det er sikker forvaltningstradisjon for at Landbruks- og matdepartementet gjennom rundskriv har klargjort prinsippene som ligger til grunn for priskontrollen i konsesjonsloven. Dette har ikke tidligere skjedd gjennom henstillinger fra departementet. Gjennom Landbruks- og matdepartementets brev av 4. desember 2013 ble tidligere rundskriv som beskriver prinsippene for priskontrollen, i realiteten satt ut av kraft. kraft. Videre sier komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne at departementets brev av 4. desember 2013 foregriper Stortingets behandling av regjeringas høringsforslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. Dette flertallet mener at det er kritikkverdig at regjeringa sendte brev til kommuner, fylkesmenn og Statens landbruksforvaltning om i realiteten å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd ved behandling av konsesjon, fordi regjeringa foreslår å oppheve det senere. Det som videre er saken, er at alle partier, også Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at høringa om opphevelse av priskontrollen ble avsluttet 1. februar 2014. Høringsuttalelsene viser at synet på priskontrollen var delt. delt. Det samme flertall mener at det er gode grunner til å se på reguleringa av priskontrollen i konsesjonsloven, men se på det altså, se på de prinsipper som er og følge den sikre forvaltningstradisjonen som har vært, nemlig å ha rundskriv som definerer innholdet i priskontrollen. På denne bakgrunn sier det samme flertallet at det var uryddig av regjeringa å sende brev til kommuner, fylkesmenn og SLF om i realiteten å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd ved behandling av konsesjon, fordi regjeringa vil foreslå å oppheve dette. Brevet fra regjeringa foregriper Stortingets lovbehandling av regjeringas bebudede forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. Til slutt: På denne bakgrunn fremmer Arbeiderpartiet, Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne følgende forslag: «Stortinget ber om at brev med tittel Praktisering av priskontrollen av 4. desember 2013 til kommunene, fylkesmennene og Statens landbruksforvaltning om å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 umiddelbart trekkes tilbake.» Jeg tilrår komiteens innstilling. Først vil jeg si at jeg slutter meg helt og

versert i Stortinget ganske lenge, og har blitt behandlet på forskjellige måter. Sist vi diskuterte den var etter innstilling fra næringskomiteen, hvor de samme spørsmålene også ble diskutert ved siden av sakens faktiske realiteter og virkningen på landbrukspolitikken. Jeg vil legge til at det var innholdet og formen på den debatten som foranlediget at kontroll- og konstitusjonskomiteen tok opp igjen denne saken en gang,

mellom det jeg litt lettvint kaller for høyre- og venstresida. Slik skal det egentlig bare være. Det er ikke noe problem at det er en uenighet. Det er bare bra at folk leser, skriver og deltar i debatten på dette viktige politikkområdet, og kanskje mer enn tidligere.

at regjering og forvaltning bruker loven slik Stortinget har vedtatt den, og slik Stortinget mener at loven er å forstå. Det er ikke tilfellet i denne saken. Også i den innstillinga som presenteres her, er det et helt at regjeringas forståelse av loven er i strid med lovens bokstav, slik som saksordføreren har redegjort for, og i strid med Stortingets egen forståelse per i dag av hvordan loven er å forstå. Likevel velger både statsråd Listhaug i dette tilfellet og regjeringa som sådan tilsynelatende, hvis ikke statsråden skal si noe annet her i dag. Det er en alvorlig situasjon. Det er noen som sier at vi gjør dette for å plage statsråd Listhaug. Nei, hun kan komme hit med et forslag, få det vedtatt slik som hun ønsker, som hun kanskje hadde fått – jeg får si kanskje. Da hadde alt vært helt greit. Men det er ikke det de prøver. De prøver å omgå Stortinget som lovgivende myndighet. Jeg legger inn det jeg måtte ha av autoritet i egenskap av å være leder i kontrollkomiteen og sier: Dette kan vi ikke ha gående! Vi skal senere i dag diskutere en sak som ligger i akkurat samme gata, nemlig spørsmålet om snøscooter og forsøksordning. Da er det en annen statsråd som kommer til Stortinget for å redegjøre for den. Også i det tilfellet har vi nå Sivilombudsmannens klare uttalelse, som sier at det er i strid med loven. Den saken har også kontroll- og konstitusjonskomiteen på det grunnlaget vært nødt til å ta opp igjen. Jeg vet ikke hva miljøvernministeren vil komme til å si senere i dag, men jeg antar at hun vil legge seg på den samme linja. Landbruksministeren gir en begrunnelse for sin politiske handlemåte som bygger på regjeringserklæringa. Hun sier:

Problemet her er bare at statsråden forveksler en regjeringserklæring med loven. En regjeringserklæring binder ikke Stortinget på det vis, det er et politisk dokument. Det er loven det er snakk om, og før man har forandret loven, kan man ikke gjøre det statsråden har gjort, nemlig å sende et brev hvor man skriver at man kan se bort fra loven, inntil det er vedtatt en ny. Det er dette som er kontrollkomiteens ansvar, og den forvekslinga og den politiske argumentasjonen avslører hvilken politisk taktikk regjeringa har, nemlig: Den politiske argumentasjonen skal kjøres, og så får vi ta loven etter hvert som vi rekker det. Men det haster så veldig at vi må komme i gang med denne politikken allerede nå – i strid med stortingsflertallet. Dette er selvfølgelig et prinsipielt og alvorlig problem for Stortinget, og det burde etter mitt skjønn påkalle hele Stortingets oppmerksomhet på prinsipielt grunnlag. Men det må jo være en politisk utfordring for Kristelig Folkeparti og Venstre som sikkert – av det som kalles «parlamentariske grunner» – ikke i dag vil stemme for det forslaget som saksordføreren har fremmet, og som jeg støtter sterkt, for da vil det være en såkalt «situasjon». Men merknadene er jo helt tydelige. De er ikke til å misforstå, og jeg siterer merknaden der alle partiene, unntatt de to regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre, sier:
flertallet mener det er uryddig av regjeringen å sende brev til kommuner, fylkeskommuner og SLF om å se bort fra konsesjonslovens § 9 første ledd ved behandling av konsesjon fordi regjeringen vil foreslå å oppheve dette.» Det står også at «brevet fra regjeringen foregriper Stortingets lovbehandling av regjeringens forslag
om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven.» I hvert fall i forholdet til Kristelig Folkeparti og Venstre forskutterer man faktisk da at Kristelig Folkeparti og Venstre vil støtte et sånt lovforslag når det kommer til behandling i Stortinget. Jeg har ikke hørt noen representanter fra Kristelig Folkeparti og Venstre uttale en ubetinget støtte til en slik utvikling når det gjelder priskontrollspørsmålet. ikke engang har fremmet for Stortinget, slik at vi kjenner det konkrete innholdet, men man nuller likevel ut en meget avgjørende bestemmelse i lovverket. Det er det som ikke går. går. Jeg legger også merke til at statsråd Sundtoft bruker den samme teknikken. Det får vi ta i en senere debatt, men jeg sier det fordi det er prinsipielt relevant i denne saken. Sundtoft viser til regjeringserklæringa som argument for et forsøk på å undergrave forsøksloven. Det er akkurat det samme som skjer, og da er spørsmålet: Er dette bare noe disse to statsrådene forfekter, eller er dette regjeringas politikk overfor Stortinget? Det er det som er denne sakens kjerne. Derfor vil jeg avslutte med å si at på dette grunnlaget støtter vi selvfølgelig tilrådinga. Det ville være helt riktig om Stortinget nå sa at dette brevet må trekkes tilbake på prinsipielt grunnlag, for at vi skal få ryddighet i lovbehandlinga og i forholdet mellom storting og regjering. Dette er elementær kunnskap om forholdet mellom statsmaktene – elementær kunnskap! – og vi burde ikke fra en mindretallsregjering bli utfordret på denne måten som statsråden Listhaug gjør i den helt aktuelle saken, på vegne av Jeg forstår at det er vanskelig. Jeg sier det, og jeg forstår det egentlig fullt ut, slik som jeg har sagt det. Men jeg vil enda en gang oppfordre Venstre og Kristelig Folkeparti til å stemme for innstillinga. Det er den eneste naturlige konklusjon på de merknader og de oppfatninger som også de to partier har i denne

dag. Det skyldes rett og slett at loven selv gir en anvisning på at det er fem forhold som det kan legges særlig vekt på etter konsesjonsloven § 9 første ledd. Avgjørelsen av hvorvidt man skal godkjenne overføring av eiendom, vil altså bero på en prøving av hvorvidt disse fem hensynene er til stede om de er til stede i den enkelte sak, og med hvilken tyngde de er til stede i den saken som ligger på bordet. Så treffer man en beslutning etter en helhetsvurdering. Disse hensynene er altså, slik det har vært referert, ønsket om en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, driftsmessige forhold, egnethet til erverver, hensynet til en generelt forsvarlig ressursforvaltning, f.eks. vern av kulturlandskapet, og så finnes det andre momenter i annet og tredje ledd som også kan tillegges vekt. Når lovgiver, det vil si Stortinget, tidligere har brukt uttrykket «blant annet», er det et varsel om at hensynene som er nevnt, skal tilgodeses og vurderes skikkelig. Men det betyr ikke at det er foretatt noen uttømmende oppregning en gang for alle av de hensyn som kan tillegges vekt. Det kan altså legges vekt på andre momenter når de er relevante med tanke på å oppfylle konsesjonslovens formål. Det har vært praksis at varierende landbruks- og matministere har sendt ut rundskriv for å hjelpe til med en at varierende landbruks- og matministere har sendt ut rundskriv for å hjelpe til med en enhetlig administrasjon av loven hos konsesjonsmyndighetene. Blant annet heter det i et rundskriv fra 2009: «Konsesjonsmyndighetene må ta stilling til i hvilken grad de ulike hensynene gjør seg gjeldende, dvs. om de er relevante i saken, og med hvilken vekt de opptrer i saken. Hensyn det etter loven skal legges særlig vekt på, har stor vekt. Ved en totalvurdering hvor slike hensyn skal vurderes i forhold til andre relevante momenter, er det likevel ikke alltid at slike momenter får avgjørende betydning for resultatet i saken. Det kan være ulike grunner til dette, for eksempel at de øvrige momentene samlet trekker i retning av en annen løsning, eller at hensynet som etter loven skal tillegges særlig vekt ikke gjør seg gjeldende med særlig styrke i den konkrete saken. Et eksempel på det siste er erverv av eiendommer i områder hvor bosettingshensynet ikke, eller bare i liten grad gjør seg gjeldende. I slike tilfeller kan det etter omstendighetene legges mindre vekt på dette hensynet enn andre hensyn som etter loven er relevante.» Det interessante er at dette jeg nå siterte, er et rundskriv utarbeidet – man kan nesten tvile på om det er sant – av en partifelle av saksordfører Lundteigen. utarbeidet av tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk. Vurderingen som ble gjort i det rundskrivet, er i godt samsvar med lovgiverviljen uttrykt i denne sal. Denne vurderingen kan man finne igjen i forarbeidene, og den bygger på avgjørelser fra praksis, bl.a. en avgjørelse i departementet fra hvor man uttaler: «Lovens system er imidlertid ikke slik at en konsesjonssøknad uten videre skal avslås selv om prisen ut fra retningslinjene er for høy. Det er anledning til å ta hensyn til andre relevante momenter som faller inn under lovens formål.» Dette viser med all ønskelig tydelighet at når det i et nytt rundskriv under den nåværende statsråden står at prishensyn ikke nødvendigvis skal tillegges avgjørende vekt, skriver man seg inn i en tradisjon fra tidligere. Og «avgjørende» betyr altså at når pris er på den ene siden og de andre oppregnede hensynene er på den andre, er det ikke slik at prisspørsmålet alene skal føre til at erverver får avslag.

men ikke minst utenfor. Det som er vår erfaring, er at prisregulering fratar eierne oppsidepotensialet ved å eie eiendom, samtidig som eieren må bære den fulle nedsiderisikoen. Utover salgssituasjonen, som konsesjonsloven tar sikte på å regulere,

men hvis vi først går inn på de samfunnsmessige virkningene, må vi også se på virkningene av at eiere av slik prisregulert eiendom også må bære høyere finansieringskostnader ved investering, typisk ved utvidelser, ved modernisering eller ved et omfattende vedlikehold som tas med jevne mellomrom. Man kan altså rett og slett argumentere med at lovens formål om samfunnsmessig forsvarlig prising nettopp tilsier vektlegging av realistisk markedspris, som samtidig er det mest samfunnsmessig forsvarlige. Dette kunne man under henvisning til lovens formålsparagraf gjennom dynamisk lovtolkning, den lovtolkningen som skal til når lovens stive formuleringer skal tilpasses en ny virkelighet og nye erfaringer, den lovtolkningen som skal til når lovens stive formuleringer skal tilpasses en ny virkelighet og nye erfaringer, nådd frem til uten å forandre loven. Nå har regjeringen varslet at man vil ha en gjennomgang, man vil han en oppdatert lov. Det som da er vurderingstema for kontrollkomiteen, er selvfølgelig ikke hvilket reguleringsmessig syn man har, eller hvilket syn man har på landbrukspolitikken, det er hvorvidt brevet fra landbruks- og matministeren respekterer loven eller er på utsiden av den loven vi har. Da er det helt opplagt, med det jeg har vist til, at man også tidligere har presisert i samme gate og ut fra samme resonnement som det den nåværende statsråden har gjort, at man har vært lojalt innenfor den nåværende lovens den nåværende lovens grenser. I dette bildet er det meget betimelig at statsråden har gitt konsesjonsmyndighetene en påminning om de frihetsgrader som finnes innen loven slik den er i dag, uten å forskuttere – selvfølgelig – hvilken lov som kommer. Jeg har også lyst til å si at hvis man siterer flere deler av brevet, i stedet for å karakterisere den helt urimelig som at man setter loven til side – at man nuller ut prisreguleringen – vil man ved en konkret gjennomgang av det brevet som har vært kritisert her av saksordføreren og lederen av kontrollkomiteen, se at av brevet selv fremgår at det fortsatt eksisterer en priskontroll, samtidig som det henstilles til kommunene at de gjør den helhetsvurderingen som også tidligere rundskriv har basert seg på. Loven anviser ikke lenger avgjørende vekt på pris ved vurderingen av om det skal gis konsesjon, og dette er – som jeg har nevnt – innenfor forarbeidene til loven, hvor det er vist til at de skjønnsmessige vurderingene som skal gjøres, kan tilpasses endringer i utviklingen i samfunnet og skiftende politiske hensyn. Bestemmelsen er altså utformet slik at den kan ta høyde for at synet på hva som er en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan skifte over tid. I tilknytning til lovens formålsbestemmelse ble det i Ot.prp. nr. 79 for 2002–2003 uttalt at loven kan ta høyde for skiftende vurderinger. det: «Ordlyden er så romslig at den gir rom for utvikling og endring av faktisk art på tekniske, økonomiske, samfunnsmessige og andre områder, bl.a. med hensyn til behov og ressurser. Den gir bl.a. spillerom for skiftende oppfatninger og nye vurderinger.» Det vi i denne saken ser, er at det er dette handlingsrommet som er tatt i bruk, lojalt innenfor den nåværende loven, da brevet ble sendt ut til kommunene, fylkesmennene og Statens landbruksforvaltning. Det er ikke et handlingsrom som statsråden har tiltatt seg, men et handlingsrom Stortinget med vitende og vilje åpnet for i vedtaket av loven i 2003. Så kan man selvfølgelig spørre: Tjener det noe selvstendig formål å minne om det handlingsrommet i en lov som en har varslet formelle endringer av om ikke lenge? lenge? Jeg vil si at svaret på det er også et opplagt ja. Men det er ikke av hensyn til den politiske sfære, det er av hensyn til brukerne av loven i dag. Departementets brev av 4. desember ble sendt ut for å unngå at det skapes usikkerhet i kommuner og blant selgere og kjøpere om hvordan praktiseringen av priskontrollen skal skje frem til Stortinget har fått gjort de presiseringene i loven som en ønsker. Brevet har altså som hensikt å bidra til at ulike kommuner behandler søkerne i denne mellomfasen som er i samme situasjon, likt, hvilket også er en grunnsetning i god forvaltningsskikk. Og igjen: Brevet føyer seg inn i en uomtvistet praksis hvor det nettopp har statsråden å definere nærmere hva man legger vekt på innenfor lovens grenser. Det er dermed selvsagt ikke på noen måte kritikkverdig at regjeringen sendte ut det aktuelle brevet. Årsaken til at brevet ble sendt ut, var nettopp ønsket om å unngå usikkerhet i markedet for omsetning av landbrukseiendom. Slik usikkerhet ville også kunne ha som en samfunnsmessig uheldig konsekvens at omsetningen ville stoppet opp i påvente av at lovsaken skulle behandles av Stortinget. Følgelig er det ikke saklig grunn for Stortinget til å be departementet om å ta skritt for å kalle brevet tilbake. Jeg ser de forsøk som er gjort i den anledning, som – skal vi si – mer politiske markeringer i forbindelse med en underliggende realitet ved landbrukspolitikken som egentlig ikke henhører under kontrollkomiteens ansvarsområde. Fremskrittspartiet mener dette ikke burde være en sak for Stortinget, og har tidligere også vært ferdig med det temaet i komiteen.

Fremskrittspartiet og Høyre, om hvorvidt dette er innenfor lovens rammer og i tråd med dagens regelverk for priskontroll. Jeg oppfatter konsesjonsloven som en fleksibel lov, der det er lagt opp til løpende å vurdere ulike samfunnsforhold. Allerede i kapittel 1 § 1, som går på formål og virkemidler, sies det:

En bør forvente at landbruks- og matministeren vurderer løpende hva som er mest gagnlig for samfunnet når det gjelder eier- og bruksforhold og vernet om landbrukets produksjonsarealer. I kapittel 4 § 9 i konsesjonsloven er det pekt på fem forhold av betydning for om konsesjon skal gis. Disse er: om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning om erververen anses skikket til å drive eiendommen om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og

om i realiteten å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 ved behandling av konsesjon, fordi regjeringen vil foreslå å oppheve dette. I tilråding til vedtak foreslår Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne følgende: «Stortinget ber om at brev med tittel Praktisering av priskontrollen av 4. desember 2013 til kommunene, om å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 umiddelbart trekkes tilbake.» Jeg må si jeg er overrasket over innholdet i dette forslaget til Stortinget. Landbruks- og matministeren har da ikke sagt at man skal se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Dette er ikke riktig. Det statsråden har sagt i sitt brev – og jeg finner grunn til å referere det på nytt

Med det forslag til vedtak fra de rød-grønne partiene som er referert og framsatt i I, kan det dessverre synes som at Stortinget forledes til å tro at det fra departementets side er bedt om at man skal se bort fra § 9 første ledd nr. 1. Dette er ikke tilfellet. Departementet har henstilt om at pris ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om konsesjon skal gis. Det er noe helt annet.

at forslaget vil få flertall i Stortinget, spesielt når den parlamentariske situasjonen i Stortinget tilsier at dette ikke blir realiteten. Den politiske situasjonen på Stortinget har endret seg etter siste valg. Vi er tilbake til det som har vært det mer normale de siste tiårene: en mindretallsregjering. Dette betyr at makten nå Dagens regjering må derfor forholde seg til flere partier for å sikre flertallet. Dette gir makten til Stortinget. Det er en fordel for demokratiet, og ikke minst innebærer det at maktfordelingen igjen blir et gjeldende prinsipp i vårt land. Regjeringen skal være den utøvende makten, mens Stortinget er den lovgivende. Dette er realiteter Kristelig Folkeparti forventer at regjeringen forholder seg til, og som også tilsier at verken enkeltstatsråder eller regjeringen kan ta Stortingets tilslutning for gitt. Dette må gjelde i landbrukspolitikken så vel som på alle områder der flertallet i Stortinget måtte ha andre posisjoner enn regjeringen. Selv om ikke innholdet i landbrukspolitikken når det gjelder priskontroll og konsesjonsloven, er utgangspunktet for behandlingen av denne saken i dag,

Særlig i områdene rundt byene vil prisene på landbrukseiendom lett bli drevet i været av personer og firmaer som ønsker å utvikle gårdseiendommer til boliger eller fritidseiendommer, og dermed legger ned den gårdsdriften en måtte ha i dag. Dette hindrer bønder vil kunne forsvares med den inntekten gården vil ha muligheter for å gi. En målsetting Stortinget har slått fast, er at rekruttering skal være en del av de landbrukspolitiske målsettingene for norsk landbrukspolitikk. Men en politikk uten priskontroll vil være skadelig for nettopp denne rekrutteringen – og ikke bare for den, men også for ressursutnyttelsen, noe som kommer i et motsetningsforhold til Stortingets mål om økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad. Selv om vi mener at det kan være grunner – og gode grunner – til å se på reguleringen av priskontrollen i konsesjonsloven, er vi av den klare oppfatning at det var uryddig av regjeringen å sende brev til kommunene, fylkesmennene og Statens landbruksforvaltning om det vi å se bort fra konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 ved behandling av konsesjon. Vi opplever at brevet har skapt usikkerhet og fortolkningsproblemer hos både kommuner og fylkesmenn, og dette bidrar til en mangel på forutsigbarhet. Vi opplever dette som uheldig. Kristelig Folkeparti kommer i dag ikke til å støtte det framsatte forslaget fra de men vi har likevel klart gitt uttrykk for vårt syn på regjeringens håndtering av denne

egentlig ikke om hva slags landbrukspolitikk vi skal ha, den handler om hvorvidt regjeringen kan gripe inn ved denne type brev og endre loven før den er endret i praksis. Det som gjør denne saken også politisk spesiell, er at regjeringen på forhånd ikke har sikret seg et flertall for den lovendringen den har sendt ut i hvert fall er det litt oppsiktsvekkende at partiet Venstre, som eventuelt må være en del av det parlamentariske flertallet som statsråden bygger på, ikke er til stede i salen her i dag. Men Venstre tør tydeligvis ikke å vise seg i dag. Dette handler ikke om at det ikke innenfor dagens lov skal vurderes ulike temaer, slik flere representanter har vært inne på – det er riktig – men det er ikke slik at man har sagt at man kan se bort fra et av hensynene som er av de viktige styringsmekanismene i denne loven. Så kan man diskutere om priskontroll er riktig eller ikke. SV mener at det har vært helt nødvendig for at de som skal kjøpe et bruk, skal ha råd til å leve av det,

men regjeringen har altså sendt ut et brev der man ber kommunene, som er ansvarlige for å praktisere denne loven, se bort fra et av de viktige punktene. Og det er det som er kritikkverdig. Det burde ikke vært gjort. Man kan komme til Stortinget med et lovforslag om dette, der man sier at dette stryker vi nå, og så skaffe seg flertall for det – før man går videre. Dette er kontrollkomiteens viktige oppgave i denne saken, men det tegner seg nå et bilde av en regjering som gjennom denne type tiltak ikke alltid har sikret seg det flertallet på forhånd. Man er, som jeg var inne på i stad, veldig flink til å bruke forskrifter, men sender også ulike typer signaler for å styre fram en politikk. om de er fornøyd med den retningen som det nå ser ut til at de lar regjeringen styre etter, der regjeringen får gå veldig langt i sin retning, og så berger man det litt inn igjen i Stortinget. Vi så det samme i landbruksoppgjøret for noen få dager siden, vi har sett det diskusjonen rundt ostetoll, vi har sett det i flere saker: Regjeringen og regjeringspartiene sier at de har sin politikk, og den står man fortsatt på, og så skal man komme til Stortinget og skaffe et flertall som demper det litt. Mitt råd vil være at de som er støttepartier for denne regjeringen, nå må se at tida er inne for å sette ned foten – i hvert fall forventer jeg at man setter ned foten når det handler om at man ikke forholder seg til den loven som er gjeldende. Man kan være helt uenig om politikken, man kan ville både endre og fjerne lover – det kan jeg være politisk uenig i, men det er ikke det saken handler om. Hvis man skal ha tillit til en regjering, må man vite at den ikke, helt bevisst, bruker en helt bevisst, bruker en taktikk der man via andre kanaler ber forvaltningsområder som er tillagt ansvar, f.eks. for å praktisere denne loven, om å se bort fra deler av loven før den er

at inntil loven er forandret, gjelder den loven vi har i dag. Det er det denne saken handler om. Dette er en sak som er viktig for mange av oss, og som er veldig viktig for dem det gjelder. For mange kan den kanskje se liten ut, men problemet her er hvis dette prinsippet glipper. Da er vi i en alvorlig situasjon, og da handler det også om at et stortingsflertall må evne å tørre å se også

der omsetningen av landbrukseiendommer stoppet opp. Det var altså en god grunn til å rette en slik henstilling til kommunene. Jeg har også påpekt overfor Stortinget at det ikke er nytt innenfor dette lovverket at det blir sendt brev til kommunene med henstilling om praktiseringen før en lovendring er vedtatt av Stortinget. Ved sin behandling av Dokument 8:29 S for 2013–2014 den 8. mai i år ga Stortinget uttrykk for at de mente prosessen rundt brevet hadde vært uryddig. Det var samtidig ulike oppfatninger i Stortinget om hvordan jeg burde rette opp det de mente var en uheldig prosess. Kristelig Folkeparti og Venstre ønsket å få til behandling en proposisjon hvor en kunne se på reguleringen av priskontrollen på nytt, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at det skulle sendes ut et nytt brev. Jeg sa den gang i Stortinget at jeg selvfølgelig ville forholde meg til Stortingets mening om denne saken. Jeg har i brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen datert 6. januar 2014 vist til at mitt mål har vært at Stortinget skulle få et forslag om oppheving av priskontrollen til behandling i løpet av vårsesjonen 2014. Som en oppfølging i tråd med Stortingets behandling i mai har jeg lagt opp til at forslag om opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven kan fremmes for Stortinget i morgen. Stortinget vil dermed få anledning til å behandle kjernen i denne saken når en trer sammen igjen i høst. Jeg har dermed gjort mitt for at Stortinget nå får saken til behandling. Jeg ser i den forbindelse fram mot en god og konstruktiv dialog med Stortinget

Det er derfor slik i norsk landbruk at eiendomsretten – og dermed også driftsmuligheten – er en mulighet for mange, ikke bare en rettighet for de få. Det er ofte en trang til å skape et inntrykk av at norsk landbruk er gjennomregulert og detaljstyrt. Det brukes ofte i en retorikk, særlig fra høyresiden. Men eiendomslovgivningen i landbruket har en sterk historisk forankring.

med en forankring i Stortingets flertall, ikke gjennom plutselige brev fra departementets side. Det skjedde også som en endring innenfor formålet med loven, ikke gjennom en endring som i realiteten ser bort fra det som er nedfelt i loven, nemlig at priskontrollen skal vektlegge om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Så det som er forskjellen fra tidligere,

Men det var sterke signaler om å beholde priskontrollen i den høringen som har vært gjort i vår, og jeg håper at det også kommer til å bli tatt hensyn til i et videre lovarbeid. For øvrig vil Senterpartiet komme tilbake til sider ved priskontrollen ved Stortingets behandling av det lovforslaget som regjeringen har varslet, og som statsråden nå har bekreftet kommer til å gå i statsråd i morgen. Stortinget har tidligere behandlet de innholdsmessige sidene ved landbruks- og matministerens brev om at pris ikke skal tillegges avgjørende vekt. Da ble saken behandlet i næringskomiteen. Både i flertallets merknader og i debatten om saken den gang framkom det kraftig kritikk mot regjeringens atferd, og det var også en uttalt forventning om at det ble ryddet opp i tråd med den kritikken. Så vet vi alle sammen at svaret fra statsråden og Høyres representanter i den debatten var av en slik karakter at kontroll- og konstitusjonskomiteen så det nødvendig å behandle spørsmålet om priskontroll nok en gang. For det er faktisk slik at det at statsråden sjøl ikke vurderer sin handlemåte som å foregripe lovbehandlingen, ikke er tilstrekkelig for å berolige Stortinget. Flertallet sier fremdeles at brevet aldri burde vært sendt. Kristelig Folkeparti og Venstre går også så langt som til å si at det hele er uryddig, og det gjorde de også i næringskomiteen. Det vil si at det vi står tilbake med her, er et svært usikkert parlamentarisk grunnlag for de vedtakene som regjeringen og departementet gjorde, men vi sitter også igjen med at regjeringen har satt Venstre og Kristelig Folkeparti i en utrolig vanskelig situasjon, og politisk sett setter dem i en vanskelig situasjon. Jeg mener også at Kristelig Folkepartis innlegg her i dag bekrefter at det er ikke enkelt å forholde seg til denne situasjonen for Venstre eller Kristelig Folkeparti. Jeg må også si at jeg blir litt forundret over representanten Tetzschners forhold til de politiske sidene ved denne saken. Hans innlegg bærer også preg av at en prøver å overse at det er høyst usikkert om det er noe politisk flertall for det som regjeringen gjør. Det er det som er noe av kjernen i denne saken, at sjøl om Venstre ikke er her i dag, og vi ikke får høre deres mening, er det at sjøl om Venstre ikke er her i dag, og vi ikke får høre deres mening, er det ikke slik at en kan overse det politiske flertallets holdninger, særlig ikke til et så sentralt spørsmål knyttet til eiendomslovgivning i landbruket. Jeg opplever også at representanten Tetzschner på den ene siden forsøker å bagatellisere innholdet i det rundskrivet som er sendt ut, ved å si at det er jo ikke så mye mer enn det man gjorde tidligere, samtidig som han argumenterer sterkt imot det han kaller en underregulering av pris. Så argumenterer Tetzschner også med at en er lojalt innenfor lovens formål, samtidig som han sterkt forsvarer behovet for en ny lov. Jeg må si at den typen argumentasjon som Tetzschner der gjennomførte, var en nokså krevende øvelse. Jeg tror egentlig det hele handler om at han prøver å overse at han ikke nødvendigvis har et politisk flertall for det som han ønsker gjennomført. Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer har vært inne på og kommer sikkert også senere inn på de mer prinsipielle og konstitusjonelle sidene av saken. Men det er klart at respekt for Stortingets flertall, for de lovene som er vedtatt, og formålet med de lovene, er ikke minst viktig, og det må også ligge til grunn

Kristelig Folkeparti og Venstre tar en grundig vurdering knyttet til det videre arbeidet med loven på dette området. Jeg synes det er tjenlig at statsråden i dag kommer i Stortinget og sier at lovforslaget kommer så raskt som mulig. Det er sørgelig at vi ikke har hatt muligheten til å drøfte det tidligere. Vi må konstatere at når det blir framlagt på sesjonens siste dag, betyr det at det neppe blir

for stortingsflertallet eller for landbruket i regjeringens samlede håndtering av denne saken. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Saken har vært omfattende debattert, to ganger i kontroll- og konstitusjonskomiteen og én gang i næringskomiteen, så den er i hvert fall godt dekket.

verdifastsettelsen i landbruket en ren nåverdibetraktning av framtidige inntektsstrømmer. 9 pst. rente i det regnestykket betyr at verdien på eiendommen er under halvparten av hva den er på 4 pst. Verdifastsettelsen, selve grunnlaget for hele næringen, er altså en politisk bingo som man og som også illustrerer at det er faktisk heller ikke samsvar mellom renten man har brukt på jord, og renten man har brukt på skog. Så det er en konflikt internt der, og man har ikke et avklart forhold til om dette er en realrente, eller om det er en nominell rente. Det er veldig mange sider ved denne saken som burde debatteres grundig, og jeg er veldig glad for at vi nå får en ordentlig sak til Stortinget i morgen som legger grunnlag for en skikkelig diskusjon. For dette er rammer rundt en næring som er direkte ødeleggende for investeringsvilje og -evne. Man kan ikke finansiere og få med seg verdiene inn i framtidige satsinger, og man har også en politisk risiko i forhold til verdiene som man investerer i. Dette mener jeg er ting Stortinget må ta på det største alvor. Det vi egentlig nå har debattert et helt år, er en landbruksminister som har vært ærlig nok til å si at dette mener man faktisk ikke er rammebetingelser som gir næringen framtidsrettede forutsetninger, mens man tidligere bare har sjonglert med realrenten i regnestykkene uten at noen har sett at det er også å gjøre politisk bingo ut av verdiene i landbruket. Det er man ikke tjent med. Jeg får ikke kommet inn på alle poengene i dette innlegget, så jeg får heller komme tilbake. Først til representanten

Det har hele tida vært en sammenheng mellom kalkulasjonsrenta og det rentenivået som er i samfunnet. Den økonomiske sammenhengen er sjølsagt at når prisen på kapital er høy, blir bruksverdien på eiendommen lavere, fordi det går relativt mer til å dekke kapitalkostnader. Representanten Gundersen gir inntrykk av at det som vi skal diskutere, er er bl.a. kapitaliseringsfaktorer framover. Det er et prinsipp som henger sammen med at vi har priskontroll – kapitaliseringsfaktoren, som altså er et resultat av renta. Hvis du har 4 pst. rente, har du en kapitaliseringsfaktor på 25, har du 2, har du en kapitaliseringsfaktor på 50. Kapitaliseringsfaktor ganger bruksverdi i betydninga årlig avkastning gir da verdien. Det er jo en real debatt. Det er en debatt som vi som er for priskontroll, ønsker. Og det er jo innenfor det som er tradisjonen, så det er greit. Så til representanten Tetzschner, som sa at saksordføreren er en reguleringsøkonomitilhenger. Ja, navnet skjemmer ingen når vi forstår hva som er innholdet. Det å korrigere markedskreftene, det å være blandingsøkonom, er jeg stolt av, virkelig stolt av at vi bruker lov, skatt og avgift til å korrigere markedet. Det er nettopp når vi ikke gjør det, at vi får de samfunnsmessig negative konsekvensene. Det er ikke noen tilfeldighet at Det norske storting i en lang periode fram til nå har vært klar tilhenger av den økonomiske politikken, en økonomisk politikk som nå blir utfordret av partiet Høyre så til de grader. Det som her er sagt, er meget tydelig fra saksordførerens side. Til slutt i dette innlegget: Representanten Tetzschner sa at det var «sviktende premisser» fra saksordføreren. Jeg gjorde meg flid med å gjengi gjeldende rett gjengi gjeldende rett på en grundig, folkeopplysende, dokumentert måte, slik at vi i denne debatten skulle få et bedre grunnlag for å debattere sakene videre framover. Det er vesentlig at saksordføreren presenterer den fulle dokumentasjonen for dette, og det er gjort. Jeg skal komme tilbake til andre forhold i mitt neste innlegg. Representanten

Men allikevel dokumenterer dette for meg at det ikke er mulig for regjeringa å si at en har flertall for en alternativ politikk til den lovbestemmelsen vi har i dag, slik som debatten her nå er. Det understreker ytterligere det prinsipielle spørsmålet i denne saken. For hele begrunnelsen til statsråden i de brev hun har gitt til oss, og hva hun nettopp sa på Stortingets talerstol,

plikt å påpeke overfor Stortinget: Dette setter kontrollkomiteens autoritet under press. For da går de parlamentariske, prinsipielle sidene ved saken over det som er kontrollkomiteens oppgave og funksjon. Det synes jeg er alvorlig. Det er et flertall i kontrollkomiteen som mener at dette ikke skulle vært gjort. Det står helt tydelig i merknadene, og de er ikke skrevet av oss engang. De er skrevet av Kristelig Folkeparti og Venstre også selv. Til slutt vil jeg bare si: Representanten Tetzschner sa at standpunktene var besmittet av politiske synspunkter. Når vi hørte på representanten Tetzschner, forstår jeg hvorfor han sier det. For et tydeligere politisk innlegg i juridiske formuleringer enn hva han holdt, i juridiske formuleringer enn hva han holdt, kan du lete lenge etter. Det var helt tydelig og åpenbart at det fungerer på den måten. Men brevet, som relaterer seg til regjeringserklæringa, er selvfølgelig basert på en politisk mening. Det er det som er problemet når stortingsflertallet ikke har kvittert dette ut.
Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen,

prisstigning. Jord og skog er oppfattet av alle som å være rimelig inflasjonssikre investeringer, de stiger med prisstigningen i verdi. Det er nettopp det som er poenget. Her har vi en politisk fastsatt rente som man ikke engang har et avklart forhold til om er en realrente eller nominell rente. Når rentenivået i samfunnet er høyt, er det ofte på grunn av at man også har høy prisstigning. prisstigning. Da kommer det plutselig politiske vedtak om høyt realrentenivå i landbruket. Nå har vi faktisk en situasjon med relativt høy realrente i samfunnet, for det er nesten ikke prisstigning. Da sitter vi med lav realrente i landbruket. Det er nettopp det som er poenget. Alle blander realrenten inn i et system som – jeg gjentar – har gjort verdifastsettelsen til selve fundamentet for jordbruket, altså verdiene. Jordbruket og landbruket forvalter noe av fundamentet for jordbruket, altså verdiene. Jordbruket og landbruket forvalter noe av det viktigste vi har, arealene i landet. Alle berøres av det, alle ser på det, og alle er tjent med en god forvaltning av arealene. De har vi gjort til et spill rundt en oppfatning av hva som er den nominelle renten i samfunnet, og så endrer man det med et lite pennestrøk ved å lage et rundskriv. Og det var det som var poenget mitt. Hadde landbruksministeren bare satt ned renten til 2 pst., hadde ingen i dette hus blunket, og vi hadde satt all priskontroll ut av funksjon, for det finnes ingen, selv i Norge, som vil betale så mye for de fleste eiendommer at man kommer opp på en slik pris, hvis man regner med en kalkulasjonsrente på 2 pst. Da hadde man doblet dagens prisnivå.

Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen, som er sakens ordfører og derfor har 3 minutters taletid, selv om han har hatt ordet to ganger tidligere. Jeg er svært fornøyd med å være saksordfører i denne saken. Først til representanten Gundersen: Dagens kalkulasjonsrente på 4 pst., som gir en kapitaliseringsfaktor på 25, er en rimelig avveining av de økonomiske hensyn som vi står oppe i i dag. Det er en rimelig avveining som det ikke har vært noen stor politisk diskusjon omkring. Representanten sier at dersom en hadde gått fra 4 til 2 pst., hadde ikke noen

at kapitaliseringsrentefoten bare gjelder ut fra bruksverdiberegningene, hva som er bruksverdi, altså avkastning av jord og skau. En endring av kapitaliseringsrentefoten hadde bare fått konsekvenser for prisen knyttet til bruksverdiene. Men det er jo de andre verdiene, som ikke har med landbruksmessig bruk å gjøre, som i dag driver det hele opp. Det er de verdiene som gjør at kapitalsterke personer i dag for å få bosted, for å få den autoritet som ligger i dette ut fra historisk tradisjonelle former, og ikke minst for å få utmarkseiendommer, hvor prisnivået i dag er helt uavhengig av avkastninga. Så det å ha diskutert kapitaliseringsrentefoten, hadde vært en svært fordelaktig sak, for da hadde vi jo holdt oss innenfor det som var prinsippene hele tida, nemlig at det er et spørsmål om hva som er verdien av eiendom til landbruksformål. Da hadde vi holdt oss innenfor det som er kjernen, nemlig at de som arbeider med arealene, skal ha en mulighet til å få en arbeidsinntekt av sitt arbeid. Men det vi nå gjør, ved å beholde bare skallet og ta vekk hele innholdet i priskontrollen, er at vi fullstendig fjerner oss fra prinsippene som vi har hatt. Jeg gleder meg til å diskutere videre med representanten Gundersen,

Høyre har aldri vært interessert i det, for de har stått for en tradisjon at disse menneskene ikke er en del av deres velgerbase. Det er ofte slik at hvis en gjentar en feil mange nok ganger, blir det til slutt rett. Representanten Lundteigen nevnte på nytt at det bare blir skallet igjen når man tar vekk selve priskontrollen. I denne saken har de rød-grønne gjentatte ganger hevdet at statsråden med sitt brev har opphevet i § 9 første ledd nr. 1. Dette er ikke riktig. Statsråden har kun henstilt om at pris ikke skal tillegges avgjørende vekt når en foretar vurdering på bredt grunnlag blant alle de fem tidligere nevnte kriteriene. Til representanten Karin Andersen, som uttrykte undring over at regjeringspartiene fremmer disse to partienes politikk: Ja, det skulle bare mangle. Det er jo den politikken de to nevnte partiene er innvalgt på. Jeg må si at jeg synes denne saken har blitt en stor storm i et meget lite vannglass. Statsråden har i dag meddelt at hun kommer med en sak om priskontroll. Den vil bli forelagt Stortinget i morgen, og til høsten vil vi få anledning til å diskutere selve loven. Men inntil da er det bra at statsråden har gjort et forsøk på å dempe usikkerheten i denne type saker.

biter seg fast i forestillingen om at rundskrivet som gikk ut fra departementet, er utenfor konsesjonsloven, vil man selvfølgelig få en lett prosedyre for å si at lovendringer ikke skal komme gjennom rundskriv. Det er det jo ingen som bestrider. Men det vi egentlig diskuterer, som jeg også mener at jeg i mitt første innlegg viste meget klart, er at dette rundskrivet går inn i rekken av presiserende rundskriv som har hatt samme vurderingstema og til dels likelydende konklusjoner, og da viser jeg altså til landbruks- og matministre, fra Arbeiderpartiet Gunhild Øyangen, og fra Senterpartiet Lars Peder Brekk. Så var jeg, som representanten Arnstad også refererte til, inne på at dagens lovgivning har en formålsparagraf hvor det sies at landbruksforvaltningen og prispolitikken skal utformes av hensyn til hva som er samfunnsmessig forsvarlig pris. Det var i den forbindelse jeg tillot meg å trekke inn at det har store samfunnsmessige skadevirkninger i form av underregulerte priser. Det er derfor vi har kvittet oss med den form for regulering, bl.a. i boligmarkedet, fordi det har andre skjevheter som man kanskje oppdager etter lang virketid. Essensen av dette er at det ikke er grunnlag for, man skal beklage seg over at statsråden ikke hadde politisk flertall bak det rundskrivet – nettopp fordi hun ikke trengte noe politisk flertall fordi det rundskrivet var innenfor rammen av gjeldende lov. Men så er det et moment som peker fremover mot ny lovgivning, og det er at det har kommet tilbakemelding om at omsetningen kan ha gått ned fordi markedet har overdrevne forventninger om hvilke endringer som kommer. kommer. Da kan det være greit å bruke det handlingsrommet som dagens lov gir, nemlig at man kan ha en rimelig og rimeligere prispolitikk innenfor de skjønnsvurderinger som allerede er fastslått i gjeldende lov, uten på noen måte å forskuttere hva en ny lov vil inneholde. Representanten Kolberg avsluttet med at det regjeringa her gjør, er

Nei, det er ikke sendt ut noe rundskriv, det er sendt ut et brev. I alle de år jeg har hatt tilknytning til Landbruksdepartementet, har jeg lært meg at «the devil lies in the details» – altså at man må ha et presisjonsnivå som er meget høyt når man leser det som kommer fra Landbruksdepartementet. Og det er ingen tilfeldighet at det her kommer et brev, og ikke et rundskriv, for det brevet som her kommer, kan for enkelte gi det inntrykk at det eksisterende rundskriv står ved lag. Men når en leser det, og kjenner forholdene, og ser hvordan brevet blir praktisert, forstår en at vi står igjen med et skall av en priskontroll uten et innhold. Konsesjonsloven § 9 har fem forhold, hvor det særlig skal legges vekt på samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, bosettingsmessige hensyn, driftsmessig gode løsninger, erververs skikkethet og om ervervet ivaretar hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er riktig, som representanten Tetzschner sa, at det skal foretas en helhetsvurdering. Det er bare det at i praksis er det to forhold som er førende ved om det gis konsesjon eller ikke. Det er om en oppfyller personlig boplikt og om prisen er i tråd med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er mer krevende å vurdere hva som er en samfunnsmessig rett prisutvikling, enn personlig boplikt. Men priskontrollen gjennom det som jeg nå har beskrevet, følges opp av erfarne takstfolk etter prinsippene i rundskrivene, og er et av de mest sentralene punktene som debatteres i de kretser som er opptatt av hvem som skal eie arealer, og hva som er utviklinga. Så det er en kunnskap utenfor denne salen som er meget stor. Det er meget stor kunnskap om dette. Det er den kunnskapen om de prinsippene som har vært hittil, som nå settes til side, fordi en ikke lenger har noen prinsipper å vurdere prisen ut Derfor er realiteten det at brevet har tatt vekk priskontrollen. Derfor er forslaget umiddelbart å trekke brevet tilbake. Representanten Thorheim sa at jeg kritiserte regjeringen for å fremme sin egen politikk. På ingen måte det må den gjerne gjøre. Men regjeringen kan ikke forandre en lov uten å komme til Stortinget og skaffe seg et flertall for det. Da kan man endre en lov på en slik dramatisk måte som dette vil være. Nå ser jeg at representanten fra Venstre har tegnet seg på talerlista. Det er jeg glad for, for det er mulig at Venstre støtter regjeringens ønske om å rive vekk et av disse beina unna landbruket. Den friheten til å gjøre den feilen har de jo. Men Venstre må også mene at lovverket skal praktiseres og ikke forandres via brev til kommunene. Det må også Venstres representant gå opp her og si hva han mener om – om det er riktig at man kan fjerne et av de viktigste vurderingstemaene i en lov, via et brev, og om Venstre mener at det er greit eller ikke. Det venter jeg en avklaring på. Neste taler er representanten Abid Q. Raja. Det er ingen fra Venstre som har hatt ordet, og ifølge debattopplegget vil da Raja få en taletid på inntil 15 minutter. Raja få en taletid på inntil 15 minutter. La det ikke være noen tvil om at Venstre har vært og er svært kritisk til det brevet som statsråden har sendt. sendt. Jeg leser fra flertallsmerknaden i innstillingen, som alle i komiteen står bak, med unntak av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet: «Dette flertallet mener det er uryddig av regjeringen å sende brev til kommuner, fylkeskommuner og SLF om å se bort fra konsesjonslovens § 9 første ledd ved behandling av konsesjon fordi regjeringen vil foreslå å oppheve dette.» Det står også at «brevet fra regjeringen foregriper Stortingets lovbehandling av regjeringens forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven». Dette brev til kommuner, fylkeskommuner og SLF om å se bort fra konsesjonslovens § 9 første ledd ved behandling av konsesjon fordi regjeringen vil foreslå å oppheve dette.» Det står også at «brevet fra regjeringen foregriper Stortingets lovbehandling av regjeringens forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven». Dette er Venstre med på, så det er Venstres syn. Hva gjelder representanten Kolbergs spørsmål om prisgrensene. Jeg mener at det var den forrige regjeringen som hevet grensene noe. Dermed er det ikke lenger aktuelt med en slik dobling. I veldig korte trekk tror jeg nok alle her i salen vet at Venstre er for å liberalisere noe, men ikke for å frislippe. Venstre er for å myke opp.

på de større eiendommene og – ikke minst – på de bynære landbrukseiendommene. Det er fint at vi har denne debatten. Men denne debatten har vi egentlig hatt for noen uker siden. Det var en lang debatt i denne salen etter at næringskomiteen la fram sin innstilling om priskontrollen. priskontrollen. Jeg mener det er litt meningsløst at vi nå igjen skal debattere alt det som ble debattert da, og hva vi mente om det. Jeg bare viser til det Venstres representanter sa under den debatten. Jeg finner ikke grunn til å gjenta de talene. Venstres syn har kommet klart til uttrykk. Når det gjelder utfallet av disse langvarige landbrukstumultene, er sluttresultatet veldig nærme Venstres syn. Det må sikkert irritere mange – sikkert mange ulike politiske partier også, kanskje SV, fordi sluttresultatet er langt unna det SV mener. Men man bør også merke seg at hvis det var slik at Fremskrittspartiet fikk lov til å bestemme helt alene, er sluttresultatet også langt unna det Fremskrittspartiet mener.

er. Så kan man se på regjeringspartiene – to av representantene sitter her. De vil ikke beholde regionene, de vil fjerne det helt. Men sluttresultatet er at det blir en reform, og regionene blir beholdt. Dette er ikke nærme Venstres syn, det er Venstres syn. Så hvorfor skal vi gå rundt og være engstelige, bekymret eller stå til rette, når vi får vedtatt Venstres politikk i denne salen? syn. Så hvorfor skal vi gå rundt og være engstelige, bekymret eller stå til rette, når vi får vedtatt Venstres politikk i denne salen? Med det utgangspunktet at vi har 5,3 pst. oppslutning og nå sitter med reell makt i denne sal, og får den politikken vårt program preker, har jeg ingen problemer med den situasjonen. Jeg lever veldig godt med det. Jeg synes det er veldig behagelig, jeg synes det er veldig godt, og det irriterer sikkert mange politiske partier. Men det er slik Vi er veldig fornøyd med at vi får gjennomslag for den politikken som er Venstres politikk. Jeg skal ikke gjenta det som skjedde de siste åtte årene da en annen regjering styrte, og alle de gode forslagene som har blitt stemt ned. Nå får vi fokus på en rekke av de hjertesakene Venstre brenner for, det være seg miljøsaker, det være seg samferdselssaker, det være seg andre saker som vi debatterte og vedtok i går. Men jeg skal spare Stortinget for tid, for vi har en lang dag foran oss, og jeg merker meg at denne komiteen er veldig glad i å prate. Innimellom kan det framstå som å være til ingen nytte. Jeg bare slutter nå og kommer ikke til å tegne meg igjen, uansett hva de andre kommer til å si, for de kommer til å si en del ting, antar jeg. Jeg er liksom blitt vant til i denne komiteen at det er veldig mye spill. Men la det være sagt én gang for alle: For Venstre og for meg er jordvern, landbruk og kulturlandskap svært viktig. Vi er derfor fornøyd med å være i den maktposisjonen vi nå er i, slik at vi kan få et sluttresultat i politikken som er mye nærmere Venstres primærstandpunkt. Derfor er det ekstremt deilig å være sentrumsparti i Stortinget nå. Presidenten antar at komiteen debatterer, og ikke prater.

Det er det som ligger i saken – jeg ville bare si det. Det andre jeg vil si noe om, er lovtolking. Stortingssalen er ikke en rettssal, det er Norges nasjonalforsamling. Det vi står overfor her, er et flertall – vi har nå hørt representanten Raja si at han står bak kritikken – som mener at lovforståelsen har vært feil. Da er det

Det som er kjernen i det som er sitert, er vekten på bosettingshensyn, som sjølsagt skal vektlegges forskjellig – enten det er pressområder eller det er områder som har problemer med befolkningsutviklinga. Så sa representanten Tetzschner at en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er lik lave priser. Det er grunnleggende feil. Poenget er at siden det er priskontroll i loven, innebærer det prinsipielt at priskontroll er noe annet enn fri prisdannelse. Hele poenget med konsesjonslovens prisbestemmelser er at en gis anledning til å gripe inn i prisfastsettelsen i forhold til hva som kunne blitt resultatet i et uregulert marked. Dette er kjernen, og det er kjernen i et prinsipp som står fjellstøtt hos alle som arbeider med dette, fordi man av erfaring og etter å ha sett til andre land, ser hva som er konsekvensene av Representanten Tetzschner refererte til noe som kaltes realistisk markedspris – realistisk i forhold til hva? Det er et helt ukjent begrep. Realistisk markedspris har ingen forankring i noe rundskriv. Statsråd Listhaug sa at siden man ikke ville foregripe lovendringene, samtidig som man ville unngå at omsetninga av landbrukseiendommer stoppet opp,

forandret. Det kan man ikke forandre med et brev. Jeg vil oppfordre representanten Raja til å holde seg til sannheten når det gjelder andre partiers syn i saker. SV er for kommunereform, vi er bare mot den tvangen som Venstre er for – fordi tvangsekteskap er umoderne. Det var innlegget fra representanten fra Venstre som ga behov for å holde et nytt innlegg. I innstillingen står det: «I rundskriv M-2/2012 er det fastsatt at dersom prisen for en

og som gjør at man ikke griper inn med prisregulering på konsesjonsbelagte eiendommer når prisen er under 2,5 mill. kr. Der tar man bort priskontrollen. Representanten fra Venstre sa at Venstre står for å liberalisere noe, men ikke å frislippe. Det er akkurat den samme tradisjonen som den rød-grønne regjeringa sto for. Man liberaliserte på en rekke punkter, men man frislippte ikke. Når Venstre nå forteller hva som er deres syn, nemlig at man vil se på arealgrensene og på 2,5 mill. kr-grensen og heve den til 3,5 mill. kr, diskuterer man innenfor priskontrollen. Når man i det hele tatt diskuterer innenfor priskontrollen, kommer man ubønnhørlig ikke utenom begrepet «bruksverdi» på landbruksarealene. Bruksverdi på landbruksarealene landbruksarealene. Bruksverdi på landbruksarealene er den årlige avkastningen ganger kapitaliseringsfaktoren. Kapitaliseringsfaktoren er – som det kom fram i ordvekslingen med representanten Gundersen – rentenivået. Det som da er klargjort i denne debatten, er at hvis Kristelig Folkeparti støtter det som er sagt her, har vi fått avklart at det fortsatt blir priskontroll fortsatt blir priskontroll – det blir fortsatt priskontroll. Regjeringa vil lide nederlag i sitt syn på å ta bort priskontrollen, og det er en meget, meget viktig prinsipiell seier. Denne debatten har gitt resultater, og jeg er takknemlig for det.

Videre vil presidenten foreslå at blir gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre foreslås det at de talere som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. vedtatt. Bakgrunnen for behandlinga av saken om ny trasé for E16 gjennom Lærdal er ikke et stort politisk øyeblikk. Tvert imot er saken en demonstrasjon av hvor galt det kan gå i jakten på politiske meningsmotstandere for å skåre billige politisk poenger. Men saken har også prinsipielle sider, som det er helt nødvendig at Stortinget får kunnskap om, og som kan debatteres her i salen. Jeg skal komme tilbake til dette. Det startet selvfølgelig i media – som det så ofte gjør – med oppslag om at tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell en uke før regjeringsskiftet i 2013 hadde trosset Statens vegvesen og bestemt at E16 gjennom Lærdal skulle legges i at dette hadde blitt besluttet etter at daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete hadde tatt direkte kontakt med ham om saken. Det ble insinuert at Navarsete hadde personlige interesser i saken, med utbasuneringer av at hun bodde jo bare 300 meter fra europaveien, Statens vegvesens forslag ville bety ny vei 127 meter fra hennes bosted. Det var ingen tvil om at man ville etterlate et inntrykk i det offentlige rom av at her hadde de to statsrådene slett ikke rent mel i posen. Det var opplysninger som framkom i pressen. Jeg hadde nær sagt

eller ta forbehold i det de sier i det offentlige rom. Beskyldningene som kom fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, hadde en tone og et innhold som langt på vei overgikk det som pressen selv hevdet – og det i en sak som for alle oss som har vært i politikken og har skjønt politikkens vesen, helt klart framsto som en ikke-sak. Det er faktisk en del av arbeidsbeskrivelsen til en folkevalgt politiker å få fram saker fra sitt eget hjemfylke. Det er faktisk også en del av ansvaret og jobben til en sittende statsråd å fatte beslutninger i saker som ligger uavklart i departementet, selv om det finnes røster som taler imot den beslutninga som blir fattet. Derfor mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV at tidligere statsråd Solhjells vedtak om trasé for E16 gjennom Lærdal er i tråd med retningslinjene og god forvaltningsskikk. Vi mener det er legitimt, viktig og riktig å legge stor vekt på hva lokaldemokratiet mener i behandlinga i en innsigelsessak, selv om det selvsagt skal veies opp mot andre hensyn. For – og dette anser jeg som viktig – bortsett fra Statens vegvesen, som ønsket en annen løsning, gikk kommunestyret i Lærdal og fylkestinget i Sogn og Fjordane enstemmig inn for den beslutninga som statsråden har støttet seg på. De partiene som er representert her i kritikken, var helt annerledes plassert i Sogn og Fjordane. Dette dokumenterer selvfølgelig et politisk tvisyn, og det viser veldig tydelig for meg at det er dette som kalles for et politisk spill. Derfor var det et godt politisk fundament for de beslutningene som statsråd Solhjell traff. Det var fundert i de vedtak som jeg allerede har referert. Det var fundert i en meget grundig saksbehandling i departementet, som behandlet ankesaken, og den var helt ferdigbehandlet både juridisk og politisk, helt etter alle regler, da statsråd Solhjell traff beslutninga om hvor veien skulle gå.

at ingenting av dette gjentas i merknadene. Alt av kritikk om at det var gal saksbehandling sånn sett, all kritikk om at det var noe som skulle mele hennes egen kake, er ikke gjentatt av noen noe sted. Jeg sier dette med bruk av også kroppsspråk fordi det er veldig viktig å forstå at sånn skal man ikke drive på. på. Representanten Raja sa i foregående debatt her for et øyeblikk siden at han har opplevd at det var mye spill. Ja, dette er i hvert fall et tydelig eksempel på det, som ikke bør gjenta seg i kontroll- og konstitusjonskomiteen, etter min mening. For hvis det er slik at man kan stå fram i all offentlighet og kritisere en navngitt person, må man ha så mye kjøtt på beina at man kan gjenta dette i selve innstillinga – og ikke stikke av og late som det ikke har skjedd. Det mener jeg at alle bør merke seg, og jeg sier det i hvert fall sånn som jeg sier det. Kristelig Folkeparti har sagt at de ikke vil være med på dette. Det er en egen merknad fra Kristelig Folkeparti om dette som sikkert representanten Grøvan vil redegjøre for selv, så jeg bare viser til dette. Så er det slik at

men da opplevde vi følgende – og det er den andre siden av denne saken: Statsrådens brev – og det regner jeg med at statsråden, som nå er til stede, kan redegjøre for i debatten senere – kritiserte verken beslutningas innhold eller form. Jeg sier det en gang til: Statsråden mente ikke at behandlinga var gal,

nærmest for å redde seg i land, og skrev at statsrådens handlemåte hadde vært «lite skjønnsom». Jeg tror man skal lete lenge etter at man forsøker å fremme en konkret kritikk mot en statsråd i en protokolltilførsel, som ikke skal komme til Stortingets kunnskap. Det kunne ikke kontrollkomiteens flertall akseptere, og derfor er denne saken kommet hit. Så forsøker de andre partienes representanter å si at det er vi som har reist saken, for de ville bare nøye seg med en protokolltilførsel og da liksom få det under teppet. Sånn kan vi ikke ha det. Da må det hit, og derfor står vi her i dag. Jeg for min del og alle de andre var innstilt på å legge saken helt vekk – hvis protokolltilførselen ble trukket. Men det ville man ikke. Det er selvfølgelig en prinsipiell side ved hele saken: Kontrollkomiteen kan ikke begynne å kritisere navngitte personer og statsråder i protokolltilførsler som ikke Stortinget har forholdt seg til. Det er en så uryddig praksis at det ikke er mulig for meg å forsvare den. Så er det dette å si

prikke. Vi sier i merknadene – og jeg gjentar det her – at de eksemplene vi har, og som er relevante å støtte seg på, er det forrige regjeringsskiftet, altså regjeringsskiftet etter valget i 2005. Det er nærliggende og riktig og saklig da å hevde at det den regjeringa gjorde, først og fremst var et tydelig eksempel knyttet til tidligere statsråd Clemet, som altså

politisk. Det som vil bli utfordringa for statsråd Sanner i denne debatten, vil bli å uttale om regjeringa har en annen mening om hvordan en regjering skal opptre etter valget, når det er klart at den skal gå av, og om han annonserer nye retningslinjer. For hvis han gjør det, er det greit at Stortinget får vite det. Det er greit å få vite om når den eventuelt skal gå av, vil legge seg helt ned og ikke gjøre slike vedtak som her kritiseres. Her er vi inne i et veldig viktig prinsipielt farvann, for det er et stortingsflertall som står bak denne kritikken. Hvis det skal bli stående – hvis det er slik at regjeringa i denne debatten sier at at det var lite skjønnsomt av statsråd Solhjell å gjøre det han gjorde – hvis statsråden bekrefter det, har vi en situasjon. Hvis han ikke gjør det, er saken ute av verden. Jeg mener veldig at vi ikke har hatt noen problemer med praktiseringa av det regelverket som vi har i dag. Vi har aldri tatt opp disse sakene, vi har ment at regjeringa skulle fungere, og den er ikke et forretningsministerium før statsministeren har vært på denne talerstolen og sagt at han eller hun vil gå av. Det er også helt klart – forvaltningsmessig – riktig å si. Derfor handlet statsråd Solhjell, og regjeringa, helt i tråd med regelverket, og det var ikke grunnlag for å kritisere verken dette eller Navarsetes og Solhjells handlingsmåte i denne saken. At Statens vegvesen hadde en annen oppfatning, har særlig representanten Tetzschner framhevet som et avgjørende ankepunkt. Ja, Statens vegvesen veier men de demokratiske organene sa noe annet, og i henhold til det etablerte lovverket er det de som beslutter hvor veier skal gå i Norge. Så når saken har kommet hit, er det på dette prinsipielle grunnlag, altså for å få markert veldig tydelig at den kritikken som har vært framført i det offentlige rom, ikke har noe fundament i virkeligheten. Det mener jeg er bevist, både gjennom det faktum at de ikke repeteres i innstillinga, og at statsråden ikke mener det har foregått noe galt. Det er det ene. Det andre er spørsmålet om bruken av de regler som er regjeringas egne regler for hvordan regjeringa skal opptre etter et valg, og når det er klart at den skal gå av. Der mener vi at det er opptrådt helt i tråd med vanlig forvaltningspraksis. Og det tredje er at jeg slår fast at vi kan ikke ha kritikk av enkeltpersoner i protokolltilførsler, i forbindelse med kontrollkomiteens protokoller. Det er tre ting som er ute og går, og derfor er saken kommet hit, og det er av stor prinsipiell viktighet at vi får klarhet i disse spørsmålene, og jeg imøteser debatten med stor interesse. Da har representanter fra alle partiene tegnet seg, og da blir rekkefølgen litt annerledes enn presidenten indikerte, så neste taler er representanten Michael Tetzschner og deretter representanten Helge Thorheim. Jeg la merke til at saksordføreren helt har oppgitt å gjøre det som nemlig på en saklig måte føre Stortinget inn i saken, inn i temaet, inn i de interessante problemstillingene, før man så, på et eller annet tidspunkt, gjør rede for synspunktet til det partiet en selv representerer, og varsler at andre vil redegjøre for sine synspunkter. så vidt jeg har notert meg, var at denne saken startet i mediene. Det er ikke noe galt i det. Det er et samspill mellom den kritikken som fremføres i offentligheten, og opplysninger som tilflyter offentligheten, og derfor kan si at mange av oss ble forundret i januar i år da det fremkom enkeltheter rundt beslutningen om en sterkt fordyrende veiløsning i Lærdal, og at dette skyldtes det interne påvirkningsarbeidet som da pressen kunne referere mer i detalj. Nå er det jo ikke slik at man går inn på alle pressens premisser, slik det virket som om forrige taler mente at undertegnede og andre hadde gjort. Vi tok hele tiden forbehold. Jeg har også lyst til å si at de løsrevne sitatene fra den gangen – jeg skammer meg overhodet ikke over å se dem igjen – var en meget stor grunn til å gå inn på visse sider ved regjeringens håndtering av den saken. Så er det jo slik at på noen områder må vi i komiteen arbeide litt mer formelt, det vil si bare det vi er hundre prosent sikker på, eller i hvert fall inntil

bringe på det rene, og det som har fremkommet, er at man tok en meget stor politisk avgjørelse i den situasjonen som man selv har retningslinjer for internt i regjeringen for å vise varsomhet med å ta. Det var jo også påfallende at kontrollkomiteens leder i sitt innlegg ikke hadde noen referanser til det som faktisk er temaet for denne saken, nemlig hvorvidt statsrådene har etterlevet regjeringens interne retningslinjer for hvordan man beter seg når man vet at regjeringen går av. Så vil jeg gjøre en presisering: I noen sammenhenger når jeg ble intervjuet, brukte jeg ordet «forretningsministerium». Dét var ikke regjeringen da. Men den retningslinjen vi senere har målt dette opp mot, gjelder nemlig ikke regjeringens overgang til å være en ren kontorforretning. Dette gjelder altså den retningslinjen det tidligere ble henvist til, om hvordan man forholder seg når det er klart for alle at regjeringen går av, og at det også fra regjeringens ledelse var fra regjeringens ledelse var klart at den ville gå av, men før man altså hadde fått anmodning fra Hans Majestet Kongen om å fortsette som forretningsministerium. Det er det som er realiteten i dette. Det er da vi ser at saken måtte sjekkes ut bl.a. for personlige interesser hos noen av aktørene – nettopp fordi tidligere Senterparti-leder Navarsete og hennes mann hadde meldt seg inhabile da saken var oppe i det lokale kommunestyret. Så sjekket vi ut dette. Man kan fortsatt ha sin oppfatning av hvor nær aktørene kan være og likevel innvirke på det som ble sluttresultatet, nemlig at staten velger en løsning som statens egen fagmyndighet, nemlig Vegvesenet, sier er 400 mill. kr dyrere for skattebetalerne og dertil gir varig negativ samfunnsøkonomisk avkastning. Dermed blir denne fordyrelsen på 400 mill. kr det samme som et bevilgningsvedtak. Da skal man selvfølgelig være veldig påpasselig med å si at denne ressursallokeringen – i strid med det i strid med det som egentlig er økonomisk fornuftig – må ha gode begrunnelser. Og da skal man i hvert fall – og det er kontrollkomiteen oppgave – gå inn i tematikken for å se om noen har blitt tilgodesett på et ikke-saklig grunnlag. Jeg er i og for seg glad for at komitéleder har insistert på at vi skal bruke Stortingets plenumstid på dette, men det var også andre saker knyttet til daværende partileder Navarsete som ga grunn til uro og mistenksomhet, nemlig mottak av personlige gaver som ikke var oppgitt, og – kanskje det som verre var – mottak av pengeoverføringer fra offentlig eide kraftselskaper, kamuflert som ikke reelle konsulentoppdrag, kanalisert inn i Senterpartiet under den samme Navarsetes ledelse. Man lærer jo av erfaringer her i verden, og det er klart at noen ganger, med en slik historikk, blinker noen lamper raskere enn andre

Men så lenge de ikke var bekreftet, kunne vi ikke basere oss på dem. Men vi har lagt merke til at ingen av opplysningene har vært dementert av de angjeldende. Vi ble stående tilbake med daværende miljøstatsråd Solhjells uomtvistelige vedtak, rett før han skulle gå av, i en stor politisk sak. Da er det selvfølgelig heller ikke noe kriterium at selve avgjørelsen var populær noen steder. Det er ikke det som er demokratisk forankring. Kontrollkomiteen må påse at det er Stortingets prioriteringer som ikke skal påvirkes av sidehensyn. Vi konkluderer med at på bakgrunn av

kan ha tatt feil av situasjonen og ikke helt hadde forstått instruksen som regjeringen skulle arbeide etter. Det ligger ikke noen voldsom moralsk bebreidelse i dette, men at det var en feilvurdering, gjentar jeg gjerne herfra. Det er egentlig ganske utmerket at komitéleder har gitt oss anledning til å fremføre denne kritikken i plenum, noe som hører hjemme i et demokrati.

slik at alle som oppfylte de objektive kriteriene i loven for å få tillatelse til å drive skole, ikke bare hadde mulighet til å få drive skolen, men de hadde også rett til det. Det er sikker forvaltningsrett at man under påvente av et forestående regjeringsskifte ikke kan legge disse søknadene i skuffen, nettopp av hensyn til tredjemanns interesser.

søknader som var fremmet, inntil loven ble forandret. Vi har i en sak tidligere i dag vært innom hvor viktig noen synes det er at man nettopp ikke foregriper endringer i lovverket, og det kunne heller ikke Djupedal gjøre i sin tid. Følgelig er det ikke grunnlag for å si at tidligere regjeringers helt korrekte embetsførsel kan brukes som forsvar for den meget lite skjønnsomme vurderingen som ble gjort av statsråd Solhjell i dette tilfellet. Underveis oppdaget vi også at det var eksterne henvendelser til departementet som ikke var journalført, slik de skulle vært. Men i all vår romslighet får vi la det utestå i denne sammenhengen. Jeg takker igjen for at vi fikk anledning til fremføre hvorfor vår kritikk er særdeles velberettiget, og hvorfor det er viktig at vi har

å oppklare hvilken påvirkningsrolle tidligere statsråd Navarsete har hatt i denne saken. At politikere engasjerer seg i saker som berører deres eget valgdistrikt, er naturlig og bra. Problemet oppstår når saker får en slik karakter at de nærmer seg å gi en personlig vinning av et vedtak. Det har tidlig vært grunn til å kunne tro – på man kanskje har hatt en vinning av at denne saken får et utfall med en mye dyrere veiløsning enn den våre veistyresmakter har anbefalt. Det er viktig hvordan statsråden opptrer i en slik saks anledning, og for å være sikret en uhildet avgjørelse som det ikke kan stilles spørsmål ved, burde en ha ventet til etter regjeringsskiftet med å treffe en beslutning i denne saken. Det var tross alt ikke en ny sak. Den hadde vært til vurdering over en lang periode, 17,5 måneder, og den var til behandling helt fram til den nye regjeringen skulle tiltrå. Når statsråd Solhjell likevel valgte å behandle en slik sak, som er av stor økonomisk betydning, samtidig som den åpenbart var av politisk karakter, framstår beslutningen om å fatte vedtak på dette tidspunktet som lite skjønnsom. På bakgrunn av dette fremmer Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre en protokolltilførsel. Kristelig Folkeparti har nå trukket seg fra protokolltilførselen, og det har vi merket oss. Representanten Kolberg uttrykte at disse partiene gjorde dette for å redde seg i land. Det er ikke riktig. Dette var en konkret vurdering av det uheldige det er

noen andre partier heller. Når det først er blitt en sak, har jeg som representant for Kristelig Folkeparti noen betraktninger som jeg har lyst til å dele. Først noen ord om det som kan framstå som litt uryddig fra vår side. Vi var uenig i at det skulle sendes spørsmål til departementet om saken, og mente det ikke var saklig grunnlag for å stille

Det har, så vidt jeg har forstått, vært bred politisk enighet om at regjeringsmedlemmer bør være varsomme med å fatte viktige og kontroversielle beslutninger i den perioden det er klart at det vil bli et regjeringsskifte, og en ny regjering fra en annen politisk konstellasjon vil tiltre. Da er spørsmålet om denne såkalte var en så viktig og kontroversiell beslutning at den ikke burde vært tatt. Den type vurderinger kan være vanskelige, og i dette tilfellet er det en beslutning som kan diskuteres. Beslutningen om veivalg for traseen i Lærdal er ikke det en kan kalle en kurant sak eller en sak som hastet så mye at den måtte avgjøres av den forrige så mye at den måtte avgjøres av den forrige regjeringen, men på den andre siden hadde saken ligget lenge til behandling i departementet, og beslutningen ville ha dratt ytterligere ut i tid dersom en ny statsråd skulle sette seg inn i saken og så ta en avgjørelse. Vi må heller ikke glemme at det i Lærdal og Sogn og Fjordane var bred politisk enighet om saken. Man ønsket en løsning slik den rød-grønne regjeringen besluttet. Vegvesenet hadde imidlertid kostnadene. Trasévalget fordyret prosjektet med flere hundre millioner kroner. Daværende statsråd Navarsetes henvendelse til miljøvernministeren om trasévalget er en annen side ved saken som har vært berørt. Hun bor i nærheten av veitraseene og kjente området godt, og en statsråd skal selvsagt kunne involvere seg i saker som angår hans eller hennes hjemmeområde, så lenge de ikke er inhabile. inhabile. Så må hver enkelt, i den typen tilfeller, vurdere styrken i sin påvirkning og være klar over at noen kan stille spørsmål ved det. Kristelig Folkeparti har i denne saken kommet til at det ikke er grunn til å bebreide de berørte statsråder. Vi er fortsatt av den oppfatning at det som skjedde rundt kommunikasjonen og den rød-grønne regjeringens beslutning om ny trasé for E16 gjennom Lærdal, aldri burde blitt en sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen og derfor heller ikke her i salen i dag. Det burde ikke vært saklig grunnlag for det. Slik vi oppfatter de andre partiene, er det ikke innholdet i det som har skjedd i denne såkalte Lærdal-saken som er grunnlaget for at vi behandler dette som sak i dag, men begrunnelsene som framkom i protokolltilførselen for ikke å åpne sak,

fulgte opp seinere, og man kom med mange utsagn. Representanten Tetzschner sa bl.a. til Aftenposten 8. januar 2014 at en her måtte se om det var vennetjenester det var snakk om. Det ble etterlatt det inntrykket at statsråd Navarsete ikke hadde reint mjøl i posen og fremmet egeninteresser gjennom en telefon om en bestemt trasé til sin kollega Solhjell, som tok i saken. Det er også dette, som det kommer fram i diskusjonen her nå, at Navarsete ikke har hatt tilstrekkelig troverdighet som statsråd. Jeg må si jeg reagerer veldig sterkt på representanten Tetzschner, som forsøker å svekke folks troverdighet – som i en rettssak når det ikke er grunnlag for det i denne saken. Vi vet at pressens jakt etter statsråd Navarsete, som da var partileder i Senterpartiet, var meget omfattende, og jeg forventer at de gikk veldig grundig inn i forholdet mellom hennes bosted og veien.

og det er opp til Stortinget å vedta eller avvise bevilgningsforslag fra regjeringa. Forholdet er slik at det er ingenting å anføre til det. Som saksordføreren også har vært inne på, var dette en trasé som de folkevalgte organene lokalt var sterke tilhengere Vegvesenet ønsket i denne saken, som i andre saker, en billigere løsning. Det har også i Oslo vært en rekke saker hvor Vegvesenet har ønsket billigere løsninger enn det som Høyres representanter i Oslo har gått for. Det er helt normalt, fordi de politiske organene skal foreta totale samfunnsmessige vurderinger av det.

om at regjeringas beslutning var lite skjønnsom, og at det fortsatt skulle henge ved at det både forvaltningsmessig og med tanke på de aktuelle statsråder var gjort ting som ikke burde vært gjort. Derfor ønsket Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV å ta saken videre, som vi nå har gjort, og som vi er glade for.

Neste taler er representanten Karin Andersen, som nå har en taletid på inntil 10 minutter.

kanskje det meste – av det Tetzschner sa her på talerstolen, men ikke det som gjelder omtalen av Navarsete. Jeg synes vi ikke bør eller skal tillegge henne eller andre noe det ikke er dekning for. Jeg hadde egentlig tegnet meg fordi jeg fikk behov for å si noe til representanten Martin Kolbergs innledning. Jeg tenkte at det ikke skulle være nødvendig å si noe utover det de andre

representanten Martin Kolberg tar feil. Dette har ikke handlet om å score billige politiske poenger, heller ikke om å score poeng overhodet. Saken har gjeldt å sjekke om alt har gått riktig for seg. Jeg mener det er komiteens oppgave. Det er riktig at det var media som først omtalte saken. Men jeg mener det er helt naturlig å følge opp saken videre. Jeg noterer meg at representanten Kolberg har et annet syn på dette. Men han må tåle at andre har et divergerende syn. Representanten Kolberg mener kanskje at man overhodet ikke skulle gjort noe. Det er jeg uenig med ham i. I dette tilfellet utgjør vi andre, som har et annet syn enn representanten Kolberg, et flertall i denne salen. Representanten Kolberg har altså flertallet mot seg når det gjelder det synet han har framført her. Komitélederen har brukt sterke ord. Muligens i mangel på flertall for sitt syn har representanten hatt behov for dette, også for å demonstrere det med sitt kroppsspråk, som han selv formulerte det. Representanten Kolberg sier at dette er politisk spill. I enkeltes verden kan det være det – kanskje særlig for dem som selv er vant til spill. For meg har dette gjeldt å sjekke forholdene. Det er det jeg har trodd komiteen skal gjøre sjekke om alt har gått riktig for seg, å kontrollere. Da har det vært naturlig å følge saken og stille noen spørsmål om dette. Å debattere en sak og eventuelt å kritisere navngitte personer i offentligheten hører helt klart ytringsfriheten til. Jeg synes det er litt problematisk, alvorlig og overraskende at komitélederen på denne måten kanskje indirekte på denne måten kanskje indirekte vil bidra til å legge en demper på den offentlige debatten. Han sier nærmest: Hvis dere debatterer og kritiserer – må dere bare gjøre det hvis det skal ende i en innstilling. Jeg tror kanskje ikke det er det han mener, men det var slik det kunne høres ut. Da kan man ikke ta dette seriøst. Hva gjelder dette med politisk spill – om noen er drevne i politisk spill, tror jeg det er flere som kan tenke seg hvem i komiteen som er særlig god på politisk spill. Jeg responderer svært dårlig på trusselliknende advarsler. – Om dere ikke trekker protokolltilførselen, blir det full rulle og hardt Det er komitélederens privilegium å bruke harde ord og la det gå hardt for seg. Det har komitélederen også gjort. Jeg står likevel like støtt på at det var riktig å stille spørsmål som følge av det media brakte fram av opplysninger, og protokolltilførselen står. Utover dette viser jeg til innstillingen i sin helhet, og har ikke behov for å si noe utover dette i denne debatten, selv om det nå framover kommer til å hagle argumenter fram og tilbake. Jeg er for øvrig også enig i de retningslinjene som ble gitt av SMK om å utvise varsomhet med å fatte endelige beslutninger i viktige og kontroversielle saker. Her mener representantene i komiteen som representerer stortingsflertallet i denne salen, daværende statsråd Solhjells beslutning var lite skjønnsom. Denne saken burde ikke vært en sak i Stortinget i dag. Jeg kan forstå at noen kan reagere på avisoppslag. Det kan vel hende at noen hver av oss har reagert skarpt på noen oppslag, uten at vi har sjekket det grundig nok. Det at man, når man har stilt spørsmål og fått klare svar om at det ikke er begått noen konstitusjonelle feil – for det er det vi snakker om – går videre med en protokolltilførsel, der kritikken skal stå videre, er det som har vært problemet med denne saken. Den kritikken er ikke fremmet som forslag i denne saken. Da sier hele komiteen at dette skal legges ved protokollen – altså at dette ikke er en sak, fordi det er ingenting å bebreide. Det kan være stor politisk uenighet om saker. I denne saken var det et enstemmig kommunestyre og et enstemmig fylkesting som delte det synet som regjeringen landet på etter lang En av de kuriøse delene ved denne saken var jo at man en stund også satte spørsmålstegn ved om statsråder kunne ringe til hverandre. Jeg regner med at statsråder i salen i dag kan bekrefte at det kan man, gjør man og skal man. Det skulle bare mangle. Da man begynte å stille spørsmål om slike ting i kontrollkomiteen, burde det

og det regionale demokratiet, slik de vil ha det. At det er noen partier som kan være uenig i det på nasjonalt nivå, er en helt annen sak. Det er en politisk sak som man kan framføre i en politisk debatt og for så vidt ta opp i Stortinget. Hvis det var slik at regjeringen hadde hatt ønske om å omgjøre denne beslutningen, kunne de ha gjort det, eller representanten Abid Q. Raja kunne fremmet et forslag om å omgjøre denne beslutningen, hvis det er det han mener.

var, viste det seg at dette var innenfor reglene – politisk uenig, ja vel. Jeg leste en kronikk i Dagens Næringsliv da denne saken var som hetest i media. Den gode kommentator Alstadheim, som har en god penn, skrev at hvis representanten Tetzschner var interessert i å høre hvordan en avgående regjering ikke burde oppføre seg, kunne han snu seg i senga. Da regjeringen Bondevik gikk av, avgjorde den en svært kontroversiell politisk sak, som hadde vært en av hovedsakene i foregående stortingsvalgkamp. hadde vi diskutert dette. I hver eneste kommune og hvert eneste fylke diskuterte vi, og det var etablert et nytt flertall som var helt uenig i de beslutningene som ble tatt. Vi tok over og måtte ordne opp i det. Men vi sa ikke at det var et brudd på konstitusjonell skikk, eller at den regjeringen som satt, ikke hadde lov til å gjøre det – for det hadde de. Vi var helt uenige i det, men de hadde lov til å gjøre det, så det var ikke mulig å ta dem på formelle grunner, og det var det heller ingen grunn til å gjøre. Jeg er overrasket over at man ikke klarer å skille rollen sin som kontrollør av de konstitusjonelle forhold, og rollen som politiske motstandere, der man har politiske uenigheter og forsøker å danne flertall for det synet man har, i ulike saker. Det er to helt forskjellige ting. Derfor er debattene i disse sakene i kontroll- og konstitusjonskomiteen også helt annerledes enn de andre debattene, for der handler det om at man skal avgjøre politiske uenigheter. Dette handler om hvorvidt man har fulgt reglene. Jeg ser fram til at statsråd Sanner tar at det ikke er grunnlag for konstitusjonell kritikk, at det regelverket som lå til grunn for den forrige regjeringen, er det samme regelverket som denne regjeringen følger, og at regjeringen ikke arbeider med planer om å endre regelverket på en slik måte at en praksis i tråd med gjeldende regelverk i dag – som denne saken handler om – ville bli konstitusjonelt feil. Det er viktig å gjøre det, for ellers kan man sette spørsmålstegn ved det at kontrollkomiteen i Stortinget kanskje kan få en svært krevende oppgave framover med å kontrollere regjeringen på et nivå som i hvert fall ikke SV er interessert i. Vi er interessert i å diskutere politikk med en regjering som vi i mange saker er dypt uenig med. Men det har vi tenkt å gjøre åpent, og ikke på formelt grunnlag der det ikke er grunnlag for det. Jeg tror at denne regjeringen har som intensjon å oppføre seg så formelt riktig den kan, sjøl om jeg må innrømme at både saken vi diskuterte i stad og snøscootersaken gjør at man kan begynne å lure. Men jeg forventer at man forholder seg til spillereglene. Skal spillereglene forandres, kan vi være med på å diskutere det og ha meninger om det, men det handler ikke denne saken om. Denne saken handler om hvorvidt man har fulgt spillereglene. Det har man, og jeg forventer at statsråden bekrefter det. Først vil jeg understreke at jeg stiller meg fullt og

Men saken reiser en del spørsmål som jeg regner med at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre svarer ordentlig på. For det første er Solhjell og Navarsete blitt kritisert for at de ikke har lyttet til Statens vegvesen og fylkesmannen i tilstrekkelig grad, tvert imot har de valgt å lytte til kommunestyret og fylkestinget. fylkestinget. Det rimer veldig dårlig med det vi ellers hører fra regjeringspartiene om å ha tillit til lokaldemokratiet. De to statsrådene burde fått ros for at de har tatt lokal- og fylkespolitikerne på alvor. For det andre forventes vi stortingsrepresentanter å jobbe for Det handler ofte om samferdselsprosjekter, og ofte om helt konkrete veiprosjekter. Mitt spørsmål er om Høyre og Fremskrittspartiets holdning i denne saken innebærer at de vil innføre et nytt prinsipp om at hvis man bor i nærheten av E6 eller

saken. Det er tydeligvis sånn at disse partiene ønsker å endre praksis og regelverk, sånn at regjeringen ikke skal fatte beslutninger mellom valgdagen og den dagen regjeringen går av. Da må jeg spørre: Hva har statsråden og regjeringen tenkt å gjøre for å endre denne praksisen? praksisen? Igjen er det grunn til å minne om at Kristin Clemet godkjente mange privatskoler i tiden etter valget i 2005, før den nye regjeringen tiltrådte. Dette ble sterkt kritisert politisk av oss, Arbeiderpartiet og andre partier, men kritikken som ble framført, rommet aldri anklager om brudd på regler Men på grunnlag av den sterke kritikken som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har framført, formoder jeg at statsministeren og regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag om å endre dagens praksis. Hvis de ikke gjør det, framstår disse partienes kritikk som tomme ord og uten innhold, og partiene som uten evne og vilje til konkret oppfølging.
neste taler er representanten Michael Tetzschner og deretter

ikkje eg har vore vitne til før. Dei karakteristikkane av Navarsete som dei sette fram i media, talar for seg sjølve. Dei snakka om venetenester og inhabilitet, dei lurte på om telefonsamtalar mellom statsrådane var journalførte, og dei hadde billege påstandar f.eks. i Aftenposten. Men i dag har dei teke vekk all den kritikken som dei fremja i media, han har ikkje kome med i verken protokolltilførselen eller saka her i dag. Det var heller ingen grunn til å kritisera – og eg lurer på om den noverande regjeringa har innført å loggføra telefonsamtalar mellom statsrådar.

for. Vegvesenet hadde ei innvending på grunn av kostnader. Så gjekk saka til Miljøverndepartementet som rette departement. Me meiner saka der vart behandla på riktig måte. Det er ei avgjersle i ei svært ukontroversiell sak. Eg understrekar det, for det er jo det det står: Ein skal ikkje ta, eller ein skal vera forsiktig med, avgjersler i kontroversielle saker. Men ei sak som det er full politisk einigheit om, vil eg kalla ukontroversiell. Og saka vart avgjort der før regjeringa Stoltenberg vart eit forretningsministerium. Ein telefonsamtale mellom

Representanten Tetzschner, komitémedlem frå Høgre, snakka om inhabilitet og uriktig saksbehandling. Dei lyfta saka inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så avslutta dei saka, samstundes som dei la til protokolltilførselen, som Stortinget da ikkje ville få moglegheit til å behandla. Eg synest denne saka må seiast å vera brot på all parlamentarisk skikk og bruk. Når me ser utfallet

det er flere her som sier at dette ikke burde vært til behandling. Det har jeg ment fra første øyeblikk. Vi har fra første øyeblikk ment at det for det første ikke var nødvendig å sende noe brev til statsråden og spørre om det som det ble spurt om – for det var det ikke grunnlag for. Da vi fikk svar – riktignok først fra i Kommunal- og fornyingsdepartementet, men så bekreftet av statsråd Sanner – hadde vi fått de svarene vi trengte, og saken kunne på nytt vært stanset. Da sa Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i komiteen at de mente det ikke var en sak, men de ville legge til en protokolltilførsel som allikevel framførte kritikken.

etter denne debatten må sende et brev til presidentskapet og få klargjort om det i henhold til forretningsordenen kan innføres en praksis som sier at man kan framføre kritikk i protokolltilførsler – uten at det kommer til behandling i salen. Jeg har aldri opplevd det før. Jeg mener det ikke er noen god praksis at det i en protokolltilførsel i en komitéprotokoll skal ligge en skjult kritikk av navngitte personer. Det er ikke bra for Stortinget. Det er ikke bra for regjeringa. Det er ikke bra for dem det gjelder. gjelder. Derfor mener jeg at dette prinsippet må avklares. Jeg la merke til at representanten Tetzschner, som var initiativtaker til dette i kontroll- og konstitusjonskomiteen, ikke berørte dette prinsippet med et ord i sitt innlegg. Han har sjansen til å komme tilbake til det senere, om han synes at dette er en praksis som bør innføres. Jeg mener ikke det, og jeg tror heller ikke Stortinget mener det. Jeg ser at

riktig. Det er skjønnsomt gjort. Statsråden sier ikke i sitt brev at det ikke er det. Så det skal bli meget spennende å høre hva han nå sier om denne saken. Jeg skal unnlate å kommentere noe nærmere før jeg har hørt hva statsråden sier. Men det er helt åpenbart at hvis han stiller seg bak kritikken som er kommet fra de tre, som utgjør et flertall i Stortinget, formoder jeg at regjeringa uten opphold vil komme tilbake til Stortinget og si hvordan de vil opptre i denne sammenheng. Til slutt bare en mer konkret merknad – jeg skal i senere innlegg komme tilbake til andre forhold som er tatt opp i diskusjonen. Jeg vil komme med en veldig spesiell markering mot Tetzschners antydninger om det nærmest var nødvendig å gjøre denne øvelsen, under henvisning til andre saker. Hadde det blitt sagt utenfor denne salen, hadde det vært absolutt på grensen til en injurie. Det vet Tetzschner godt, som er grundig utdannet jurist. Jeg hører gjerne på hva han sier om dette i et senere innlegg.

Når det gjelder det sentrale spørsmålet her, nemlig hva en regjering kan/bør gjøre i overgangen mellom en avgående og en påtroppende regjering, er det nedfelt i Retningslinjer Om statsråd fra Statsministerens kontor.

å ha synspunkter på den kritikken som er fremført i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jeg kan selvsagt bekrefte innholdet i det brevet som ble sendt fra mitt departement, som også i første omgang burde ha vært sendt fra meg. Der er det ikke fremført noen kritikk, men det var det heller ikke vår oppgave å gjøre. vår oppgave å gjøre. Vår oppgave var å få frem de faktiske forhold, så langt det lot seg gjøre. Så er det opp til Stortinget og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å foreta en vurdering. Jeg oppfatter det ikke som min oppgave som etterfølgende statsråd å ha synspunkter på den kritikken som er fremført. Jeg verken kan eller skal – det verken kan eller skal – det vil jeg understreke – ha innsikt i intern saksbehandling i den forrige regjering. Det er grunnen til at det ikke er mulig for meg å gå inn i denne saken utover de faktiske forhold, som vi har meddelt Stortinget ved Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når det gjelder Retningslinjer Om Statsråd,

der han slenger ut noen påstander for fortsatt å la det henge et mistenksomhetens lys over tidligere statsråd Navarsete. Han sa i sitt innlegg at Navarsetes ektemann meldte seg inhabil i kommunestyrets behandling av den saken. Representanten Tetzschner vet utmerket godt, regner jeg med, at den traseen ikke var en del av den behandlingen, for den ble lagt bort. så godt som ham, som vi som sitter i salen her, og med å komme med den type påstander skal fortsatt mistanken henge ved. Jeg synes det er et uverdig spill, og jeg synes det er en uklok måte å opptre på. på. Hele denne saken startet med et ønske om å sverte statsråd Navarsete og sette hennes integritet på spill, og det ble påstått indirekte og direkte at hun gjorde dette for å tjene seg selv. Men da jeg leste innstillingen for å forberede meg til denne debatten, sto det ingenting om det. Og hvorfor det? Jo, det er vel som jeg leser i Asbjørnsen og Moe for mine barn: Når trollet kommer fram i lyset, sprekker det. Det var ingenting å kritisere statsråd Navarsete for, men det var et sterkt ønske fra representanten Tetzschner å sverte Liv Signe Navarsete som Senterpartiets leder. Det merket vi også i dagens innlegg, der representanten ikke klarer å dy seg for å trekke fram det ene eksempelet etter det andre som han mener er feil, og kaste et mistenksomhetens lys. Jeg synes ikke vi skal drive politikk på den måten.

og Strøm-Erichsen om at jeg ville ha noen forsvarsarbeidsplasser til mitt hjemfylke. Jeg var meget aktiv ved å ringe og snakke for å få traseer, veier, elektrifisering og arbeidsplasser til Hedmark. Hvis de skal legge seg på en sånn praksis og et sånt lavmål, er det umulig å drive politikk. Det er en fordel at vi har aktive statsråder for sine fylker, og jeg håper også Jan Tore Sanner ringer sine kolleger og kjemper Akershus’ sak i visse sammenhenger.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det inkluderer siste taler. Jeg er forundret over at vi har denne debatten. De borgerlige har altså insistert på å fremme en kritikk som det ikke er grunnlag for, på en måte som framstår som uortodoks, for å si det forsiktig. Det er åpenbart at de tidligere statsrådene Navarsete og Solhjell ikke har brutt noen lover eller vedtak gjort av Stortinget, og heller ikke opptrådt i strid med god forvaltningsskikk for en avtroppende regjering. God forvaltningsskikk tilsier at en regjering ikke skal avgjøre spørsmål det står politisk strid om, og som det nylig avholdte valget kan ha påvirkning på. Trasévalget for E16 gjennom Lærdal var ingen politisk det var enstemmighet om i både kommunestyret i Lærdal og fylkestinget i Sogn og Fjordane. Dette er interessant å se i den skarpe kontrast det står til regjeringen Bondevik II, som høsten 2005 fattet flere kontroversielle avgjørelser. Et eksempel var utbyggingen av Hatteberg-vassdraget i mitt fylke, en åpenbar og – jeg vil si – effektiv snubletråd for den påtroppende rød-grønne regjeringen. Det mest graverende var likevel den daværende utdanningsministerens godkjenning av privatskoler, like etter et valg hvor nettopp privatskoler hadde vært et hovedtema, der de partiene som ønsket den godkjenningen som ble gitt, hadde lidd et dundrende nederlag. Når jeg tar ordet i denne saken, er det for å understreke kritikken av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres opptreden i kontrollkomiteen i denne saken. Den og den undergraver etter min mening respekten for den utrolig viktige oppgaven kontrollkomiteen har. Det er ikke Stortingets oppgave å ettergå statsråder for det partipolitiske spillets skyld, men å kontrollere når det virkelig er behov for kontroll. Den oppgaven svekkes når man opptrer på den måten som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gjør her. Det er for øvrig interessant at de partiene så til de grader senker terskelen for hva som skal til for å kritisere en statsråd. som skal til for å kritisere en statsråd. Det skal bli veldig interessant å se om høyresiden vil opptre med samme lave terskel for sine egne statsråder. Noe sier meg at det ikke kommer til å skje. Dermed har man strøket på testen for hva som er en saklig og god måte å utføre oppgavene som medlemmer av kontrollkomiteen på.

Solhjell var rett eller gal. Det vi tar stilling til, er om regjeringen som kollegium, og statsråd Solhjell spesielt, har brutt regjeringens interne regelverk. Det lyder som følger: «Enkelte ganger vil det være klart at en regjering vil søke avskjed før dette er formelt meddelt Kongen og han har bedt regjeringen fortsette som et forretningsministerium. Det vil være tilfelle fra det tidspunktet statsministeren klart og utvetydig har erklært at han eller hun vil innlevere regjeringens avskjedssøknad. Mye kan tale for at regjeringen i en slik situasjon bør utvise varsomhet med å fatte endelige beslutninger i viktige og kontroversielle saker.» Det er også klart at Statsministerens kontor har minnet departementene om disse retningslinjene både før og etter valget. Det er som kjent også klart at Stoltenberg annonserte regjeringens avgang på valgnatten. Argumentasjonen fra de rød-grønne partiene er en henvisning til lokal enighet. Jeg siterer fra merknadene: «Disse medlemmer viser til at kommunestyret i Lærdal og fylkestinget i Sogn og Fjordane enstemmig gikk inn for det alternativet som regjeringen Stoltenberg bestemte skulle legges til grunn. Dette dokumenterer at tidligere statsråd Navarsetes engasjement og den beslutning daværende statsråd Solhjell traff, var godt demokratisk fundert, og hadde tverrpolitisk støtte i den kommunen og det fylket den angikk. Saken var således ikke politisk kontroversiell, det var tvert imot bred politisk enighet om den.» Da er lokal enighet blitt det viktigste argumentet for at en sak ikke er kontroversiell. Det er veldig interessant, all den tid fylkesmannen i mitt hjemfylke, Hordaland, hundrevis av ganger har stoppet saker det har vært lokal enighet om i Bergen bystyre, i Hordaland fylkesting og i andre kommunestyrer rundt omkring i Hordaland. Jeg synes det er bra at de rød-grønne politikerne tar den vendingen, men det er litt

gevinst, og så er det ikke kontroversielt? Flertallet i denne sal mener at det er kontroversielt, og vi mener det var lite skjønnsomt av statsråd Solhjell. Senterpartiet kritiserer ikke Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for det å stille spørsmål fra kontrollkomiteen. Vi var uenige i behovet for å stille spørsmål, men vi kritiserte ikke når det ble gjort. Vi mente at det å stille spørsmål var unødvendig, for vi kjente saken, og sånn viste det seg også at det var. Vår kritikk går på at det fortsatt skal Representanten Vedum avklarte veldig poengtert spørsmålet om habilitet, og jeg vil be representanten Tetzschner om å trekke tilbake sine utsagn om inhabilitet fra statsråd Navarsetes side i denne saken. Det Senterpartiet kritiserer, er kritikk mot enkeltstatsråder gjennom protokolltilførsel, som ikke skal synliggjøres for Stortinget gjennom debatt i salen – det er derfor vi har saken til behandling nå. Enten er det grunnlag for sak i kontrollkomiteen etter Stortinget forretningsorden og tilhørende stortingsbehandling, eller så er det det ikke. Debatten i dag har vi for å få slutt på protokolltilførsler, hvis formål er å dyrke tvil og svekke statsråders troverdighet. Representanten Kolbergs forslag om å sende brev til Stortingets presidentskap for å avklare den praksis med protokolltilførsler framover, har Senterpartiets fulle støtte. Helt til slutt: Statsråd Sanner holdt et poengtert, kort innlegg. Han ville ikke ta stilling til det skjønn om beslutninger som den forrige regjeringa tok etter at det ble klart at den måtte gå av. Jeg er helt enig – det vi her snakker om, er et skjønn. Det er utøvd et skjønn, og jeg forstår at nåværende regjering, hvis den kommer i tilsvarende situasjon, også vil utøve et skjønn i slike spørsmål. Til det siste: Selvfølgelig er det skjønnspregede regler, men det er ikke sånn at fordi man har utøvd et skjønn, er det hevet over kritikk. Det er til og med slik at det er ganske treffende å si at den beslutningen som ble tatt, var meget Når det så gjelder spørsmålet om inhabilitet, har jeg ikke uttalt meg om hvorvidt Navarsete eller hennes mann var inhabile på dette tidspunktet. Det var ikke det jeg sa i mitt første innlegg. Jeg sa at én av grunnene til at vi tok medienes omtale av dette alvorlig, var at de, som kjent, tidligere i fasen, hvor man parallelt vurderte tre muligheter, som grunneiere hadde meldt seg

nytte og 400 mill. kr i ekstrautgifter for skattebetalerne. Det er mange slike beslutninger, men da skal det ikke skje mellom flyttekassene på statsrådens kontor. Det er det som er det grunnleggende temaet her. Så vil jeg bare avslutte med å si at et medlem av kontrollkomiteen finner trøst i at vi nå vedlegger dette protokollen, og at merknadene dermed ikke er å legge vekt på.

Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen, som er sakens ordfører og derfor har 3 minutters taletid, selv om han har

praksis. Det var bra at han ikke sa det, for vi er helt enige om at de reglene vi har, er bra. Arbeiderpartiet for sin del har ikke hatt noe behov for å kritisere disse reglene. Våre regjeringer har fulgt dem på vanlig måte, og vi legger til grunn at kommende regjeringer vil kunne følge dem – uten at vi vil framføre dette som forvaltningsbrudd og lite skjønnsom opptreden. Det er det som er saken. at dette kan ende bra, i den forstand at statsråd Sanner har ryddet opp i dette. Han sier det som er å si, både direkte og indirekte, nemlig at de reglene som ligger der, er greie, og det er opp til den enkelte regjering å følge dem på en skjønnsom og riktig måte. Det har statsråd Solhjell gjort. Og all kritikken mot Navarsete er nå helt borte. De som har framført den her i stortingssalen, burde ta det innover seg – rett og slett. Det gjenstår. Så vil jeg bare si til slutt nevne Statens vegvesens anke og behandling av saker. Vi har sjekket en del forhold, og det høres kanskje litt spesielt ut, men det mest relevante å sammenligne med er forrige regjeringsskifte, altså etter Bondevik-regjeringa. Da var dette med friskoler veldig spesielt. Da traff tidligere statsråd Clemet avgjørelser om gjennomføring i strid med direktoratet. Direktoratet hadde mange innsigelser, men hun avgjorde det i strid disse. Det kan du politisk kritisere, men vi har aldri kritisert det forvaltningsmessig. Jeg mener ikke at det var galt heller, at hun gjorde det det i så måte. Politisk skulle hun ikke gjort det, og heller ikke forvaltningsmessig. Det er dette som er nerven i hele spørsmålet. Man forsøker å gjøre dette til en plattform for et politisk angrep på to tidligere statsråder, attpåtil bare som en protokolltilførsel i komiteen. Det siste får vi ta opp med presidentskapet, om det er i tråd med forretningsorden, så det får vi konkret komme tilbake til. Jeg forteller Stortinget nå at det skal jeg sørge for at vi gjør. Men det andre mener jeg at vi nå har lagt dødt, slik saken nå ligger. Jeg slutter meg helt til det komiteens leder nå sa. Vi må gå inn i denne måten å behandle saker på og finne ut om dette er

avgående statsråder. Det viser også debatten her i dag, der man ikke kan unngå eller ikke klarer å la være å bruke skrankeadvokatens metode på å si ting for å la det henge i luften om at det var et eller annet snuskete som foregikk. Det var ikke det. Det var var ordentlig. Man snakker også om at det var et spesielt kontaktmønster i regjeringen. Jeg vet ikke hvor man har slike synspunkter fra. Jeg regner med at statsråder har kontakt med hverandre hver eneste dag – det skulle da bare mangle! Det er jobben deres. Det må de ha. Hvis det er spesielt, vil jeg be om å få det dokumentert at det er annerledes nå. At det av og kanskje ønsker å spenne politisk beinkrok mellom flyttekassene når regjeringer bytter, har vi sett eksempler på. Men vi har ikke trukket det inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å si at det er konstitusjonelt feil. Representanten Tetzschner, tydeligvis med adresse til meg, sier at det som står i merknadene, er viktig. Det er det som står i forslaget, som er Stortingets synspunkter i denne saken. Den legges ved protokollen. Den burde vært lagt ved protokollen uten kommentar også i komiteen. Hele grunnen er at den kritikken man da forsøkte å framføre i en protokolltilførsel, som ikke skulle diskuteres, har man ikke tort å skrive på et papir og legge fram her i salen i dag for å stemme over. Man vet at det er feil, og nå har også statsråden bekreftet at det er feil. Politisk uenig kan man være, men konstitusjonelt er det ikke begått noen feil. Derfor kan man selvfølgelig heller ikke legge fram et slikt forslag i dag for å få det stemt over, for det ville ikke vært mulig. Det vet også representanten Tetzschner at Høyre ikke kunne gått med på. Han vet utmerket godt at det kunne ikke Høyre gått med på i det hele tatt. Derfor hadde jeg ønsket at påstandene fra dem som har vært oppe her og forsøkt å så tvil om tidligere statsråders habilitet og handlemåte – ut fra at det på en måte hefter noe mistenkelig ved dem – hadde vært kjent døde og maktesløse. At man er politisk dundrende uenig i det At man er politisk dundrende uenig i det som har skjedd, er helt akseptabelt. Eg føler behov for å ta ordet i denne saka som representant for Sogn og Fjordane. Det er

Inhabilitet ligg ikkje føre. Det er lytta til kommunestyret og fylkestinget sine samrøystes vedtak om korleis ein ønskte eit traséval, og så skal saka ende som ein stor debatt i Stortinget.

Så undrar eg meg litt over det momentet som blir trekt inn, rundt Fylkesmannen. Fylkesmannen må jo leggje ned motsegn for å kunne prøve å stoppe ei sak. Dette er ei sak som ein lokalt har vore einige om. Det er gjeve klare råd frå fylket til departementet. Det er korrekt saksbehandling. Saka var komen på statsråden sitt bord, og avgjerd kunne takast. takast. Det er veldig alvorleg å prøve å late det hengje mistanke ved dei tidlegare statsrådane Liv Signe Navarsete og Bård Vegar Solhjell utan at det er grunnlag for det. Det er veldig vanskeleg å verne seg mot slike mistankar. Difor er det ganske viktig at ein har denne debatten i Stortinget i dag og får slått fast ein gong for alle dei to tidlegare statsrådane er frikjende. Statsråd Sanner seier at dette ikkje er utanfor generell praksis. Dei er frikjende, og da kan saka leggjast død. Representanten Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. På tampen må jeg si at temaet fortsatt er det vi har brakt frem i protokolltilførselen, nemlig hvorvidt det ble utvist varsomhet med å fatte endelige beslutninger i viktige og kontroversielle saker etter at man hadde varslet at regjeringen ville gå av. Vi mener at den varsomheten ikke ble utøvet. Når man da likevel insisterer på at, joda, man var innenfor – de riktignok skjønnspregede – retningslinjene internt i regjeringen, mener vi det er utøvet et galt og uriktig skjønn. Det er det som ligger i formuleringen «uskjønnsom beslutning». Saken gjelder jo ikke alt det andre, f.eks. om noen var glad for beslutningen.

han da finne en ny vei og en ny knagg for å redde sin egen ære. Men den beste måten å redde sin egen ære på, er noen ganger å si: Jeg tok feil; den måten jeg opptrådte på her, var uklok; jeg hadde ikke rett i min analyse. Så kan man gå videre. Men istedenfor å velge den kloke vei er det nye angrep som blir forsvaret. Men det er ikke det beste forsvar. Jeg mener den type opptreden vi har sett i denne saken, bygger ned tilliten til politikere og til Tetzschner spesielt. Det blir bare spill og en målsetting om at det skal henge igjen mistanker mot tidligere statsråder, selv om det ikke er grunnlag for det. Jeg synes det er beklagelig, men det rammer Tetzschner mye hardere enn noen

nemlig! Det ville vært greit om Tetzschner rett og slett gikk opp på denne talerstol og sa: Vel, vel, vi får stoppe med det som nå er. Jeg tviler på om så skjer. At den opptreden som vi ser her, også setter statsråden i klemma, er det ikke noen tvil om, for det Tetzschner sier, er i strid med hva statsråden sa fra talerstolen. Han sa at det er regjeringas eget ansvar å utøve det skjønnet, og det er ingen andre som har kritisert et sånt skjønn. Derfor er det helt avgjørende viktig at vi slår fast – før vi slutter denne debatten – at det som er gjort, er innenfor reglene, det er i henhold til god forvaltningspraksis, det har ikke vært noe regelverk, og det har vært en helt ordinær behandling av en ankesak. Så er det blitt gjort til en politisk sak som attpåtil etterpå er forsøkt skjult gjennom protokolltilførsel. Det er ikke akseptabelt, vi kan ikke ha det slik, og jeg markerer veldig tydelig at jeg er enig med statsråd Sanner, og jeg er svært uenig i det
Presidenten gjør oppmerksom på at representanten Michael Tetzschner ikke har mer taletid. Så hvis Høyre skal svare på dette, må noen andre gjøre det. – Det ser ikke slik ut. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Jeg vil først takke for anledningen til å ta denne debatten, og jeg er veldig glad for at jeg fikk gjort det nå før sommerferien. Selv om presidenten refererte til

alle ha et sted å bo, og med riktig hjelp kan de få det. Det er altfor mange som opplever å bli kastet ut av boligen sin fordi de ikke har nok kunnskap om sine rettigheter og plikter. Det er også en utfordring at barnefamilier og unge bor i dårlige bomiljøer. Det siste jeg tok opp nå, er veldig viktig også med tanke på det forebyggende arbeidet som vi snakker om når det gjelder ungdomskriminalitet, eller ungdom som ikke nødvendigvis blir kriminelle, men

at de fleste bor godt i Norge i dag, men det gjelder ikke alle. 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6 200 et fast sted å bo. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, må få den hjelpen de trenger. Det er ingen tvil om at i et land som Norge skal alle ha et sted å bo, og med riktig hjelp kan de få det. Det er altfor mange som opplever å bli kastet ut av boligen sin fordi de ikke har nok kunnskap om sine rettigheter og plikter. Det er også en utfordring at barnefamilier og unge bor i dårlige bomiljøer. Det siste jeg tok opp nå, er veldig viktig også med tanke på det forebyggende arbeidet som vi snakker om når det gjelder ungdomskriminalitet, eller ungdom som ikke nødvendigvis blir kriminelle, faller utenfor samfunnet. Flere sektorer og forvaltningsnivå har et ansvar i boligpolitikken, men det har vært en svikt i samarbeidet over lengre tid, og det har gått ut over brukerne. Det er få politikkområder som er så sentrale for våre liv som boligpolitikk. Selv om boligpolitikk de siste døgnene og ukene har handlet om forenkling, plan- og bygningslov og de tekniske delene, er også dette en viktig del av boligpolitikken

Dersom vi ikke bygger flere boliger, risikerer vi at denne tradisjonen forsvinner. Hvis familier og enkeltmennesker ikke har et eget sted å bo, forsvinner en stor del av det de oppfatter som velferd og trygghet. Siden 2010 har boligprisene, ifølge Statistisk sentralbyrå, steget med over 20 pst. på landsbasis. Det nok. En av de store utfordringene som en konsekvens av dette er at det blir enda vanskeligere for unge og vanskeligstilte å komme inn i dagens boligmarked. Derfor er det viktig å legge til rette for at alle har et sted å bo, at det bygges nok boliger, og at folk flest får råd til å bo i disse boligene. For Høyre er det en prioritert politisk målsetting at det bygges nok boliger, og at flest mulig har mulighet til å eie sin egen bolig. Det skaper økt trygghet i hverdagen og forutsigbarhet å bo i sin egen bolig. Samtidig vet vi at for mange handler ikke kampen først og fremst om å komme inn i eiermarkedet – de sliter nok som det er med å komme inn i leiemarkedet. Så har man den gruppen som når de først har fått et sted å bo, sliter med å kunne bli boende, og det er også en utfordring. Gruppene er mange, jeg kunne fortsatt – mennesker med nedsatt funksjonsevne, folk med lav inntekt, rusmisbrukere som har havnet utenfor, eller nylig løslatte fanger, for den saks skyld – som skal tilbake igjen til samfunnet. En annen stor gruppe som bekymrer meg spesielt, er de litt over 5 000 flyktningene som har fått opphold, men som fortsatt ikke er bosatt. Det er arven etter den rød-grønne regjeringen. regjeringen. Jeg er tilfreds med at den nye regjeringen har fått fart på etableringen, men her er det viktig å opprettholde trykket. Boligsosialt arbeid er grunnlaget for et samfunn med muligheter for alle. Uten et godt sted å bo blir det vanskelig å håndtere andre utfordringer i livet, derfor må regjeringen sørge for en god strategi for arbeidet med dette framover. Gode boliger for barn og barnefamilier er spesielt viktig, både for å sikre livskvaliteten nå og for å sikre disse barnas framtid. En god bolig gjør det mulig med barnehage, skole, venner, fotball på løkka og fritidsaktiviteter. Det gjør det mulig å delta på dette. Dette danner også grunnlaget for en trygg oppvekst. Vi vet at noe av det viktigste vi kan gjøre av forebyggende arbeid for barn og unge, er å skape trygge Først og fremst må vi sørge for at det bygges nok boliger, slik jeg har nevnt, og at terskelen for å komme inn i boligmarkedet senkes. Bostedsløshet, spesielt blant barnefamilier og unge, må forebygges og reduseres. Vi må sikre utleieboliger som er av god kvalitet og i et trygt bomiljø for barnefamilier. Midlertidige botilbud bør bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke vare lenger enn ytterst nødvendig. Området er omfattende, og arbeidet som ligger foran oss, er stort. Jeg skal peke på noen av hovedutfordringene: Det er ikke noen tvil om at dette feltet er stort og må løses av flere departementer, direktorater og etater. Hvordan vil regjeringen koordinere dette arbeidet framover? Folk møter mye byråkrati, prosessen er ofte kompleks, og folk ender opp med å bli kasteballer. Vi ser at problemene er størst i de store byene, noe som er naturlig på grunn av innbyggertall og befolkningsvekst. Hvilke spesielle tiltak kan innrettes mot de store byene? Det er et spørsmål vi kan stille oss. Vi er alle enige om at Husbanken har en viktig koordinatorrolle. Det skal den også ha i Men hvordan sørger regjeringen for at Husbanken nå er synkronisert og utrustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer? Vi vet jo at regjeringen kom med en ganske klar forskrift til Husbanken som skal gjøre at vi ikke nå får en ny høst hvor kommunene igjen går tomme for startlån lenge før året er omme. Det er gledelig, og det er

Hvordan kan vi involvere dem på en bedre måte? Jeg ønsker gjennom denne interpellasjonen å invitere til en dialog og en dugnad for de mest vanskeligstilte i det norske boligmarkedet. Jeg ser fram til debatten.

og et utrygt bomiljø skaper en usikker ramme rundt barns oppvekst. Derfor er boligsosialt arbeid et høyt prioritert område for regjeringen, og arbeidet inngår i vårt satsingsområde om et sterkere sosialt sikkerhetsnett. I mars la fem statsråder frem en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid – Bolig for velferd. Dette er et historisk dokument. I fellesskap har arbeids- og sosialministeren, barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, helse- og omsorgsministeren, justisministeren og jeg lagt frem en omfattende, koordinert og forpliktende strategi med klare mål, innsatsområder og resultatmål for fremtidens boligsosiale arbeid. Formålet er å samle og målrette innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien gir en oversikt over et komplekst politikkområde, der ansvar og oppgaver er fordelt mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Strategien tydeliggjør ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien er langsiktig og skal gå frem til 2020. De som sliter på boligmarkedet, skal møtes med respekt og få nødvendig hjelp.

Analysen viser at nær 60 pst. av de vanskeligstilte leier bolig, sammenlignet med 18 pst. i befolkningen for øvrig. Andelen vanskeligstilte er høyest i Oslo. Innvandrere er overrepresentert blant de vanskeligstilte på boligmarkedet. En høyere andel av de vanskeligstilte har en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Utvalget anslo at i underkant av 25 pst. av de vanskeligstilte husstandene er barnefamilier. Mens de fleste av husholdningene med høyere inntekt eier sin egen bolig, er andelen eiere blant dem med lavest inntekt kun 32 pst. For mange kan leie av bolig være det beste alternativet, men en del husstander har problemer med å skaffe seg en egnet leiebolig. Få utleieboliger, liten variasjon i boligtilbudet og forskjellsbehandling av boligsøkere er blant utfordringene på boligmarkedet. En kartlegging fra 2012 viser at ca. 6 250 var bostedsløse. Antallet er mer eller mindre uendret fra kartleggingen fra 2008. Antall bostedsløse barn har imidlertid økt, fra 400 til Litt over halvparten av de bostedsløse er avhengig av rusmidler, og to av fem har psykiske helseutfordringer. To av fem bostedsløse er registrert i en av de fire største byene. Den 1. januar 2013 satt 3 829 flyktninger i mottak og ventet på bosetting. Per 31. mars 2014 var tallet økt 3 829 flyktninger i mottak og ventet på bosetting. Per 31. mars 2014 var tallet økt til 5 549. Mangel på egnede boliger er en av årsakene til at kommunene ikke kan ta imot flere flyktninger. Disse tallene trekker jeg frem fordi de viser kompleksiteten i de utfordringene vi står overfor, og viktigheten av at vi får gjennomført den strategien vi nå har samlet oss om. Det er ingen tvil om at det å ha – skaper trygghet og en bedre mulighet til å ta utdanning, arbeide, stifte familie og ha et sosialt liv. Boligen er ofte forutsetningen for deltakelse i samfunnets øvrige arenaer. Uten et godt sted å bo vil andre utfordringer i livet bli forsterket og gå ut over livskvaliteten. Boligsosialt arbeid handler om at alle skal ha muligheten til å mestre hverdagen sin ha muligheten til å mestre hverdagen sin – ha en god bolig og en håndterlig boligøkonomi og være en del av et nærmiljø. Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. I strategien har vi fastsatt tre overordnede nasjonale mål for det boligsosiale arbeidet i årene som kommer. Disse er: Alle skal ha et godt sted å bo. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.

Kommunene har en nøkkelrolle og et hovedansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. De skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Mange kommuner disponerer for få egnede boliger til vanskeligstilte. På statlig nivå kan vi bidra til å sikre kommunene gode rammebetingelser for dette arbeidet. Regjeringen har derfor i revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslått en sterk økning av tilsagnsrammen til utleieboliger. Økningen innebærer at det i år kan legges til rette for ca. 1 500 nye utleieboliger. Dette viser at regjeringen legger handling bak ord, og bekrefter at vi vil forsterke det boligsosiale arbeidet. Vanskeligstilte på boligmarkedet er en mangfoldig gruppe av mennesker med ulike utfordringer og behov. Noen trenger hjelp til å håndtere boutgiftene sine, andre trenger hjelp til å skaffe seg en egnet bolig etter opphold på krisesenter, på institusjon eller i fengsel. Noen er i asylmottak og venter på en kommune å bosette seg i, mens andre trenger hjelp til å mestre boforholdet. Mangfoldigheten utfordrer hjelpeapparatet. Vi hører om uheldige hendelser som kunne vært unngått hvis vi i det offentlige apparatet hadde samarbeidet bedre. Vi trenger virkemidler som er fleksible, og som innrettes slik at de kan møte utfordringene den enkelte sliter med. Husbanken er tildelt rollen som statlig koordinator for å følge opp strategien. Seks direktorater har i fellesskap fått i oppdrag å sikre at ord blir til handling. De fem øvrige er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. Sammen med kommunene har Husbanken ansvaret for en rekke viktige ordninger som skal hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg en bolig og bli boende: bostøtte, startlån, grunnlån, tilskudd til etablering og utleieboliger.

som er viktige for å nå strategiens mål. Å se virkemidlene på bolig- og tjenestesiden i sammenheng er utfordrende, men, som jeg har understreket, svært nødvendig. Vi har bedt direktoratene om å iverksette tiltak for å målrette og koordinere de statlige ordningene. Jeg er også glad for at representanten Mudassar Kapur tar opp forholdet til frivillige organisasjoner og andre enn statlige og offentlige etater. Jeg vil understreke at frivillige organisasjoner er sentrale samarbeidspartnere for stat og kommune i det boligsosiale arbeidet. Flere har lang tradisjon for å samarbeide med det offentlige om boligsosialt arbeid. Vi ønsker også å styrke brukermedvirkningen. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres når det boligsosiale arbeidet utformes. I dag har vi mye kunnskap om utfordringer og løsninger i det boligsosiale arbeidet. Mange kommuner er godt i gang med å utvikle et helhetlig og målrettet sosialt arbeid. Dette er praksis og erfaringer som må deles med andre kommuner. Vi ønsker å samarbeide med kommunene, men også med partiene i Stortinget, for å finne de beste løsningene.
som nå har en taletid på inntil 10 minutter.
for svarene så langt, og jeg setter pris på at regjeringen tar disse spørsmålene på største alvor. Jeg må også si at jeg satte ekstra stor pris på at statsråden inviterte alle partiene på Stortinget til dette arbeidet, for dette er, som jeg sa i starten av mitt innlegg i stad, en dugnad for de mest vanskeligstilte. Jeg ønsker å fokusere litt mer den gruppen, og da tenker jeg spesielt på de svakeste av alle, nemlig de bostedsløse barna – eller barn i bostedsløse familier, for den saks skyld. Norsk institutt for by- og regionforskningdefinerer «bostedsløs» slik: «Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt.» Dette er mennesker som er i den ytterste nød, vil jeg si, når de ikke har et sted å bo. En kartlegging gjort i forbindelse med rapporten bostedsløse barn økte fra 400 i 2008 til 679 i 2012. Dette skjedde mens den rød-grønne regjeringen styrte landet. Om lag 30 pst. av disse oppholdt seg på krisesenter, og mange av og vi vet at innvandrerbakgrunn ofte kan gi en litt tøffere start på livet hvis språk, skole og integrering er vanskelig fra før. Hvis man i tillegg sliter med å få et sted å bo, blir det en ekstra byrde å bære. Som sagt kom denne økningen under den

Disse kommunene står for nytenkning, og de tar et helhetlig grep om det boligsosiale arbeidet. Jeg ønsker derfor regjeringens strategi velkommen, og vil høre litt mer om hvordan statsråden mener vi kan lage den store dugnaden for å sørge for at disse barna og familiene deres raskere får et trygt og permanent hjem. Jeg mener at det første og viktigste er at vi erkjenner at vi står overfor betydelige utfordringer, at det er en

mange av dem blant oss som er mest sårbare, som kanskje trenger hjelp til å bo – og ikke minst at de blir møtt med respekt – i en situasjon der man er vanskeligstilt på boligmarkedet. Jeg har hatt gleden av å møte flere mennesker som har slitt på boligmarkedet, mennesker som sliter med rus og psykiske helseutfordringer, som bor i skjermede boliger, men som på et tidspunkt å få sin egen bolig. Jeg har også møtt en ung jente som har slitt betydelig på boligmarkedet, men som hadde en god historie å fortelle, nettopp fordi hun ble møtt med respekt av den kommunen som hun bor i. Disse to historiene viser for meg at alle mennesker har en drøm om å ha et eget sted å bo, og det viser meg også hvor viktig det er nettopp å gi mennesker den tryggheten Det neste er at vi også på dette området må erkjenne at det er behov for nytenkning, og at det er behov for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Her finnes det ikke ett svar, her er vi nødt til å arbeide på et bredt felt. Nettopp derfor er regjeringen opptatt av at staten skal koordinere og samordne sine virkemidler – de ulike etatene, de ulike ordningene – og vi er opptatt av å ha et best mulig samarbeid med kommunene. Jeg er også enig i det som ble sagt om at flere kommuner er godt i gang. Jeg har hatt møte med flere av byrådene i Oslo, som har en tydelig nå også har gjort en avtale om kjøp av flere leiligheter. Man er nettopp opptatt av ikke bare å kjøpe leiligheter som så skal leies ut, men at dette inngår i en større og bredere strategi. Flere kommuner har også strategier for å gå fra leie til eie – det mener jeg også er et viktig man kan starte med å leie en bolig, og på et senere tidspunkt ha muligheten til å eie sitt eget hjem. Det gir en trygghet, og det gir en mulighet til å komme videre i livet. Takk til interpellanten for å reise en viktig debatt. Det er fint å diskutere dette nå når det begynner å nærme seg slutten på stortingssesjonen. Norsk boligpolitikk har i all hovedsak vært vellykket. De

Men det er dessverre for mange som faller utenfor. 150 000 er vanskeligstilt på boligmarkedet, og 6 200 mangler et fast sted å bo. Det er en uverdig situasjon. Alle skal ha et sted å bo. Det viktigste vi kan gjøre, det som er helt overordnet, er å bygge mer. Men vi må også ha en særskilt innsats for de vanskeligstilte. så vi ser veldig fram til å se de konkrete resultatene av strategien. For Arbeiderpartiet er bolig en av de fire pilarene i velferdspolitikken, sammen med utdanning, helse og arbeid. Til sammen utgjør de grunnlaget for at alle skal kunne ha muligheten til å skape seg et godt liv. Så vet vi at tilknytning til arbeidslivet er den viktigste faktoren som hindrer lavinntekt og fattigdom. Det er en klar sammenheng mellom manglende arbeidstilknytning, lav inntekt og boligproblemer, så for Arbeiderpartiet er det et overordnet mål å sikre høy sysselsetting og Nå ser vi dessverre at regjeringen har åpnet for å endre arbeidsmiljøloven og for at flere må spille på reservelaget i arbeidslivet. Det blir ikke enklere å få seg et sted å bo hvis en er midlertidig ansatt. Interpellanten inviterte til dugnad, og det var lov å komme med innspill. Jeg vil gjerne komme med noen konkrete innspill. Aller først: Ikke rør prinsippet om universell utforming. Det handler om hvilket samfunn vi skal ha i framtiden. Arbeiderpartiet vil ha et likestilt samfunn, med gode boliger av god kvalitet. Derfor er det å gå baklengs inn i framtiden å lempe på disse kravene, slik regjeringen har åpnet for. Vi er glade for at man nå skal fokusere særskilt på barnefamilier. Bolig og bomiljø har innvirkning på velferden til barn her og nå,

Vi håper derfor nå at det er slutt på at regjeringen gang på gang foreslår å kutte i bevilgninger til enslige mindreårige asylsøkere. Det er dårlig sosial boligpolitikk, og det er dårlig integreringspolitikk. Strategien sier også noe om viktigheten av å sikre gode overganger fra institusjon til bolig. Jeg vil bare gjøre statsråden oppmerksom på at det er oppstått usikkerhet rundt finansieringen av overgangsboliger på grunn av et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet nå i vår. Det har bl.a. ført til at overgangsboligene ved Fekjær i Valdres er truet. Jeg ber derfor regjeringen om raskt å finne en løsning som gjør at dette gode tilbudet kan opprettholdes. Vi er glade for Husbankens forpliktende samarbeid med 50 kommuner. Det har vist gode resultater. Vi er glade for at det skal utvides. er en strategi som vi er opptatt av følges opp med konkrete tiltak og bevilgninger, så la meg først få rose regjeringen for at det nå bygges flere utleieboliger. Det støtter vi helhjertet opp om. Men vi er også opptatt av å styrke Husbanken. Statsråden var inne på eie-til-leie-programmer. Det er vi veldig for å gjøre mer av, så vi synes det er veldig

at 6 200 mennesker mangler et fast sted å bo – 6 200. Det er når man hører sånne tall og ser forbi de tallene, ikke tenker på tallene som statistikk, men som en rekke mennesker som lever med sin skjebne, at man virkelig blir minnet på at den selvgodheten vi i Norge kan føle over den offentlige velferden vi har bygd opp, ikke må overskygge vår evne til å ha kontakt med virkeligheten. Og så minner det oss om den vesensforskjellen det er mellom et hus og et hjem. Bolig og tilknytning til arbeidslivet henger sammen.